Representanten Torgeir Trældal vil framsette et representantforslag. President! Det er utsatt. Presidenten forstår det slik at det forslaget er utsatt. Representanten Morten Ørsal Johansen vil framsette et det forslaget er utsatt. Representanten Morten Ørsal Johansen vil framsette et representantforslag. På vegne av stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og meg selv har jeg gleden av å framsette forslag om innstramminger i forhold til å gi utenlandske statsborgere permanent oppholdstillatelse i Norge. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten gjøre oppmerksom på Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten gjøre oppmerksom på at møtet fortsetter utover kl. 16. Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Kristelig Folkeparti 10 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra hovedtalerne fra hver partigruppe og seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får

og den største investeringen i Fastlands-Norge og gitt sin tilslutning til anskaffelsen av inntil 52 F-35 kampfly. En samlet komité står også ved de sikkerhets- og forsvarspolitiske grunnlinjene som slår fast at Norge er forankret i NATO, og at det transatlantiske forholdet er avgjørende for vår sikkerhet. Det er bred enighet i komiteen om Ørland som hovedbase for kampfly, og at det skal være en permanent, framskutt operasjonsbase i

Samtidig må ikke det som er reelle, substansielle og viktige uenigheter, skjules. Mens vi i stor grad er enige om hvilket forsvar vi vil ha, er vi samtidig uenige om hvilket forsvar vi reelt sett har i dag. Vi er også uenige om hvorvidt regjeringas forslag bringer oss nærmere det forsvaret vi bør ha. Regjeringa hevder at det er balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser, og at denne balansen videreføres i deres forslag til langtidsplan. Hvor mye det enn hadde gledet meg at dette faktisk stemte, mener Høyre, sammen med resten av opposisjonen, at regjeringas bilde ikke stemmer overens med virkeligheten. Dette utgjør en fundamental forskjell i utgangspunktet for hvordan man skal forholde seg til Forsvarets videre virksomhet. Det er dette som utgjør kjernen i den politiske uenigheten rundt Forsvaret, ikke spørsmål om lokalisering. Det er her debatten burde føres. Fra Høyres side ønsker vi en debatt om nettopp disse tingene, men det har vist seg å være vanskelig. Det er flere årsaker til det. Regjeringa har igjen levert et svakt og til dels mangelfullt beslutningsgrunnlag til Stortinget i en viktig forsvarssak. Proposisjonen inneholder forslag til beslutninger som både samlet og hver for seg vil ha store konsekvenser for Forsvaret, for ansatte og for flere lokalsamfunn i Norge, både på kort og lang sikt. Verken premisser, skjønn eller konsekvenser er synliggjort og begrunnet på en tilstrekkelig måte. Slik sett føyer for så vidt denne proposisjonen seg inn i en praksis fra departementet. Det har også tidligere vært påpekt fra denne talerstolen. Komiteen har søkt å avhjelpe dette ved å stille 291 oppfølgingsspørsmål. Alle spørsmål og svar er vedlagt innstillingen. Det er ikke akseptabelt at man får så dårlig beslutningsgrunnlag til Stortinget, noe opposisjonen har omtalt grundig i innstillingen. Et så avgjørende premiss for langtidsperioden som de økonomiske planforutsetningene er omtalt over Når regjeringa ikke kan eller vil gi svar på helt grunnleggende spørsmål knyttet til økonomi og operative forhold i forslagene sine, gjør de det vanskelig for seg sjøl å samle nødvendig støtte. Det er en lang rekke spørsmål som bør debatteres. Hvordan sikrer vi en solid og framtidsrettet personell- og kompetansereform som et samlet storting stiller seg bak? Hvordan sikrer vi enda bedre oppfølging av våre veteraner? Stortinget vedtar i kveld den største anskaffelsen noensinne i Hæren, nye pansrede kjøretøy til en verdi av 10 mrd. kr. Det stiller et samlet storting seg bak. Vi bør diskutere realismen i å operere Sjøforsvarets nye fartøystruktur med nye og viktige kapasiteter innenfor et flatt driftsbudsjett. Hvordan kunne vi fått langt mer militær evne ut av Heimevernet enn vi gjør i dag? Vi bør også diskutere bekymringen knyttet til driftsutgiftene til de elementene forsvarssjefen foreslo avviklet, og regjeringa foreslo å beholde. Disse utgiftene løper fra dag én i planperioden, mens pengene som tilføres forsvarsbudsjettet for å bidra til dekningen av dette, først får full effekt i siste år av planperioden. Et enda viktigere spørsmål er strukturens bærekraft på sikt, de forhold som forsvarssjefen i sin prinsipielle uttalelse omtaler som

i to enkeltspørsmål i Luftforsvaret. Statsråd Espen Barth Eide beskylder i dagens VG opposisjonen for å drive taktisk spill. Statsrådens frittgående statssekretær påstår i tillegg at opposisjonen farer med løgn og fører velgerne bak lyset – fordi vi drister oss til å være saklig uenig med regjeringa! Det er karakteristikker jeg mener man fra regjeringshold bør holde seg for god til.

av spørsmålet om en nyinnrettet befalsordning etter NATO-standard, som åpner for rendyrkede spesialister. Vi støtter en slik nyinnretting. Det må også åpnes for langt større mangfold i rekrutteringen til Forsvaret, og man må rett og slett skape bedre løsninger. Samspillet med det sivile samfunnet må styrkes og fordypes. Normalisering må være et stikkord, samtidig som den fagmilitære profesjonen må rendyrkes der det er nødvendig. På sikt er nok denne reformen enda viktigere enn kampflyanskaffelsen for Forsvaret. Soldatene – menneskene – er vår aller viktigste ressurs. Komiteen har ønsket å anerkjenne dette i den form komiteen kan, gjennom merknader og gjennom utformingen av innstillingen, hvor personell- og kompetansekapittelet er satt først blant avsnittene knyttet til organisasjon og operativ evne – til og med før Det er en symbolsk, men like fullt viktig handling. Også Forsvarets veteraner utgjør en ressurs – de er de samme menneskene, de samme soldatene etter endt tjeneste. Det er lagt ned en betydelig innsats for å styrke oppfølgingen og anerkjennelsen av Forsvarets veteraner de siste årene, og jeg vil også for det gi regjeringa ros. Viktig arbeid er gjort, og viktig arbeid gjenstår. 27 av handlingsplanens 126 tiltakspunkter er implementert. Samtidig er det viktig å forbedre arbeidet for veteraner videre. Komiteens flertall, dvs. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil gjøre dette gjennom å se på muligheten for et nytt, forenklet og forbedret tjenestebasert opplegg for økonomisk kompensasjon, framfor å flikke videre på dagens uoversiktlige mengde av erstatningsbaserte ordninger. Vi ber også om at man ser på hvordan man kan organisere sivil forvaltning

regjeringa vil kutte i Heimevernets spisse ende, innsatsstyrkene, og videreføre en for stor struktur med for lite trening. Opprettholdelsen av CRC Mågerø sikrer nødvendig seighet og redundans for en svært viktig funksjon i et sårbart system. Det er klare faglige argumenter for to CRC-er. Høyre ønsker på sikt tre mekaniserte manøverbataljoner i Hæren. Det å foreta de riktige omstillingene i riktig rekkefølge og tempo, og etter solide og etterprøvbare analyser, skaper forankring og forutsigbarhet i organisasjonen. Det kan redusere kompetansetapet og også spare kostnader. I en tid når Forsvaret allerede er presset økonomisk, er det å spare hundrevis av millioner i flytte- og investeringskostnader de neste i tillegg til å unngå kompetansetap og økte pendlerutgifter – faktisk et poeng. Alle disse forslagene vil øke Forsvarets operative evne. Høyre har siden 2008 til sammen foreslått å øke forsvarsbudsjettene med 2,65 mrd. kr, slik at det kan flys mer, seiles mer og øves mer. Vi har vist – og vi viser i denne innstillingen – både omstillingsevne og betalingsvilje.

for å sikre Forsvarets evne til å løse alle pålagte oppgaver. Det er derfor med en viss undring vi har merket oss regjeringas forslag som over tid kan bidra til unødvendig usikkerhet om anskaffelsen og ambisjonsnivået. Vedtak i Stortinget foran hver anskaffelse er et brudd med normal anskaffelsespraksis, og en invitasjon til jevnlig omkamp og saldering gjennom kutt i antall. Regjeringas begrunnelse, nemlig at dette betyr større politisk kontroll og mulighet til å forholde seg til endrede forutsetninger i prosjektet, endrer ikke dette bildet. Stortinget skal sjølsagt også ved en normal anskaffelsesprosedyre bli løpende og grundig orientert om eventuelle endringer i prosjektet. Viktigheten av kampflyene til tross – forsvarssjefen anbefalte i sitt fagmilitære råd en ekstra bevilgning på 37,5 mrd. kr til anskaffelsen. Regjeringa legger i stedet inn en ekstrabevilgning i intervallet 22 mrd. kr–28 mrd. kr. Økningen i andelen av merkostnadene som tas innenfor forsvarsrammen, vil ha store konsekvenser for Forsvarets struktur og evne på andre områder. Forsvarsministeren sier at flyene må stå et sted, og det har han sjølsagt helt rett i. Høyre støtter, i likhet med et bredt flertall i komiteen, Ørland som hovedbase for kampfly. Ut fra en samlet vurdering syns Ørland best egnet for å samle hoveddelen av Luftforsvarets styrkeproduksjon. Høyre vil i tillegg ha en permanent, framskutt base lenger nord, men i motsetning til regjeringa ønsker vi en løsning der den – gitt viktige forutsetninger – søkes etablert i Bodø. Regjeringa har i sine regnestykker forutsatt at hele regningen på ca. 3 mrd. kr for å flytte rullebanen i Bodø legges på Forsvaret.

Sammen med Kristelig Folkeparti har vi derfor fremmet forslaget: «Stortinget ber regjeringen utrede en løsning der en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge etableres i Bodø.» Summen av forslagene om Rygge militære flystasjon er svakt begrunnet og underbygd. Så lenge man velger å opprettholde HV-01 og helikopterdrift på beredskap, vil det medføre betydelige behov for støttefunksjoner med tilhørende infrastruktur og areal. Sør-Norges største ammunisjonslager, eneste ilandførings- og distribusjonspunkt for militært drivstoff samt omfattende sambands- og IKT-infrastruktur ligger på Rygge. Dette er funksjoner som må videreføres, men kostnad og opplegg for dette er ikke synliggjort. Høyre vil derfor ha en langt grundigere utredning av mulighets-, konsekvens- og kostnadsanalysen og helheten i forslagene, inkludert mulig tilførsel av annen aktivitet.

De må dessuten være bygd på solide analyser og etterprøvbare økonomiske og faglige premisser. Etter vår oppfatning oppfyller ikke regjeringas framlegg disse forutsetningene. Jeg vil med det ta opp det forslag der Høyre er medforslagsstiller. Representanten Ine M. Eriksen Søreide har tatt opp det forslaget hun refererte til. Det blir replikkordskifte.

Det var så godt sagt at jeg noterte det ordrett. Dessverre har ikke Høyre fulgt opp dette i arbeidet med langtidsplanen. Det ble nemlig baser og lokalisering som ble Høyres store sak. Høyre vil ikke gjøre noen endringer i Luftforsvarets basestruktur – alt skal Så jeg har to spørsmål til komitélederen: Er hun fornøyd med det inntrykket som en utad sitter igjen med, om hva som har vært Høyres viktigste saker under behandlingen av denne langtidsplanen? Og spørsmål 2: Hvilke sikkerhetspolitiske eller forsvarspolitiske vurderinger ligger bak Høyres vurdering om ikke å fatte beslutning om lokalisering av framskutt kampflybase i Nord-Norge? Lillestrøm er et vakkert sted. Jeg vil si at Strømmen er et nesten enda vakrere sted! Det er interessant at nettopp denne replikken kommer fra representanten Sverre Myrli. For er det et parti som har bidratt til å la basespørsmålet overskygge alle andre spørsmål, er det nettopp Arbeiderpartiet. Som jeg la vesentlig vekt på i mitt hovedinnlegg, handler dette om alt mulig annet enn basestruktur. Det handler om de sikkerhetspolitiske lange linjene, det handler om personell- og kompetansereform i Forsvaret, og det handler ikke minst om kampflyanskaffelsen, som er det altoverskyggende og vesentlige. Som forsvarsministeren også sier, flyene må stå et sted. Vi er helt enig med regjeringa i at Ørland skal være hovedbase for kampfly, men vi har en annen preferert løsning for den framskutte operasjonsbasen. Vi mener det vil være fullt mulig å finne en løsning på det spørsmålet. Derfor har vi, sammen med Kristelig Folkeparti, bedt regjeringa om å utrede en løsning som innbefatter Bodø som framskutt operasjonsbase i nord. I innstillingen på side 27 er det en merknad fra Fremskrittspartiet og

Kan komitélederen gjøre rede for hvorfor man ikke ønsker å ha så god styring på innkjøpet som mulig? For det andre: Mener ikke komitélederen at åpningene for omkamp som ligger i å ville ha Bodø som framskutt operasjonsbase og samarbeidet med Fremskrittspartiet, som ikke har klart å bestemme seg i det hele tatt, skaper større usikkerhet for de involverte enn det regjeringspartienes forslag gjør? Dette er også et interessant spørsmål all den tid representanten Snorre Serigstad Valen og hans parti egentlig ikke ønsket å kjøpe kampfly i det hele tatt, og dersom de skulle kjøpe, skulle det være noen andre enn de Stortinget nå i dag slutter seg enstemmig til. Det er også interessant at denne replikken kommer fra Snorre Serigstad Valen, fordi han sitter i den regjeringa som nå gjennomfører flykjøpet. flykjøpet. Det betyr at det er representanten Snorre Serigstad Valen og SV som åpenbart ikke har tillit til sin egen regjering for gjennomføringen av denne anskaffelsen. Det kommer Høyre i dag, sammen med resten av Stortinget, til å vedta, at man skal kunne anskaffe inntil 52 fly, men vi har også ønsket at det skal være etter normal anskaffelsesprosedyre. anskaffelsesprosedyre. Det er nesten fristende å stille spørsmålet tilbake til representanten Snorre Serigstad Valen: Hva er det ved regjeringas handlemåte som gjør at SV mener det er så viktig å få fram årlige anskaffelsesbeslutninger i Stortinget foran hver ny bolk med kampflykjøp? Høyre uttrykker flere steder i

ikke går inn for en del av de flyttingene og endringene som regjeringa legger opp til. Det er viktige driftsmidler for Forsvaret i den krevende fasen man nå går inn i, med innfasing av nye kampfly. I tillegg har vi altså siden 2008 foreslått å legge inn 2,65 mrd. kr mer til Forsvaret, som altså ville sikre drift av de kapasitetene vi mener er nødvendige og viktige i Forsvaret, også utenom kampfly.

men en fullstendig reorganisering av vår måte å drive Forsvarets totale virksomhet på.» Erkjennelsen av at det Forsvaret vi hadde under den kalde krigen måtte reorganiseres, var for alvor i gang, og vi hadde hatt forsvarsstudie og forsvarskommisjon. Ifølge forsvarssjef Solli trengtes altså en «fullstendig reorganisering». Det var klar tale!

Klarere kan det ikke sies. De problemene det norske forsvaret hadde med å stille relevante enheter på kort varsel til NATOs Kosovo-aksjoner, ble en vekker. Vi hadde rett og slett ikke et forsvar som var tilpasset tida. Noe måtte gjøres, og den største omorganiseringen i offentlig sektor gjennom tidene var i gang. Vi fikk St.prp. nr. 45 i 2001, St.prp. nr. 42 i 2004, St.prp. nr. 48 i 2008 – og

så også Forsvaret, så det vil helt sikkert bli endringer også i framtida, men ikke så store og dyptgripende endringer som det Forsvaret har vært gjennom de siste åra. Det er grunn til å berømme dem som har vært med på de store endringene: sjølsagt Forsvarets ledelse og alle ansatte i Forsvaret, både militære, sivile og vervede og soldater i førstegangstjeneste. Men jeg vil også berømme skiftende regjeringer og skiftende stortingsflertall for den jobben som er gjort, og som det heter: Sjølskryt skal en lytte godt til, for det kommer fra hjertet! På mange områder er hovedinnretningen på Forsvaret lagt. I 2008 bestemte Stortinget at det operative hovedkvarteret skulle legges til Reitan. Hæren er solid etablert med to tunge fotavtrykk, ett i sør og ett i nord. Sjøforsvaret har fornyet fartøysstrukturen og er kraftsamlet på Vestlandet. Kystvakten er etablert på Sortland og er verdensledende i sin klasse. Nå står påkrevde endringer i Luftforsvaret for tur, spesielt lokaliseringen av våre framtidige kampfly. Luftforsvaret har ikke gjennomgått de samme strukturelle endringene som det Hæren og Sjøforsvaret har gjort. Derfor var det gledelig at forsvarskomiteen ved behandlingen av den forrige langtidsplanen i 2008 enstemmig uttalte at det var nødvendig å gjøre endring i Luftforsvarets struktur med færre baser. Dette vil jeg komme tilbake til. Det har historisk vært bred enighet om hovedlinjene i utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge. Det er enighet om det aller meste også i denne langtidsplanen, men politikken er nå engang slik at det er de områdene der det er uenighet, det blir oppmerksomhet omkring, og ikke de det er bred enighet om. Så også i denne må til enhver tid råde over maktmidler for å motvirke press, aggresjon eller anslag. Med moderne kapasiteter og høy reaksjonsevne skal Forsvaret utgjøre en krigsforebyggende terskel som innebærer høy risiko og kostnad for den som måtte utfordre norsk sikkerhet og sjølstendighet. Det er derfor vi har Forsvaret. Ved behandling av forsvarsspørsmål kan det virke som om vi har Forsvaret fordi det er viktig for lokalsamfunnet der Forsvaret er lokalisert. Sjølsagt er Forsvaret viktig for mange lokalsamfunn, men Forsvaret må aldri bli en avansert form for Distriktenes utbyggingsfond. Vi har ikke Forsvarets baser og garnisoner der det er best for lokalsamfunnene – det være seg Sørreisa, Mågerø, Rygge, Bodø, Ørland, Bardu eller Rena. Vi skal ha dem der det er best for Forsvaret. Jeg skjønner at dette kan være hardt å ta inn over seg for enkelte, men slik må det være. Ved behandlingen av langtidsplanen i 2001 var det diskusjon om Haslemoen, Hvalsmoen, Eggemoen, Helgelandsmoen, Evjemoen, Fredrikstad, Lahaugmoen, Stavern, Karljohansvern, Torpo, Gråkallen og Kongsvinger. I 2008 var det diskusjon om Jåttå, Sola og Bømoen. Hva sier de som ville opprettholde alle disse leirene, i dag? Jeg har ikke møtt noen som vil foreslå at vi skal reetablere Haslemoen, Helgelandsmoen eller Lahaugmoen – enda så omdiskutert det var å legge ned disse leirene noen år tilbake. I min oppvekst hadde vi NIKE-batteri i Nes. Det var riktig å etablere disse batteriene under den kalde krigen på slutten av 1950-tallet, men det var også riktig å legge dem ned for 20 år Hva slags forsvar hadde vi hatt hvis vi ikke hadde foretatt slike strukturendringer? Svaret gir seg sjøl. Det interessante med strukturendringer er at motstanderne blir enig i dem bare det er gått litt tid. Endringene i 2001 ble f.eks. gjort til store protester fra Fremskrittspartiet. På samme måte var det protester mot endringene som ble gjort i 2004. 2004. Da foreslo Fremskrittspartiet at en skulle beholde strukturen fra 2001 – som de altså hadde vært imot. I 2008 var de også imot og ville da beholde strukturen fra 2004 – som de hadde vært imot. Og sannelig: I år er de imot endringene som foretas, de vil ha strukturen fra 2008 – som de var beinharde motstandere av! Fremskrittspartiet og Høyre var f.eks. motstandere av å etablere Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan i 2008. I år er det ikke et ord å høre om det – sjølsagt fordi det var en riktig beslutning, og det som ble besluttet, fungerer riktig så bra. Og – jeg vil nesten kalle det en morsomhet, men det er ikke ufint ment – i 2008 ville Fremskrittspartiet etablere en fjerde manøverbataljon. Hvor er det forslaget nå? Så mye har vel ikke forandret seg på fire år? Det er sjølsagt ikke noe forslag om det, rett og slett fordi det var – og er – et dårlig forslag. Så det er bare å forberede seg: Det som blir vedtaket i dag, blir Fremskrittspartiets politikk – ikke i år, men ved behandlingen av neste langtidsplan. I forkant av regjeringas og Stortingets behandling av langtidsplanen gjorde forsvarssjefen et grundig arbeid gjennom sitt fagmilitære råd. Spesielt vil jeg berømme ham for å sette ord på hva som er vår tids utfordringer og vår tids nye trusler, som f.eks. cybertrusselen. Forsvarssjefens råd, i tillegg til en rekke andre innspill, dannet grunnlaget for regjeringa og regjeringspartienes arbeid med langtidsplanen. Imidlertid utkrystalliserte det seg noen spørsmål der vi ikke fulgte rådet fra forsvarssjefen. Vi ville ikke legge ned 2. bataljon i brigaden, vi ville opprettholde én kontroll- og varslingsstasjon i Luftforsvaret og konkluderte med at den skulle være i Sørreisa. Vi ville beholde alle dagens Orion overvåkingsfly, og vi ville styrke områdestrukturen i Heimevernet og opprettholde distriktsstabene i Heimevernet på Rygge, Terningmoen, Setnesmoen og Drevjamoen samt HV-skolen på Dombås – som alle var foreslått nedlagt. I tillegg ville vi være klare på at Forsvaret skal bidra med å samlokalisere sine helsetjenester i det nye senteret som skal etableres når dagens Troms militære sykehus legges ned. Når vi diskuterer forsvarsspørsmål, blir det ofte mye om bataljoner, skvadroner, kjøretøy, fartøy, flymaskiner, kuler og krutt. Det er vel og bra og må også til, men ikke noe av dette fungerer uten personell. La oss derfor ikke glemme menneskene i en så kompleks organisasjon som det Forsvaret er. Uten menneskene vil ingen av systemene fungere. Regjeringa har varslet at den vil legge fram en egen melding til Stortinget om personell- og kompetansespørsmål. Det er bra, for dette er et svært viktig tema: Hva slags kompetanse trenger Forsvaret i framtida, og hvordan skal denne kompetansen rekrutteres? rekrutteres? Hva slags personellmessige endringer vil de organisatoriske endringene som vi vedtar i dag, medføre? Verneplikten er et av Forsvarets hovedfundamenter. Tar vi bort verneplikten, får vi et annet forsvar og et annet samfunn og ikke minst et annet forhold mellom folk og samfunn. Dessuten – vi skriver 2012, og da å holde på med å diskutere, utrede og vurdere om vi skal ha kvinnelig verneplikt eller ei, er ikke særlig framtidsrettet. I den varslede kompetansemeldingen bør vi nå ta skrittet fullt ut og fatte et prinsippvedtak om kvinnelig verneplikt. Vi har verneplikt, og vi har kvinner. Da burde vi også ha kvinnelig verneplikt. I kompetansemeldingen må det også foretas en gjennomgang av dagens befalsordning. Ved besøk rundt hos Forsvarets avdelinger får vi mange og klare tilbakemeldinger om at det må gjøres noe med dagens befalsordning. Spesielt er tilbakemeldingene klare når vi kommer inn på avdelingsbefalsordningen. Her må det gjøres noe. Så over til det spørsmålet i langtidsplanen som antakelig vil bli viet størst oppmerksomhet i dagens debatt – spørsmålet om kampfly. Det er svært gledelig at det er full tilslutning til at Norge skal gå til anskaffelse av inntil 52 nye F-35 kampfly. Den 6. juni 1975 vedtok Stortinget med 100 mot 19 stemmer å gå til anskaffelse av 72 jagerfly av typen F-16. Det var en klok, riktig og framtidsrettet beslutning. Da F-16 kom i 1980, var det et stort teknologisk og operativt sprang for Forsvaret. Norge er et langstrakt land med store områder både til lands og til havs og med tilsvarende store luftrom. Derfor er et operativt kampflyvåpen ekstra viktig. Nye kampfly er avgjørende for at Forsvaret også i framtida skal kunne ivareta vår sikkerhet og suverenitet på en tilfredsstillende måte. Kampfly er en grunnleggende kapasitet i vår forsvarsstruktur. Det er heldigvis full enighet om det. Beslutningen vi skal fatte i dag, blir like viktig og like historisk som beslutningen om F-16 i 1975. Fra beslutningen om å kjøpe F-16 ble tatt i 1975, og til det siste flyet fases ut, vil det antakelig gå omtrent 45 år. Om F-35 vil kunne brukes like lenge som F-16, er umulig å forutse i dag, men uansett er kampflyanskaffelsen den største og viktigste enkeltsaken for Forsvaret i overskuelig framtid. Så over til basespørsmålet. Etter grundige vurderinger av tre aktuelle baser – Bodø, Ørland og Evenes – både som enbasealternativer og som tobasealternativer, konkluderte regjeringa og regjeringspartiene med at det ville være riktig å lokalisere framtidige kampfly til én base, og at Ørland er den klart beste lokaliseringen for en slik base. Dette var i tråd med forsvarssjefens anbefalinger i hans fagmilitære råd. Jeg er glad for at Høyre og Kristelig Folkeparti er enige med regjeringspartiene i dette, og at vi i dag – etter alle solemerker – kan få stort flertall for en slik løsning, der Ørland blir hovedbase for kampfly. Regjeringa og regjeringspartiene konkluderte også med at med Ørlands geografiske plassering ville det være nødvendig med en mindre operasjonsbase i Nord-Norge. Etter å ha vurdert Banak, Bardufoss, Andøya, Bodø og Evenes skilte Evenes seg klart ut som det beste alternativet, og derfor er Evenes foreslått som framskutt base, fordi det er det beste alternativet – kun derfor. Vi fatter ikke vedtak om hva som er den beste plasseringen av en framskutt base basert på hva som er best for Bodø, eller hva som er best for Evenes. Vi velger det ut ifra hva som er best for Forsvaret og best for Norge. Dessverre gjør ikke Høyre det – det tradisjonelt forsvarsvennlige partiet. Gamle forsvarsvenner i Høyre må gremmes over hvordan partiet deres har holdt på den siste tida. Dessverre har oppkjøringen til neste års valgkamp blitt viktigere enn å fatte gode beslutninger for Forsvaret. For hva er det Høyre gjør? I måneder og uker har vi kunnet lese at Høyre ville gå for Bodø som kampflybase. Men hva gjør Fremmer de forslag om det? Nei, de mener at hovedbasen skal etableres på Ørland, ikke i Bodø. Men den veldig mye mindre framskutte basen i Nord-Norge, den vil Høyre nå ha i Bodø. Høyre vil altså legge ned dagens kampflybase i Bodø og erstatte den med en mindre operasjonsbase. Eller er vi nå så sikre på at de mener det? Hvorfor har de ikke fremmet forslag om det? Nei, de skal ha regjeringa til å utrede en framskutt base i Bodø. Regjeringa har vurdert det og kommet til at det ikke kan anbefales fordi kostnadene vil bli enorme. Uansett hvor mange ganger kalkulatorpartiet Høyre ber regjeringa om å utrede og regne på dette, vil svaret bli det samme. Spillet rundt lokalisering av den framskutte operasjonsbasen i Nord-Norge er beklagelig. Men jeg vil til slutt tilkjennegi at det er stor enighet om de store linjene og og at det i dag også er stor enighet om og stor tilslutning til regjeringas forslag om å starte opp et nytt investeringsprosjekt for oppgradering og nyanskaffelse av CV90 panservogn. Helt til slutt vil jeg ta opp forslagene nr. 1–5 i innstillingen. Representanten Sverre Myrli har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. Det hadde vært fristende å si at representanten

passasjertak, som har vært en utfordring der nede, og muligheten for den sivile videreutviklingen av Rygge. Spørsmålene mine til representanten Myrli er da: Hvordan ønsker man å sikre at Rygge kan bestå, ikke minst beredskapsmessig? Hva slags avtaler og økonomisk fundament ligger til grunn for det? Hvor dyrt vil det bli i framtiden, når man gjør det vedtaket man gjør i dag

Bodø. Bodø er Norges operative forsvarshovedstad, og Bodø er i tillegg den sivile luftfartshovedstaden i Norge. Det er interessant at Nordland-representanten Ellingsen er motstander av å flytte dette til Bodø. Jeg er ganske sikker på at 2 000–3 000 berørte tilsluttet ansatte i Bodø merker seg representanten

Det man gjør denne gangen fra regjeringens side, er at man virkelig ønsker å strupe forsvarsbudsjettet ved å legge inn deler av finansieringen – 9,5 mrd. kr–15,5 mrd. kr – over en tiårs driftsperiode for forsvarsbudsjettet. Er det med åpne øyne at dagens regjeringspartier virkelig vil ønske å strupe forsvarsbudsjettet på en slik brutal måte? Er det også med åpne øyne man legger opp til å nullstille alle fremtidige nødvendige forsvarsinvesteringer i

skal tas innenfor Forsvarets budsjetter, og deler av den skal tilleggsfinansieres fra Stortinget. Jeg har aldri uttalt meg om de ansattes egnethet ved Bodø hovedflystasjon – det er meget høyt kompetente mennesker som gjør en svært god jobb hver dag. Men representanten Kristiansen, derimot, uttaler i Avisa Nordland i dag at stillingene hos og Luftforsvarets øverste ledelse som nå skal flytte til Bodø, er pappfigurer. Altså – folk som går på jobb hver dag i tjeneste for landet sitt, er pappfigurer. Det er virkelig en oppsiktsvekkende kommentar – igjen fra en representant fra Nordland som ikke ønsker disse arbeidsplassene til Bodø. Det er interessant at i den grad opposisjonen ikke er

at det er bekymring for hvordan dette skal finansieres ut fra de manglende analyser som regjeringen selv gir på dette punkt? Det er ingen manglende analyser med hensyn til det beslutningsgrunnlaget som ligger. Det er gjort etter de aller beste måter å kalkulere og beregne dette på, slik som det gjøres i offentlig sektor for øvrig. Så må jeg bare si at vi må skille mellom hva som er unødvendig struktur, og hva som er forsvarsevne. For eksempel ønsket vi å øke størrelsen på Heimevernet sammenlignet med det forsvarssjefen foreslo, fordi det gir oss operativ evne, det gir oss mer forsvar. Det som er problemet med det som Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet i dagens innstilling går inn for, er at man vil opprettholde baser i Luftforsvaret for å opprettholde baser. Det gir ikke noe mer operativ evne om Generalinspektøren for Luftforsvaret sitter på Rygge eller på

tegn. La meg starte med noe av det som representanten Myrli var inne på i midten av sitt innlegg, nemlig å gi en honnør til alle som har sitt daglige virke i Forsvaret, som gjør en jobb ut fra gitte premisser som er betegnet og beskrevet herifra, både økonomisk og operativt sett. Jeg tror at det er vår plikt som nasjonalforsamling å sørge for at den honnøren gis til dem som gjør jobben ute. For vi kan, med all mulig respekt, stå her og fra denne talerstolen fortelle hvor flinke vi er, hvor gode betingelser vi legger til rette, men til syvende og sist er kvaliteten på det vi får til, avhengig av kvaliteten på menneskene som gjør jobben ute, det være seg om det er en sykepleier i Meymaneh eller et annet sted, eller om det er en flyger i 330-skvadronen som opererer ut fra Ørland, Bodø eller Sola. Hele poenget er at vi er avhengig av kvaliteten på de som er der. Derfor mener jeg det er en selvfølge, fra Fremskrittspartiets side i alle fall, å starte denne debatten med å gi honnør til alle dem. Det finnes folk som faktisk gjennom dette mister det mest dyrebare man har – nemlig livet sitt. Det finnes familier i dette landet som sitter igjen med et tomrom de skal leve med resten av sin levetid fordi en av deres nærmeste er revet bort som representant og som utøver for den norske stat. Jeg synes det har med verdighet overfor dem å gjøre å si at uten dem hadde dette vært en debatt uten substans. La meg også få lov til å takke komiteens leder for å ha gjort en utmerket jobb med å lose komiteen gjennom både denne saken og saken om «pansra køyrety», som er blitt et begrep i komiteen – med all mulig respekt. Jeg vil også gi en honnør til mindretallet i komiteen, som dog representerer flertallet her, fordi jeg har opplevd forsøket på å prøve å finne et forsvarspolitisk forlik som positivt. Bare viljen til å prøve synes jeg symboliserer at forsvarspolitikk i utgangspunktet ikke skal handle om de store morsomheter, som representanten Myrli drar seg til i sitt innlegg. Men greit nok – han må gjerne gjøre det. Jeg tenker at forsvarsevne skal være det viktigste. Samtidig er vel dette den optimale salen for å diskutere uenighet om hva man definerer som det viktigste. Hvis det ikke var sånn, ville vi kun få utdelt et manus som alle måtte stille seg bak. Men heldigvis er det ikke sånn. Vi bor i et land som har et velfungerende, godt demokrati som vi også reiser rundt i og ønsker at andre skal ta kopi av. Da forbeholder jeg meg retten til å være uenig med statsråden med statssekretæren – jeg synes det er gledelig at han er til stede, jeg skulle ønske at han satt enda litt nærmere, så kunne vi ha diskutert flere ting. Det får bli en annen gang, muligens. Det handler til syvende og sist om våre muligheter og det vi gjør ut av det. Så tenker jeg at en annen ting som er viktig, er: Hvorfor har vi et forsvar? Jo, på grunn av nasjonal sikkerhet bl.a. Vi er en del av NATO. NATO er en tung premissleverandør for det vi gjør. Jeg er veldig glad for at det i alle fall ikke er en diskusjon om å flytte fokuset, at USA er en tung og viktig premissleverandør videre NATO er selvfølgelig det – og FN-sporet er regjeringen opptatt av. Når vi snakker om Syria, når vi snakker om andre utfordringer vi har, Afghanistan for den saks skyld, og internasjonale oppdrag, er det sånn at Stortinget i all hovedsak slutter seg til de tingene. Med andre ord har vi et fokus på å finne løsninger der vi står samlet når vi skal gjøre vanskelige ting ute. Så er det vel en kjensgjerning at av og til er vi kanskje litt forsiktige med å diskutere de vanskelige tingene. Vi har nylig nylig diskutert nordområdene. Fra Fremskrittspartiets side er det i hvert fall én ting som er viktig å nevne: Vi har en stor nabo i øst, og den store naboen har sett at vi har skrytt av at vi har fem fregatter, og at vi har kjøpt nye jagerfly. Jeg er ikke sikker på at dette nødvendigvis er veldig avskrekkende for den russiske nordflåten eller andre. Jeg tror de har verktøy nok i sin verktøykasse til å skremme livet av oss – hadde jeg nær sagt – mer enn én gang. Poenget er å vise at vi tar ikke lett på det. Vi er ikke naive når det gjelder Russland. Vi er tydelige på hva vi ønsker av forsvarsevne, og hvorfor vi trenger det.

et innspill fra Befalets Fellesorganisasjon, som i høringen i forbindelse med proposisjonen bl.a. sa: «Den fremlagte proposisjon mangler i stor grad økonomisk dokumentasjon med plantall for de enkelte år og hvordan de forskjellige tiltak i grovt skal gjennomføres og hva måltallene er for de enkelte år. All historie viser at med flate rammer og underdekning i budsjettene må Forsvaret reduseres utover det planlagte. Proposisjonen overbeviser oss ikke om at dette ikke vil skje igjen.» Ellers blir det vist til en rekke uttalelser og beregninger fra bl.a. FFI, hvor det sies: «Et budsjett reelt flatt videreført på 2012-nivå vil i praksis bety en budsjettutvikling som reduserer kjøpekraften i høyt tempo.» Klarere kan det neppe sies. Så er jeg klar over at dette handler om politikk, det handler om retorikk, og det handler om – skal vi kalle det – definisjonsmakt. Regjeringspartiene er tydelig på at vi har funnet løsningen, vi har finansiert alt, det finnes ingen problemer. problemer. Det må jo da bety at nå får vi det antall seilingsdøgn som er nødvendig – optimalt vil kanskje være å gå litt langt. Nå forventer Heimevernet at de gjennomgående får øve alle sine mannskaper. Det er forventet at objektplanene er oppdatert og klare til bruk. Hvis ikke lever denne regjeringen og flertallet i denne salen i en illusjon, og det har vi ikke råd til, for det er for skummelt. Et annet så vidt er omtalt, er integrert strategisk ledelse. Jeg hadde i fjor gleden av å gå på Forsvarets høgskole og ta sjefskurset. Én ting jeg lærte, var at det var ganske stor forskjell på å drive strategisk tenkning og å drive med operativ utøvelse av noe. Min opplevelse er i særlig grad at alle er operative, og at alle er Hvor smart det er, skal jeg la ligge. Men når jeg leser tillegget til proposisjonen fra forsvarssjefen, framstår det i alle fall for meg slik at det han sa i sitt fagmilitære råd, som regjeringen et godt stykke har fulgt, men allikevel har satt til side, ble etter mitt skjønn elegant bortforklart av forsvarssjefen. Det er mulig at det er en konsekvens av ISL-en. Det kan selvfølgelig hver enkelt gå i seg selv og tenke over hvordan man vil se på. Det

nødvendig fokus på og en garanti for at veteranene våre tas godt vare på. Det er gjort en utmerket jobb. Vi har gjort mye, men det kan bli bedre. Det vil bli referert til av flere fra Fremskrittspartiet senere i dag. Så snakkes det om investeringer til hær, til sjø, til Heimevernet og ikke minst til luft. Alle disse tingene er fornuftige. Jeg har til gode å se – i alle fall som jeg kan huske på en lang stund – at noen har gått imot de Men det er allikevel en bekymring her som går på om vi får den ønskede forsvarsmessige operative evnen utad – det som representanten Myrli etterspurte. I så fall hjelper ikke investeringer alene; en er nødt til å ha personell. Personellet er nøkkelen her. Vi har altså fem fregatter. Vi har i utgangspunktet adgang til å seile tre av disse samtidig, slik jeg har forstått det – hvis jeg er snill. I tillegg er det vel også et faktum at man tar deler fra dem internt og flytter om på dem for å ha dem seilingsdyktige. Det er mulig at det er godt nok for regjeringen. Samtidig synes noen av oss at det faktisk er en bekymring, samlet sett. Så til andre investeringer. Jeg registrerte at statsråden på mandagskvelden var ute med 91-politihelikoptrene – som i alle fall jeg personlig synes er en skandale. Norge inngikk en kontrakt – hvis jeg Norge inngikk en kontrakt – hvis jeg ikke husker feil – i 2001, med oppstart av leveransene i 2005. Tar jeg ikke helt feil, fikk vi det første i fjor. Men det er ikke den utgaven vi skal ha; det skal sendes tilbake og endres. Jeg har forstått det slik at Forsvaret sier at de skal være fullt ut operative i 2017. Det vil altså være 16 år etter at man inngikk kontrakten. Det vil være tolv år etter at man skulle starte leveransen. Hvis ikke slike ting påvirker forsvarsevnen vår, vår operative evne, blir jeg overrasket. Hvis det ikke gjør det, trenger vi da å kjøpe disse? Jeg håper at forsvarsministeren er så tøff som han antyder at han vil være, i innlegget sitt, med å stille leverandøren enda mer til veggs enn det man har gjort til nå. Jeg synes man har sluppet altfor lett unna. La meg så gå inn på det som jeg oppfatter er ryggraden i meldingen vi diskuterer i dag, nemlig anskaffelsen av nye jagerfly. For Fremskrittspartiets del ligger kjøpet fast. Vi ønsker å gå for 52 fly, slik som forsvarssjefen har sagt, og som er regjeringens ambisjon, selv om de har lagt inn et lite hvileskjær – et mulig hvileskjær, for å presisere det. La meg referere til en vesentlig og viktig aktør i denne tida og når behandlingen har skjedd, den herværende statssekretær Roger Ingebrigtsen. Han uttalte rett før jul i fjor at Norge ikke tåler flere jagerflyutsettelser. Han sier: «Den tidsplanen vi har nå begynner å bli kritisk. Hvis vi nå begynner å skyve ut over det, risikerer vi at landet står når det gjelder kampflykapasitet.» Det er en bekymring som Fremskrittspartiet deler fullt ut. Når det gjelder økonomi og andre ting sier han at vi ikke er i stand til å skvise «sitronen enda mer». Hvis han med «sitronen» mener F-35, er vel det muligens en litt interessant fruktsammenligning som andre ville stilt spørsmål ved. Men greit nok. Utfordringen vil være: Kan vi være sikre på at vi får flyet på det tidspunktet som vi forventer å få det? Kan vi være sikre på at det vil ha de nødvendige kapasitetene som vi forutsetter, jf. 91-ene igjen? Og kan vi være sikre på at prisen blir innenfor den rammen vi har lagt. Ja, Stortinget forutsetter det. Stortinget forutsetter én ting som statsråden har fått kritikk for før, nemlig å bli holdt løpende orientert om utviklingen, nettopp fordi at det nye jagerflykjøpet er den vesentligste og største investeringen Norge muligens noensinne har gjort, og flyene skal vare i et 40-årsperspektiv, antakeligvis. La meg også si to ord om F-16-flyene, som har gjort en formidabel jobb for oss. Greier F-35, når de kommer, å gjøre noe tilsvarende, har det vært en god investering. Men vi i Fremskrittspartiet har altså en sunn skepsis, på lik linje med det enkelte politikere i USA har, og på lik linje med det en god del fagtidsskrifter som jobber mot luftfart og våpenindustri, har. Nå skal jeg innrømme noe – som jeg gjør for sjelden, vil enkelte si – men nå håper jeg at jeg tar feil. Når det gjelder bekymringen min for F-35, håper jeg at jeg tar feil. Jeg håper at de kommer ramlende inn i 2015, jeg håper at de er suverene når det gjelder kapasitet og og jeg håper at prisen blir under det minimumsestimat som regjeringen har lagt inn. Hvis de gjør det, skal jeg være den første til å gå hit og skryte atter en gang av regjeringen. Da kan det være at representanten Myrli vil si at Ellingsen var ikke like tunglært denne gangen som forgjengerne hans må ha vært. Men det må bli en annen debatt som vi må komme tilbake til når den tid kommer. Men vi har som sagt en bekymring i forhold til det som skjer. Så kan jeg ikke delta i denne debatten med postnummer 8250 uten å si to ord om basestruktur, ikke fordi den

samspillet mellom Ørland og Bodø er godt, vi oppfatter at de leverer fagmilitært og operativt veldig bra, ikke minst noe aksjonen i Libya har vist. Så er vi bekymret fordi jeg oppfatter at regjeringen er tydelig på at når vi gjør de endringene vi gjør, kommer personalet til å bli med. Mine tilbakemeldinger er ikke at det automatisk er sånn. Jeg hørte at representanten Myrli refererte til et møte på flystasjonen i Bodø, der – sånn som jeg oppfattet ham – ikke alle tilbakemeldingene som Myrli fikk, var like positive. Men hvis man skal gjøre endringer, forutsetter jeg – i tråd med det som representanten Myrli sa – at man greier å opprettholde det operative. Her tar man for gitt at man skal få folk med seg, Ja, det er selvfølgelig mulig at de mailene jeg får, er fra enkeltindivider med sære interesser, men jeg oppfatter at de er svært bekymret for det som skjer. Konklusjonen min da på det som vi har diskutert nå, og som vi skal diskutere, er at jeg er bekymret for økonomien. Jeg er redd for at det vi gjør i dag, er å vise til illusjoner i virkelighet og i ønsketenkning. I så fall blir det ønsketenkning. I så fall blir det ikke undertegnede som må stå her neste gang og fortelle at Fremskrittspartiet atter tok feil. Da blir det representanten Myrli og andre som må si: Riksrevisjonen har sine klare syn på mangler. Vi mener selvfølgelig at det er feil, for det er vi som vet best. Da blir de ansatte i Forsvaret et verktøy for en politikk som jeg ikke har noen særlig sans for, fordi de blir kasteballer og brikker i et spill der det egentlig handler om ikke å bli en politisk svarteper, men å framstå som handlekraftig. Det blir replikkordskifte. Det har vært mange interessante debatter i media de siste dagene. Jeg synes kanskje de debattene som representanten

og jeg har tillatt meg å si at jeg er glad for at vi ikke har noen innflytelse i denne saken.» Jeg er for så vidt sjeldent enig med Per Sandberg i at jeg også er glad for at Fremskrittspartiet ikke har noen innflytelse i denne saken. Men nå har nå engang Fremskrittspartiet tenkt seg i regjering med Høyre. Høyre svarer ikke tydelig, og Fremskrittspartiet svarer i hvert fall ikke tydelig. Det skaper en betydelig usikkerhet for de ansatte, både ved Bodø

Hva var det representanten fra SV ikke fikk med seg i mitt forrige svar? Jeg var klinkende klar på hvem som representerer partiets holdning. Hvis representanten ikke fikk det med seg, har han ikke fulgt med i det hele tatt. Det er jo sånn at SV – at SV trekker dette opp, synes jeg er bra – hadde representanter fra stortingsgruppen sin stående utenfor dette huset, på bakken på nedsiden her, som demonstrerte mot egen regjering. Vi har mye å lære av SV sånn sett. Selvfølgelig er det hos oss også enkeltmedlemmer som har andre syn enn men jeg har redegjort så til de grader for at vi ønsker å videreføre tobaseløsningen. Hvis hr. Valen har problemer med det, kan han sikkert lese det i innstillingen. I

Utgangspunktet for Forsvaret skal være våre nasjonale sikkerhetsoppgaver, og SV mener vi i stor grad bør utnytte mulighetene for et tett samarbeid her i nord. En satsing som i større grad fokuserer på våre nærområder, er i tråd med denne tankegangen. Kapasiteten til å forsvare Norge og forvalte de norske havområdene må ligge til grunn for Forsvarets prioriteringer. Regjeringen har fått bred støtte for økt satsing på nordområdene, og det er en satsing som lenge har vært en viktig del av SVs forsvars- og sikkerhetspolitikk. Klimaendringer og forandringer i internasjonale maktforhold skaper nye utfordringer og øker nordområdenes strategiske og økonomiske betydning. Det krever nytenkning rundt Norges internasjonale samarbeids- og sikkerhetspolitikk, det krever en styrking av båndene til land vi har sterke interessefellesskap med. Nordisk samarbeid vil f.eks. gi store gevinster både sikkerhetspolitisk, kapasitetsmessig og økonomisk. Det er avgjørende for norske interesser at småstater sikres av et velfungerende internasjonalt lovverk for konflikthåndtering. Derfor er det en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk å støtte opp om FNs kapasitet og autoritet i konfliktsituasjoner. Som et lite land har Norge interesse av å støtte opp om folkerettens forbud mot krig og bevare restriktive regler for når maktbruk er legitimt. Norge må derfor alltid kreve et utvetydig og konkret mandat fra FN dersom vi skal delta i internasjonale operasjoner. I dag er det regjeringens politikk. Det har det ikke alltid vært. Derfor er SV spesielt glad for at vi i dag slår det fast så tydelig. Forsvar av nærområdene våre samt å prioritere deltakelse i FN-ledede operasjoner er viktige ambisjoner i den nye langtidsplanen. Det er veldig gledelig at det nå er bred enighet om denne tilnærmingen til norsk forsvarspolitikk. Den til norsk forsvarspolitikk. Den viktigste oppgaven til Forsvaret er å utgjøre en krigsforebyggende terskel som innebærer høy risiko og kostnad for den som måtte utfordre vår sikkerhet og selvstendighet. En sånn terskel innebærer at Norge råder over relevante maktmidler som kan motvirke press, aggresjon eller angrep. Forsvaret vil fortsatt legge til rette for å støtte det sivile samfunnet ved ulykker og naturkatastrofer, alvorlig kriminalitet og andre kriser. Det er en prioritering vi styrker med denne planen. Investeringen i kampfly er Norges dyreste fastlandsinvestering noensinne. SV mener at Norge trenger kampfly som en del av det norske forsvaret, og det er avgjørende at det settes tydelige kostnadsrammer for hele kjøpet, og at kjøpet gjennomføres på en måte som sikrer Stortingets kontroll over utviklingen i F-35-programmet og prisen for flyene. Det handler ikke om noen mistillit til regjeringen, det handler om at ved en så stor investering som dette innebærer, bør vi ha kontroll hele veien. Derfor er vi fornøyd med at flykjøpet skal behandles årlig i Stortinget, sånn at vi folkevalgte til enhver tid har en hånd på rattet i prosessen. Det opplever jeg heller ikke at regjeringen har noe som helst problem med, i og med at regjeringen selv har foreslått denne tilnærmingen til flykjøpet. SVs landsstyre har tidligere vedtatt at når dagens norske kampfly anses utdatert, vil det være nødvendig å fornye kapasiteten. Pris var en veldig viktig faktor for at SV gikk med på å forhandle med Lockheed Martin om kjøp av F-35. Beregninger viser så langt at de reelle kostnadene ikke avviker fra det som ble lagt fram for Stortinget i 2009. Det er avgjørende for SV, slik at kampfly ikke går på bekostning av investeringer i velferd, helse, omsorg og skole. Kampfly vil bli en sentral og viktig del av det norske forsvaret, og kostnadene til kampfly må ses i sammenheng med Forsvarets øvrige budsjett.

Derfor er det også naturlig at investering i kampfly er en del av Forsvarets ordinære budsjett. Tilleggsfinansieringen som er lagt fram i langtidsplanen, er vesentlig lavere enn det som ble skissert i fagmilitært råd. Men vi er trygge på at Forsvaret kan finne gode ordninger for å dekke inn investeringskostnadene, selv om vi ser at det vil bli krevende. Antall fly er viktig for de totale kostnadene, og langtidsplanen åpner for en reduksjon av antallet til 42 fly pluss treningsflyene.

Det mener jeg er et klokt og riktig valg, som ble bekreftet ved komiteens siste besøk på basen. Jeg kjenner Ørland godt: Der er det lite sivil lufttrafikk, det er liten befolkningstetthet rundt militærbasen, og mulighetene for videre utvikling i et langsiktig perspektiv i området er gode. Dessuten er det veldig fint der! Siden Ørland i tillegg er det rimeligste alternativet, var det riktig av regjeringen å gå inn Evenes er det rette stedet å lokalisere en framskutt operasjonsbase, ut fra både støyhensyn, handlefrihet, rekkevidde og pris. Det er verdt å merke seg at Høyre ikke slutter seg til denne helhetlige løsningen, men desto mer interessant er det å følge Fremskrittspartiet i denne saken, som varsler omkamp i neste periode om Stortingets sammensetning skulle endre seg. Jeg kunne tenkt meg tilbakemelding fra Høyre på hvordan de vil forholde seg

De menneskene som er villig til å sette seg selv i fare for Norge, skal så klart ha svært gode ordninger, og jeg er veldig glad for at Forsvarsdepartementet følger opp dette godt. Alt i alt er Forsvarets langtidsplan en plan vi er godt fornøyd med. Norge trenger en helhetlig og sektorovergripende forsvars- og sikkerhetspolitikk, inkludert en politikk for økt satsing på å forebygge konflikter, på å øke robustheten i sentrale samfunnsfunksjoner og redusere sårbarheten i det norske samfunnet. I utviklingen av en helhetlig politikk for økt sikkerhet og trygghet må man ta utgangspunkt i hva som skal forsvares, og ikke kortsiktige trusselvurderinger. Den tid er forhåpentligvis forbi da begreper som «FN-ledet verdensorden» ble harselert med i norsk politikk, selv om det ikke er veldig lenge siden. Tvert imot er Norge som et lite land med store naturressurser og en viktig beliggenhet helt avhengig av et verdenssamfunn der reglene følges og respekteres. Med vår geografiske beliggenhet og våre store naturressurser mener vi derfor at følgende hovedoppgaver må ligge til grunn for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk: å forhindre krig i vår del av verden å bidra aktivt til å bygge en rettferdig internasjonal rettsorden å bidra til nedrustning og avskaffelse av av masseødeleggelsesvåpen å sikre demokratiet og handlefriheten til folkevalgte politiske myndigheter å sikre fiskeriressursene i havområdene rundt Norge å sikre produksjonen av våre olje- og gassressurser på norsk sokkel å sikre økonomisk og økologisk stabilitet i våre nærområder å sikre norskekysten som trygg transportåre å sikre samfunnets infrastruktur infrastruktur Jeg mener at regjeringens framlegg til plan, som vi i dag behandler og vedtar, ivaretar disse prioriteringene. Til slutt vil jeg takke saksordføreren for god ledelse og et godt samarbeid. Det blir replikkordskifte. Med kjøpet av F-35 kampfly bekreftes de tette bånd til USA, og

Videre er det slik at jeg er omtrent like mye NATO-tilhenger som Jonas Likevel klarer vi godt å samarbeide i regjering. Opposisjonspartiene har ofte prøvd å skape et inntrykk av at SV er mot å ha en kampflykapasitet overhodet. Det er feil, og det har SVs landsstyre i lang tid slått fast. Det er således gammelt nytt når Morten Høglund prøver å problematisere kjøp av kampfly i seg selv for SVs del. Når det gjelder valget av F-35, har det jo nettopp vært veldig viktig for SV at skal vi kjøpe så dyre og så avanserte kampfly, skal vi ha full kontroll på prosessen, på pris og på framdriften i prosjektet. Det er jeg glad for at regjeringen har sørget for. Jeg merker meg f.eks. at opposisjonspartneren til Fremskrittspartiet, nemlig Høyre, mener at det skaper usikkerhet om prosjektet. Jeg mener tvert imot at det er et tegn på god styring, og det er

Men når SV kommer dit de egentlig lengter mest til, i opposisjon høsten 2013, kan man da stole på at SV står bak det vedtatte kampflyprogrammet i det hele tatt? Jeg synes dette programmet nå i løpet av en times tid er redusert til det veldig usikre. Representanten Myrli ga klart uttrykk for at man går for å investere i «inntil» 52 kampfly. Er vi nå i løpet av en times tid kommet ned på på 42 fly? Er det det som er signalet? Eller vil SV utstede en garanti med en begrenset holdbarhetsperiode? Saklighetsnivået til representanten Kristiansen kan det være verdt for mange her i salen og også dem på galleriet å merke seg. Å påstå at SV lengter etter opposisjon – det er jo bare å bemerke at SV nå sammenhengende har sittet lenger i regjering enn det Høyre noensinne har klart, og at SVs politiske rekker sitter på langt mer styringserfaring enn det Høyre gjør. Det gjenspeiler seg i måten Høyre har kommunisert på i store deler av behandlingen av denne handlingsplanen, bl.a. huskestueleken om hvor Høyre egentlig ville ha plassert hovedkampflybasen, som vi har vært vitne til de siste ukene, og som har skapt stor usikkerhet for mange av dem som sitter på galleriet, og som dette er en viktig beslutning for. Så kan jeg svare på Kristiansens spørsmål og det spørsmålet jeg fikk fra representanten Eriksen Søreide tidligere samtidig. Det er om det ligger en mistillit fra SVs side mot regjeringen i at vi markerer at vi er glad for at vi skal ha stor stortingskontroll på kampflykjøpet. Til det er det bare å svare at parlamentarisme ikke betyr mistillit. Selvfølgelig er det at vi står inne for vedtaket som gjøres i dag, men vi setter klare premisser for å bruke så mye som vi skal bruke i dag, det skulle bare mangle, og det føles rart at SV må belære pengepartiet Høyre om stram økonomiføring. Jeg synes representanten har ganske gode vurderinger i sine innlegg, og når man tenker på SVs opprinnelse som et parti som ble stiftet i stor grad på bakgrunn av å representanten har ganske gode vurderinger i sine innlegg, og når man tenker på SVs opprinnelse som et parti som ble stiftet i stor grad på bakgrunn av å være uenig med Arbeiderpartiet i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, har jeg lyst til å spørre, med den brede erfaringen som representanten selv nå henviste til at SV har fra regjering, om SVs syn på NATO er endret i løpet av den perioden man nå har sittet i regjering. Mener f.eks. SV nå at NATO faktisk også har en rolle som fredsbevarende allianse?

Kristelig Folkeparti, som med statsminister har brakt Norge inn i tre ulike kriger rundt omkring i verden, har litt erfaring med de problemstillingene. Hva angår vårt syn på NATO, framgår det helt tydelig av partiets program, og det har ikke forandret seg så lenge vi har sittet i regjering, men vi er selvfølgelig veldig fornøyde med å ha muligheten til å legge klare føringer både for kampflykjøp og for fokus på forsvar av våre nærområder, som kanskje ikke ville vært like tydelig til stede om SV ikke hadde sittet i regjering.

Vi i Senterpartiet er fornøyde med at denne enigheten videreføres også i denne langtidsplanen. I komiteen er vi enige om mye og uenige om en del, men vi har hatt et godt samarbeid i komiteen, og jeg vil spesielt takke saksordføreren for et godt utført arbeid. Det har vært jobbet lenge og grundig med denne planen, og vi har gjort store og viktige valg, som alle partiene stiller seg bak: Vi vil gå til innkjøp av nye kampfly. Vi viderefører kursen for Sjøforsvaret. fortsetter linjen med å ruste Hæren til å møte et nytt sikkerhetsbilde. Vi har valgt å opprettholde et solid heimevern over hele landet. For oss i Senterpartiet er det helt grunnleggende at vi har et forsvar med samsvar mellom ressurser og oppgaver. Vi mener at vi har det i dag, og at vi kommer til å ha det videre framover med den langtidsplanen som vi nå legger fram. Jeg, og flere med meg i denne salen, tilhører generasjonen som var ungdom under den kalde krigen. Jernteppet var et begrep, og det var den gangen vi hadde et invasjonsforsvar, hvis viktigste funksjon var å forsvare eget og alliertes territorium mot en klart definert trussel. Utviklingen i Forsvaret har gått enormt fort, og dagens innsatsforsvar er noe helt annet. Utviklingen fortsetter, og kapasiteter som var nyttige i går, kan være

Senterpartiet er forberedt på å øke forsvarsrammen for å kompensere for utgiftene som kampflykjøpet medfører. Jeg vil likevel understreke at Forsvaret selv, ikke minst Luftforsvaret, må være forberedt på å dekke store deler av kostnadene innenfor sine budsjetter. Regjeringspartiene har valgt å gjøre noen strukturelle grep som er vanskelige, men nødvendige, for at Luftforsvaret nettopp skal klare å dekke inn en stor del av kostnadene innenfor sine rammer. Kjøpet av nye kampfly åpner for å kunne organisere seg annerledes, ikke ved at rekkevidden blir større, men fordi en må gjøre noe med basestrukturen. Etter lange og grundige overveielser, og slett ikke uten diskusjoner i vår gruppe, har Senterpartiet gått inn for én hovedkampflybase. Vi har deretter blitt enige om at denne basen skal legges til Ørland, som faglig sett blir vurdert å være det beste alternativet. For å sikre norsk luftrom er det viktig at vi får det som kalles en framskutt operasjonsbase med QRA, Quick Reaction Alert, i nord, og denne vil vi legge til Evenes. Å vedta utfasing av kampflybasen i Bodø etter hele 60 år har ikke vært en beslutning som vi har tatt lett på. Spesielt i forhold til alle de ansatte i Bodø er dette en tung avgjørelse. I den forbindelse er det viktig – først og fremst av hensyn til den enkelte, men også av hensyn til at Luftforsvaret har et sterkt behov for kompetanse – å ta godt vare på personellet i denne vanskelige fasen. Det gjelder for øvrig også Rygge og Mågerø, som er andre steder hvor militær aktivitet blir utfaset. Det er mye usikkerhet rundt slike endringer som det vi står overfor, og det er viktig at omstillingene skjer på en så skånsom måte som mulig, og at en tar tiden til hjelp for å gjennomføre endringene. Etter hvert som Forsvaret trekkes ut fra Bodø, er det viktig at arealene som frigis, raskt kan tas i bruk til sivile formål, og at også den overgangen skjer så smidig som mulig. Det er også viktig for oss at miljøet i Reitan styrkes, ved at Generalinspektøren for Luftforsvaret, med staber, flyttes dit. Det har heller ikke vært lett for oss å gå inn for nedleggelse av Rygge og Mågerø, men det har da vært en forutsetning at miljøene i Reitan og Sørreisa skulle styrkes.

vært og som fortsatt blir smertefulle for lokalsamfunnene. Men vi mener de har vært nødvendige for å gjøre basestrukturen enda bedre tilpasset det moderne innsatsforsvaret. Det er litt paradoksalt at hele komiteen står samlet bak synspunktet om at Norge trenger et forsvar som er kontinuerlig oppdatert. Men det holder ikke bare å si det – det må også følges opp med handling. Her har regjeringspartiene turt å ta krevende valg og gjort noen grep, som enkelte steder er, mildt sagt, upopulære. Det er ikke opposisjonen villig til – samtidig som den i mange andre sammenhenger etterspør handling fra regjeringen. Grepene som regjeringspartiene nå tar, vil bidra til at Forsvaret kan håndtere den store kampflyanskaffelsen økonomisk. Opposisjonspartiene går inn for å kjøpe like mange kampfly som men det som er noe underlig, er at de ikke tar høyde for den varige økningen i driftskostnader som dette kjøpet fører med seg. Derfor får jeg ikke opposisjonens regnestykke til å gå opp, når de ikke er villige til å ta de strukturelle grepene som kutter kostnader i Forsvaret. Regjeringspartiene ønsker å prioritere forsvarsevne framfor å opprettholde infrastruktur. Når vi nå har tatt slike avgjørelser, står vi igjen med et forsvar der samsvar mellom midler og oppgaver er gode.

er derfor fornøyd med at regjeringen legger opp til å videreføre antall vernepliktige omtrent på dagens nivå. Det mener vi er viktig, både av politiske og fagmilitære årsaker. Det bidrar også til å befeste oppslutningen om Forsvaret i befolkningen. Vårt moderne innsatsforsvar er rett og slett avhengig av en solid vernepliktsordning for å kunne fungere optimalt. Vi er glad for at det er bred politisk støtte for å opprettholde verneplikten som grunnpilar for Forsvaret, men er opptatt av at også vernepliktsordningen tilpasses det moderne forsvaret, og at antallet vernepliktige som tas inn i førstegangstjeneste, må tilpasses Forsvarets behov. Modellen for landforsvaret som denne langtidsplanen legger opp til, sikrer både bred vernepliktsbasert rekruttering og gripbarhet, samtidig som vernepliktsordningen også sikrer rekruttering til HV. Jeg mener det er en løsning som er godt tilpasset det moderne norske forsvaret.

Det har vi sammen med de andre regjeringspartiene klart å sikre, og vi er veldig godt fornøyd med det. Vi registrerer også med glede at heller ikke hos de andre politiske partiene har det vært noen iver etter å kutte drastisk i Heimevernets styrker. Heimevernet er i dag den eneste delen av Forsvaret som har tilstedeværelse i hele landet, og det er også den delen av Forsvaret som flest av innbyggerne får et forhold til i løpet av livet. HVs betydning, både praktisk i krisesituasjoner og symbolsk i dagliglivet, må ikke undervurderes. Det som skjedde 22. juli i fjor, viser hvor viktig det er at vi har et aktivt HV som er til stede i hele landet. Antall henvendelser vi fikk fra bekymrede mennesker over hele landet, men spesielt i de regionene der HV-distriktene ble foreslått nedlagt, vitner om et stort og folkelig engasjement rundt HV.

Det blir replikkordskifte. Representanten Slagsvold Vedum sa i vinter at det var svært viktig å flytte helikopterbasen fra Rygge til Rena. Dette er ikke foreslått i meldingen, det er ikke foreslått i merknader, og det er heller ikke nevnt i innlegget til representanten Grøtting. Så nå lurer jeg på om det er slik at nå i juni synes ikke Senterpartiet at dette er svært viktig lenger, eller fikk ikke Senterpartiet gjennomslag i regjeringen for dette punktet heller?

at man nå trekker seg ut, forsvinner bort og attpåtil ønsker å tjene penger på det, all den tid Bodøs befolkning har vært vertskap – og et utmerket vertskap – for Luftforsvaret? Samtidig selger Forsvaret grunnen som «as is». Man gjør med andre ord ingen verdens ting for å ta vekk de skadelige sidene av 60 års historie.
For det første synes vi at det er veldig vanskelig å vedta nedleggelse av Bodø. Det sa jeg i innlegget mitt, og det har vi sagt mange ganger. Derfor har det vært viktig for oss å få styrket Reitan og andre steder i nord i denne langtidsplanen. Til spørsmålet om å selge grunnen «as is» har forsvarsministeren svart på det tidligere Det er ikke slik at Forsvaret trekker seg ut og overlater til det sivile samfunn å rydde opp. Det kommer til å bli ryddet opp og ordnet opp før dette området overtas av det sivile samfunn. Replikkordskiftet er dermed omme. Det er interessant for en som ikke sitter i komiteen, å følge denne debatten og

som er gitt i sakens anledning. Og for en som sitter i finanskomiteen, har det vært særdeles interessant å se på både spørsmål og svar i denne saken. Flere i denne sal er med i NATOs parlamentariske forsamling, også undertegnede. Sett i det perspektivet kan vi jo si at vi behandler en langtidsplan under helt andre forutsetninger enn de aller fleste andre NATO-land. Det er ganske betegnende – jeg vil si kanskje litt urovekkende – å se hvordan land etter land reduserer kraftig i sine forsvarsbudsjetter. Her snakker vi ikke om at det kun er av strukturmessige årsaker, her er det også av rent økonomiske årsaker. I den balansen det skal være mellom Europa og USA – jeg er klar over at jeg går litt utover kanskje er sakens kjerne nå – synes jeg det er et perspektiv som gir grunn til ettertanke. Også det som skjedde i etterkant, og det vi har sett etter Libya-operasjonene, gir grunn til å se på hvordan mange av NATO-landene egentlig er Det har vært interessant å snakke med parlamentarikere fra øvrige NATO-land om hvordan mange av medlemslandene i denne alliansen har opplevd situasjonen og de store utfordringene, også på parlamentarisk nivå. Så er jeg også enig i at vi får prøve å legge vekt på at det er mye enighet i denne innstillingen. Det er jo gjerne sånn at det blir uenighet og debatt om

men når det kommer til stykket, er dette – og det å sikre fred – en kjerneoppgave for oss. Primæroppgavene er knyttet til forsvar av vårt eget land. Men vi må også – og det har vi vist – bidra til fredsoperasjoner internasjonalt. Kristelig Folkepartis utgangspunkt vil alltid være at Norges forankring må være i folkeretten og i NATO. NATO. Nasjoners forsvarsevne bygges ikke opp over natten. Vi må stadig fornye vår forsvarsevne for å kunne møte endringer i trusselbildet. Faren for terror fra ikke-statlige aktører må tas på alvor, også spørsmålet om spredning av atomvåpen. Vi har sett at moderne samfunn i økende grad blir avhengige av data og digital kommunikasjon, som kan være utgangspunkt for angrep. Det gir ny sårbarhet. Derfor vil cyberforsvar – evnen til å beskytte oss mot angrep på landets digitale infrastruktur – få økende betydning i årene fremover. Verden forandres. Det kreves endringsevne og langsiktighet – samtidig – i vår egen planlegging. I den planperioden som nå ligger foran oss, vil selvfølgelig fornyelsen av Luftforsvaret, spesielt den kommende innfasingen av nye kampfly, være en sentral utfordring. Det vil kreve mye penger. Det er den største enkeltinvesteringen noensinne. Prislappen kan bli på både 60 og 70 mrd. kr – vi vet det ikke presist. Uansett er dette enorme investeringer, og mer enn det Forsvarets normale budsjettrammer gir rom for. Vi erkjenner disse usikkerhetene, og vi velger å legge til grunn de prinsipper som forsvarsministeren og regjeringen har gjort når det gjelder tidsrekkefølgen for beslutningene i kampflyanskaffelsen. Jeg synes vi skal minne hverandre om at dette også har betydning for andre ting. La oss ikke glemme at det er store investeringer som ledsages av et omfattende industrisamarbeid mellom norsk og amerikansk industri. Kristelig Folkeparti mener at denne anskaffelsen skal følges av midlertidige ekstrabevilgninger, utover en videreføring av dagens forsvarsramme. Dermed kan anskaffelsen av de nye kampflyene gjøres uten at det øvrige Forsvaret blir skadelidende. skadelidende. Jeg understreker da at vi støtter regjeringens forslag til økonomiske rammer for den kommende planperioden. Det er nå tverrpolitisk enighet om at det nye kampflyet skal være av typen F-35, fra Lockheed Martin. Det er også enighet om at ambisjonen er at Norge skal kjøpe 52 kampfly, dvs. 48 kampfly i tillegg til den allerede vedtatte anskaffelsen av fire treningsfly – og endelig: Et bredt flertall her støtter Et bredt flertall her støtter at hovedbasen for de nye kampflyene skal være Ørland flystasjon i Trøndelag. Alt dette gir jo et veldig godt grunnlag for forsvarsplanlegging videre – også for langsiktighet i den planleggingen – uansett skiftende regjeringer. Med Stortingets behandling av den nye langtidsplanen får Forsvaret etter vår mening den nødvendige forutsigbarhet. Så er det noen punkter der vi er uenige. Jeg vil ikke redusere disse til å være av distriktsmessig karakter, slik enkelte har prøvd på i denne debatten. Det er jo eksempler på at regjeringen har funnet det nødvendig å gå tilbake på tidligere vedtak, f.eks. vedtaket om å flytte Luftforsvarets rekruttutdanning fra Madla til Kjevik. Så det kan jo distriktspolitiske elementer som ligger til grunn for opposisjonens uenighet på enkelte punkter, selv om jeg skjønner at det er vondt og vanskelig for regjeringspartiene å ta det inn over seg. Spørsmålet om flytting av baser og forsvarsmiljøer har store konsekvenser. Det må vi erkjenne, og det er vel bakgrunnen for det antall spørsmål det har vært nødvendig å stille til regjeringen i denne saken, for, i hvert fall så godt vi kan, å være med på å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget. Vi mener det er tre punkter det er grunn til å stille spørsmål ved. Det første er lokaliseringen av den fremskutte QRA-basen for kampflyene. Vi mener fortsatt at vi trenger et bedre beslutningsgrunnlag før vi kan avgjøre hvor denne skal ligge. Men vi mener at mye kan tyde på at det er riktig å videreføre dagens kampflyaktivitet fra Bodø når det gjelder en fremskutt QRA-base. Vi ber derfor ærlig og åpent regjeringen om å komme tilbake med en nærmere vurdering av dette. Vi dette. Vi mener også at proposisjonens beslutningsgrunnlag ikke er tilstrekkelig til at vi vil støtte regjeringens forslag om nedleggelse på Rygge i Østfold. For det tredje støtter vi heller ikke nedleggelsen av Mågerø. Vi mener at det her ikke ligger en god nok operativ begrunnelse for forslaget.

operasjonelle evne, for å kalle det det. De som skal sørge for at det gis godt innhold for heimevernssoldatene, bør lese den artikkelen med særskilt interesse. Mot slutten – vi har øvrige innlegg der vi skal komme inn på noen av de andre sakene som vi her diskuterer – har jeg lyst til si at vi gjennom flere regjeringer og gjennom flere tiår har hatt, og jeg vil si det har vært et stort problem, en ubalanse mellom Forsvarets struktur og Forsvarets økonomi. Jeg vil gi regjeringen honnør for at man prøver å balansere dette, og jeg håper at vi gjennom den innstillingen som til syvende og sist vedtas,

Samtidig som Kristelig Folkeparti altså er bekymret for økonomien, vil de øke investeringene med 3 mrd. kr når de ønsker Bodø som framskutt base. De går imot, fordi de mener det ikke er godt nok grunnlag for de effektiviseringstiltakene som foreslås. Men, som representanten sa i sitt innlegg: Kristelig Folkeparti støtter regjeringens økonomiske ramme for planperioden. Dette kan jo ikke henge helt sammen, i hvert fall ikke for en som sitter i finanskomiteen.

Det er jo derfor vi har stilt mange spørsmål for å finne ut: Hva er bruttotall, og hva er nettotall? Hva er det det sivile samfunn skal ta hånd om av økte kostnader eventuelt, fordi det også er en sivil flyplass i Bodø, og hva er det naturlig at Forsvaret skal ta hånd om? Summen av dette gjør at vi ønsker å få et bedre beslutningsgrunnlag for akkurat det.

noe vi mener er nødvendig. Venstre er det partiet som ligger nærmest forsvarssjefens fagmilitære råd, noe som viser at vi tør der andre tier. Allerede nå har vi varslet at dersom det mangler penger på investeringssiden, bør vi vurdere om vi skal kutte i antall fly når den tid kommer. Men det får vi ta senere.

regjeringens omprioriteringer ikke er kostnadsberegnet i tilstrekkelig grad. Slik Venstre leser proposisjonen, blir det få reelle omstillingstiltak før etter 2016, og det er uklart hvordan videre drift gir rom for økt operativ aktivitet, noe som har vært forutsetningen for langtidsplanen. Venstre er med andre ord kritisk til realismen i finansieringsplanen proposisjonen bygger på. Dette beklager vi. Så litt om Heimevernet. Forsvarssjefen anbefalte i sitt fagmilitære råd å legge ned flere distriktsstaber og distrikt. Venstre deler forsvarssjefens intensjon, nemlig å spare driftskostnader som kan brukes til å trene de gjenværende styrkene. Venstre mener likevel det kan være fornuftig å opprettholde områdestrukturen, men mener det er på tide med en betydelig omlegging av Heimevernets struktur og innretning. Venstre er enig med flertallet i komiteen om at en slik omlegging vil kreve grundige analyser, men vil i likhet med opposisjonspartiene signalisere støtte til en slik omlegging. Venstre ønsker en styrking av Heimevernets operative evne og mener derfor det er fornuftig med et tydeligere skille mellom den delen av HV som skal kunne avvise militære angrep, og den delen som mer er en vakt- og sikringstjeneste. Venstre ønsker å styrke Heimevernets militære kapasitet gjennom å doble antall mannskaper i innsatsstyrken og gjennom mer trening av den øvrige styrken. For å finansiere dette ønsker vi å kutte i antall soldater, og vi ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan dette kan finansieres innenfor Heimevernets ramme. Heller ikke Venstre støtter nedleggelse av Rygge flystasjon. Vi støtter heller ikke flyttingen av generalinspektøren for luftforsvaret med staber. Kostnadene ved å flytte Luftforsvarets ledelse er store, og vi kan ikke se at fordelene med flytting oppveier dette. Venstre støtter derfor at Luftforsvarets ledelse med generalinspektøren for Luftforsvaret og Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektører videreføres på Rygge. Jeg vil kort nevne at vi deler opposisjonspartienes merknader når det gjelder nedleggelse av Luftforsvarets stasjon på Venstre ønsker å opprettholde dagens struktur med kontroll- og varslingsstasjoner på Sørreisa og Mågerø fordi vi mener at regjeringens løsning er vesentlig dyrere enn forsvarssjefens råd, uten at gevinsten er argumentert for i tilstrekkelig grad. Til slutt noen ord om kampflybase.

hvor store investeringer som må gjøres, og hvordan dette vil påvirke finansieringsplanen. Vi mener heller ikke at det er avgjørende at Stortinget fatter dette vedtaket akkurat nå. Venstre har derfor fremmet et forslag i salen om at det i tillegg til Ørland opprettes et detasjement i Nord-Norge med en opprettes et detasjement i Nord-Norge med en minimumsløsning på to pluss ett fly. Vi ønsker en militærfaglig og økonomisk vurdering av de ulike basealternativene – noe vi mener ikke ble gjort i tilstrekkelig grad da Evenes ble valgt. Med dette tar jeg opp Venstres forslag. Representanten Borghild Tenden har teke opp dei forslaga ho refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg synes det var et godt innlegg som min fylkesfrende på Akershus-benken holdt. Venstre har en fornuftig tilnærming til flere viktige forsvarsspørsmål. Men jeg har et spørsmål til Tenden angående Venstres forslag nr. 8, som er fremmet i salen i dag. Hva menes egentlig med det forslaget? Det er vurdert fem ulike alternativer for en fremskutt base i Nord-Norge: Banak, Bardufoss, Andøya, Evenes og Bodø. Vurderingene var helt klare. Evenes er den beste, og Evenes er også den klart billigste løsningen. Disse tallene er offentlig tilgjengelig, og Stortinget har sjølsagt tilgang til dem. Spørsmålet mitt til Venstre er egentlig: Er det flere alternativer enn de fem som skal utredes? Hva er egentlig Venstres mening med forslag nr. 8? Først vil jeg takke for rosen. Så vil jeg si at vi støtter Ørland som hovedbase – det er vi alle enige om. Vi mener det ikke er grundig nok utredet. Vi vil ha en mer militærfaglig og økonomisk vurdering.

framsynthet og beslutningsvilje. Det sikkerhetspolitiske bildet er broket. Nye stormakter vokser fram, og mens vår egen verdensdel er rammet av dyp og varig økonomisk og sosial krise, finner det sted en global maktforskyvning, ikke minst mot Asia. I Norges nærområder åpner den globale oppvarmingen for et gradvis isfritt Arktis, med store muligheter for både samarbeid og interessekonflikter. Sårbarheten i det digitale rom øker, og cyberspace framstår mer og mer som en ny selvstendig dimensjon i vår tenkning om hva forsvar er. Med slike komplekse utfordringer er det avgjørende med et moderne og tilpasningsdyktig forsvar som kan bygge en krigsforebyggende terskel. Sammenlignet med de fleste av våre europeiske partnere er det norske forsvaret i en svært privilegert situasjon. Vi bygger opp Men økte budsjetter fritar oss ikke fra å bruke fellesskapets midler på en god måte. Norge står nemlig også i en særstilling i hvordan vi har evnet å omstille og effektivisere Forsvaret i en periode med gode budsjetter. Mange av våre europeiske partnere har skjøvet lignende utfordringer foran seg og er nå tvunget til kortsiktige og svært dramatiske kutt, drevet fram av finanskrisen. Jeg vil takke representanten Syversen for hvordan han bidro med en realitetsorientering om hvordan forholdene faktisk er, og de man hører om i NATO-sammenheng. Norge har på sin side truffet tilsvarende beslutninger fordi de er kloke og framtidsrettet, ikke fordi vi var akutt tvunget til det. Forsvarssjefens egen årsrapport for 2011 gir en god illustrasjon på hvordan Forsvarets faktiske aktivitetsnivå nå øker i takt med at den krevende, men viktige omstillingen til et innsatsforsvar i stor grad er gjennomført. Gjennom de siste ti år har vekslende regjeringer truffet beslutninger som var omstridt der og da, men som har vist seg å ha framtiden foran seg. Forsvarets operative hovedkvarter er etablert på Reitan utenfor Bodø. Vi har kraftsamlet Hæren med et tyngdepunkt i Indre Troms og ett i Østerdalen, Sjøforsvaret er samlet i Bergen, på Sortland og i Ramsund. Der er de, og der skal de være. Det skaper ro og forutsigbarhet for de forsvarsansatte og deres familier, og det gir rom for kraftige investeringer i disse områdene. Det er svært sjelden – som representanten Myrli minnet oss om – at folk vil ha tilbake de anleggene som ble lagt ned, selv om det var svært omstridt også i denne sal da det skjedde. Nå er det Luftforsvarets tur. Luftforsvaret står foran en like nødvendig prosess for å prioritere sin operative virksomhet som Sjøforsvaret og Hæren tidligere gjorde – og nå har gjennomført. La meg minne om at under behandlingen av inneværende langtidsplan, altså St.prp. nr. 48 for 2007–2008, uttalte en enstemmig forsvarskomité at reformgrep også for Luftforsvarets basestruktur var nødvendig for en langsiktig og forsvarlig forvaltning av forsvarsevnen. Jeg siterer – fra en samlet komité i 2008: Luftforsvaret fortsatt er preget av en arv som representerer en kostnadskrevende spredning av virksomheten. Dersom dette ikke endres, vil utgiftene til å opprettholde basene fortsette å trekke ressurser på bekostning av Forsvarets operative evne. Komiteen deler derfor Regjeringens oppfatning av at Luftforsvaret i fremtiden bør videreføre bredden av sine kapasiteter, men konsentrert til færre baser med utgangspunkt i at like fagmiljøer samlokaliseres der det er rasjonelt.» Dette var kloke ord. Nå er vi der. Det er vi som skal ta disse valgene. I Norge har vi en lang tradisjon for en bred politisk enighet om hovedlinjene i forsvarspolitikken. Jeg er glad for å konstatere, som komitélederen også helt riktig gjorde, at det også ved denne korsvei foreligger en enighet på de aller fleste punkter. Denne langtidsplanens aller viktigste beslutning dreier seg om anskaffelsen av Norges nye kampfly, av typen F-35. Dette er en investering på intet mindre enn 60 mrd. kr. Beløpet er tilnærmet identisk med det vi la fram i 2008, og det er jeg glad for å konstatere. At komiteens innstilling er enstemmig på dette punkt, er svært viktig for et lite land. Vi kjøper ikke kampfly kun for Luftforsvarets skyld – vi kjøper kampfly for hele Forsvaret. For uten en troverdig evne til å beherske vårt eget luftrom gir investeringer i sjø- og landstridskrefter rett og I en tenkt høyintensitetskonflikt i og rundt Norge er vår evne til å kontrollere egne land- og sjøterritorier avhengig av at vi har kontroll i luften. På dette området er det rett og slett ikke nok å bli en god nummer to. Kampflyene opererer dog ikke i et vakuum. Regjeringens forslag om å etablere et luftoperasjonssenter på Reitan utenfor Bodø må ses som en logisk følge av kampflybeslutningen. Luftoperasjonssenteret – også kjent som – vil ha som formål å planlegge og lede komplekse luftoperasjoner. Kun på denne måten får vi full effekt av kampflyanskaffelsen. Etter regjeringens syn bør dette komme til erstatning for én av de to kontroll- og varslingsstasjonene som vi i dag opererer. Dette er altså i tråd med det komiteen mente ved forrige korsvei. Regjeringens syn er at taktisk luftkontroll og varsling samles på CRC Sørreisa, mens CRC Mågerø legges ned og NAOC opprettes på Reitan ved Bodø. Det var også slik at vi ved forrige langtidsplan plasserte Luftforsvarets øverste ledelse midlertidig i Rygge, inntil vi visste hvordan kampflystrukturen ville bli. Det vet vi nå, og vi mener at denne bør legges til Bodø og knyttes nært opp til det nye luftoperasjonssenteret og til Forsvarets operative hovedkvarter. Så er jeg glad for at samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, støtter regjeringspartienes forslag om at det skal være én hovedbase for kampfly i Norge – én, ikke to – og at den skal legges til Ørland. Det er meget viktig for Luftforsvaret og dets ansatte at de får denne avklaringen. Ørland gir oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle framtidens kampflyvåpen. Jeg konstaterer videre at det er enighet om å etablere en mindre, framskutt operasjonsbase i og at uenigheten begrenses til hvor denne skal ligge. Av de fem vurderte alternativene til framskutt base – Banak, Bardufoss, Andøya, Bodø og Evenes – har regjeringen landet på Evenes. Denne løsningen er operativt god, samtidig som den krever færrest nyinvesteringer, og den støttes av forsvarssjefen og generalinspektøren for Luftforsvaret. Til Borghild Tenden, som mente hun ikke hadde fått svar på kostnaden: Det koster 56 mill. kr i investering og 76 mill. kr i drift å gjennomføre den løsningen. Det står i et av de mange svarene vi har hatt gleden av å oversende til Stortinget, i forlengelsen av at vi også sa det samme i langtidsplanen. Vi vil styrke Hærens reaksjonsevne og fleksibilitet. I Troms skal brigadens 2. bataljon opprettholdes og inngå som en del av en arktisk innsatsstyrke. Panserbataljonen skal – i tråd med forsvarssjefens forslag – videreutvikles som en tungt pansret bataljon, med en betydelig større andel vervet personell i kombinasjon med noen vernepliktige mannskaper. Også Telemark bataljon får et innslag av vernepliktige. Dermed beholder vi en fullverdig brigadestruktur i Norge og sikrer samtidig vernepliktens fortsatte relevans. I en egen sak i dag foreslår regjeringen dertil å gjennomføre tidenes største materiellanskaffelse til Hæren. Det dreier seg om 146 nye og oppgraderte pansrede kjøretøyer, støttekjøretøyer, taktiske droner med tilhørende logistikk. Dette er intet mindre enn Hærens F-35-prosjekt. Det representerer et kraftig løft for vår landmakt og koster 9,3 22. juli og ekstremværet på Vestlandet minnet oss om at vi kan oppleve alvorlige kriser også i fredstid, som setter samfunnets samlede beredskap på prøve. Selv om Forsvarets hovedoppgave er av sikkerhetspolitisk art, er det svært viktig at samtlige av Forsvarets relevante ressurser er tilgjengelige og trent for samvirke med politi og sivile myndigheter. Vi videreutvikler og styrker som kan yte viktige bidrag både i sikkerhetspolitiske kriser og gjennom bistand til det sivile samfunn. Jeg vil berømme forsvarssjefen for å ha levert et solid fagmilitært råd som grunnlag for langtidsplanen. Regjeringen har fulgt mange av anbefalingene, men har også foretatt en del alternative valg. Der våre konklusjoner har medført høyere kostnader, har regjeringen systematisk tatt økonomisk høyde for dette. Langtidsplanen legger opp til en økning av driftsbudsjettet for Forsvaret i Norge på 634 mill. kr per år, sammenlignet med forsvarssjefens forslag, gjennom å reinvestere penger som tidligere har blitt bundet opp til oppdraget i Afghanistan, og som egentlig skulle tilbake til Finansdepartementet. Dette blir nå en varig styrkning av budsjettet. Jeg merker meg at opposisjonen ikke har fremmet klare forslag til alternative løsninger, men ønsker flere utredninger. Regjeringens anbefalinger er basert på svært grundige vurderinger og omfattende bruk av ekstern kvalitetssikring. Vi har levert langtidsplanen. Vi gir Stortinget et omfattende underlagsmateriale, og vi har som nevnt svart på hele 291 spørsmål fra Stortinget – til dels om det samme som ble omtalt i langtidsplanen. Jeg tror det knapt finnes ett relevant spørsmål som ikke er både stilt og besvart. Det er en tid for alt. Det som nå kreves, er vilje til å trekke de nødvendige konklusjonene. Politikk handler i bunn og grunn om å treffe valg. Det blir replikkordskifte, begrenset til inntil seks replikker. Jeg har registrert at statsråden har vært bekymret for opposisjonspartienes fokus på løsning i Bodø, han har uttalt at det er viktigere med kuler og krutt enn med asfalt. Det har han selvfølgelig lov til å mene, men hvis dette er en prinsipiell tilnærming, som jeg regner med at det er, har jeg en utfordring til statsråden. Det er et faktum at regjeringen for ikke så veldig lenge siden åpnet Halden fengsel. Der har man altså investert i kunst på mellom 5 og 10 mill. kr til pynt for de innsatte. Hvorfor bruker man ikke disse midlene til økt cellekapasitet? I tillegg er det slik at at man innen samferdselssektoren lar bilistene, gjennom bompenger, betale for pynt langs veien. Hvorfor bruker man ikke de pengene til mer asfalt? Hvis det er slik at stastråden er opptatt av dette prinsipielt, hvorfor gjennomfører ikke regjeringen det prinsippet gjennomgående – eller er det bare i denne saken, fordi det er politisk opportunt?

Det er et vedtak vi er uenig i. Å ha en strategi der man samler alle egg i én kurv – eller for å si det slik, å ha ett egg i én kurv – er ikke en god strategi når det gjelder Forsvaret. Men i debatten om nedleggelsen av Mågerø har det blitt reist en debatt om hvordan arbeidsplassene som forsvinner, skal fordeles mellom Sørreisa og Reitan. Jeg vil gjerne ha et klart svar fra statsråden: Hvordan skal fordelingen av de ca. 100 arbeidsplassene være?

Sørreisa, bl.a. fordi vi mener at Sørreisa er et svært moderne anlegg som egner seg godt til dette. Når det gjelder arbeidsplasser fra Mågerø, vil noen av dem gå til Bodø, Reitan, hvor de vil bidra til å bygge det nye luftoperasjonssenteret, som er noe annet enn CRC, hvor man skal lede og planlegge komplekse luftoperasjoner og samvirke med FOH om å koble luftmakt til landmakt og sjømakt. sjømakt. Så vil andre stillinger gå til Sørreisa, avhengig av de funksjoner som skal fylles. Jeg driver ikke og disponerer enkeltstillinger. Jeg er opptatt av å fortelle Forsvaret hvilke funksjoner som skal fylles hvor. Den delen som altså skal dekkes utenfor Forsvarets ordinære rammer, blir i langtidsplanen redusert med mellom 9,5 mrd. kr og 15,5 mrd. kr, i forhold til det forsvarssjefen foreslo i sitt fagmilitære råd. I svar til komiteen har Forsvarsdepartementet sagt at regjeringa vurderer at denne reduksjonen ikke ville være avgjørende når det gjelder å kunne videreføre dagens forsvarsambisjon på sikt. I proposisjonen omtales reduksjonen som noe mindre investeringsmidler. Hvilken del av investeringsporteføljen mener forsvarsministeren at man kan fjerne uten konsekvenser for den samlede forsvarsambisjonen?

9,5 mrd. kr av dem er altså 1,7 pst. av dette. Vi styrker samtidig driftsrammen i den samme perioden med 7 mrd. kr. Den forskjellen er relativt liten. I vår plan vil 10,9 pst. av forsvarsbudsjettet gå til kampflyinvestering, og 38 pst. av investeringsbudsjettet vil gå til kampflyinvestering. Det synes ikke jeg er urimelig. Det kan jo ikke være helsebudsjettet og Kunnskapsdepartementets budsjett som skal betale kampfly. Det må nesten skje på Forsvarsdepartementets budsjett, og det styrker vi altså med inntil 28 mrd. kr. Jeg mener at alle de andre tiltakene som ligger i denne planen, blir finansiert, f.eks. Hærens største anskaffelse noensinne av 146 stormpanservogner. Statsråden sa at alle relevante spørsmål er både stilt og besvart. Jeg vil si at det er

svar. Hvor er det man kan gjøre mindre investeringer i intervallet 9,5–15,5 mrd. kr, uten å gå på bekostning av forsvarsambisjonen? Det stiller jo egentlig forsvarsministerens omtale av den avgjørelsen vi gjør senere i dag, som er tidenes største investering for Hæren, på 9,3 mrd. kr, i et annet lys, når den er under den nedre delen av dette intervallet. La meg først si at det ikke er slik at forsvarssjefen kom med et selvstendig forslag. Forsvarssjefen refererte vår egen plan – og den kjenner jeg ganske godt, fordi jeg var med og skrev den som statssekretær i 2008 – for hvordan en rask innfasing av kampfly i perioden 2016–2020 skulle skje. Det var med svært store topper, så store topper at den regjering som vil sitte i f.eks. 2019, ikke vil ha råd til å bevilge penger til noen andre ting utover å videreføre fjorårets budsjett på noen områder enn til kampfly. Jeg kjenner ikke den regjering som vil legge alle pengene i den kurven. Derfor valgte vi å strekke investeringene over selv med 28 mrd. kr i stedet for 37,5 mrd. kr, er at den årlige belastningen på Forsvarets vanlige investeringsbudsjett ikke blir spesielt mye større. Dette styrer vi gjennom noe som heter Derfor sier jeg igjen: Det er ingen foreslåtte tiltak i denne planen som ikke kan finansieres innenfor denne rammen. Derfor er det altså ikke noen konkrete ting jeg har tenkt å ta ut, men jeg vil passe på at det er stram og tydelig styring, at vi kjøper hyllevare der det er mulig, at vi samarbeider med andre land under konseptet «Smart Defence» og klarer å reprodusere strukturen slik vi har lagt opp til. Jeg har lyst til

kunne påvirke det. Istedenfor å være veldig retorisk hadde jeg tenkt å spørre: Hvilke kritiske punkter anser forsvarsministeren i særlig grad kan påvirke den mer ordinære drift i Forsvaret Dette er et veldig viktig spørsmål. Det er egentlig en av hovedoppgavene til en forsvarsminister å identifisere dem, og det er noe som man gjør både i det lange løp og fra år til år, og prøver å møte med kloke grep. Ny teknologi koster penger, ny teknologi skaper også løsninger som gjør at gammel teknologi blir overflødig. Det gjelder å ha mest mulig fornuftig og optimal innfasing av utstyr, slik at man øker Forsvarets operative evne. Forsvarssjefen sier i sin årsberetning for 2011 at nivået er betydelig høyere i 2011 enn i 2010, og at trenden er positiv. Det er jeg veldig glad for, og det er fordi vi gjør disse tingene. Men rent umiddelbart tror jeg min fremste utfordring er å hindre at folk nå i denne sal bruker anledningen til å bruke forsvarsbudsjettet på å bygge rullebaner Forsvaret ikke har bedt om – og ikke har bruk for – eller å opprettholde struktur som Forsvarets ledelse er enstemmig om at man ikke lenger trenger, for det er i hvert fall en god grunn til å skape bekymring for økonomien. Regjeringen planlegger en fremskutt operasjonsbase på Evenes, og flere i Venstre er

Vi anslår at 10 pst. av styrkeproduksjonen skal skje derfra, ikke sammenhengende, men altså i perioder. I en krigssituasjon derimot ser jeg for meg at en betydelig del av flåten blir flyttet opp fordi Evenes egner seg godt som utgangspunkt for mer skarpe operasjoner når det gjelder både beliggenhet og robusthet i den basen. Jeg har bare lyst til å bruke anledningen til å si at vi har ikke kampfly for fredstid. Vi har kampfly i fred for å bruke dem hvis det blir krig. Derfor er det altså litt forskjell på hva man bruker en base til i en krigssituasjon, og hva man bruker en base til i styrkeproduksjon, hvor det gjelder å trene og vedlikeholde kompetanse. Replikkordskiftet er dermed omme. Det er en viktig debatt vi har i dag, for det å vedta en langtidsplan for Forsvaret er ingen liten sak. Forslaget til langtidsplanen, som regjeringen har

Det synes jeg er bra, og det tror jeg også er sunt. Jeg mener regjeringen har lagt fram en plan og et økonomisk grunnlag som er solid og bra. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi skal ha et forsvar som er tilpasset framtiden, og en plan og et forsvar som er i økonomisk og strukturell balanse. Vi skal ha det Forsvaret vi trenger. I regjeringens forslag har man valgt å fokusere på betydningen av det å ha et godt og kompetent personell. personell. Her blir det viktig framover med en gjennomgang av hvordan beholde kompetanse og hvilken befalsordning vi bør ha. Det ble slått tydelig fast at verneplikten står ved lag, og at man skal vurdere å gjøre verneplikten kjønnsnøytral. Det siste skal jeg innrømme at jeg er veldig for, og jeg er glad for at komiteen støtter en sånn vurdering av nettopp det. Regjeringen har hatt en grundig gjennomgang av Sjøforsvaret, Jeg er veldig fornøyd med at man går lenger enn forsvarssjefens fagmilitære råd og beholder Heimevernets distriktsstruktur sånn som den er i dag, med et mannskap på 45 000. Jeg mener også det er riktig å videreføre tre manøverbataljoner ved Brigade Nord. Den største og den dyreste beslutningen som Stortinget skal ta i dag, er anskaffelsen av nye kampfly. Det er en samlet komité som går inn for å anskaffe inntil 52 F-35 kampfly. Jeg mener det er viktig at dette blir et enstemmig vedtak det gir forutsigbarhet. Når det gjelder Luftforsvarets samlede struktur, foreslår regjeringen en omfattende omlegging. Det skaper selvfølgelig stor debatt – kanskje særlig når det gjelder hvor Norges framtidige kampflybase skal være. Etter en grundig vurdering, utredning og ekstern kvalitetssikring landet regjeringen på å velge å ha en hovedbase for kampfly lokalisert på Ørland, og en framskutt operasjonsbase på Evenes. Begrunnelsen for dette er rett og slett at vi mener mener at da får vi den beste løsningen sikkerhetspolitisk, operativt og økonomisk. Valget av Ørland er tatt fordi vi da får en base som gir optimale betingelser for daglig styrkeproduksjon, og som gir handlefrihet og fleksibilitet for framtiden. Det er lite sivil lufttrafikk der, og det er et godt utgangspunkt for samtrening med de andre forsvarsgrenene. Jeg er glad for at det er Alle partiene i komiteen, unntatt Fremskrittspartiet, støtter Ørland som enebase. Fremskrittspartiet vil ha det som i dag, med både Ørland og Bodø. I den forbindelse har jeg behov for å si: Jeg forstår at dette er vanskelig for Bodø og for flere representanter her på Stortinget, for det er ikke enkelt å legge ned en base. Jeg er selv fra det fylket som får kampflybasen, og er veldig glad for det, men jeg vet også hvordan jeg ville hatt det hvis beslutningen lå an til å bli motsatt. Men vi mener at Ørland er et riktig valg – for Forsvaret og for landet. Det som blir viktig framover, er å ha en god prosess med de ansatte på Bodø flystasjon og befolkningen for øvrig. Da har jeg et hjertesukk. Gjennom mange medieoppslag i lang tid har det blitt framstilt at Høyre er for fortsatt drift i Bodø. Det er ikke riktig. Høyre er for å legge ned den kampflybasen som er der i dag. Det Høyre – og Kristelig Folkeparti – foreslår, som Sverre Myrli også påpekte, er å be regjeringen om å utrede en løsning for Bodø som en framskutt base. Det er en ganske stor forskjell. For det første:

Men det er viktig å være ærlig og redelig og ikke bidra til å skape mer usikkerhet. Det fortjener ingen, aller minst befolkningen i Bodø. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som tar forsvars- og sikkerhetspolitikken seriøst. Det er en viktig plan vi skal vedta her i dag. Jeg håper på en fortsatt god debatt.

Jeg skal ikke ta debatten om hvorvidt dette er fornuftig ordbruk fra politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, men Ingebrigtsen har helt rett i at vi må legge til rette for et forsvar i dag som makter å løse uforutsette oppgaver og trusler om 10–20 år. Det som virker utenkelig nå, kan bli realiteter. Og det er all grunn til å mene at de største utfordringene ligger i nord. Den beste garantien for fred og stabilitet i området er at vi har operativ evne til å ivareta grunnleggende oppgaver, som suverenitetshevdelse og tilstedeværelse. Økt aktivitet på mange fronter, militært og sivilt, i nordområdene utfordrer oss på nye måter, også sikkerhets- og beredskapsmessig. Alle eksisterende stater i nord bygger opp kapasitet, og stater utenfor Arktis finner veien inn i området. Aktivitet vil foregå hele året, hver dag, og dette må reflekteres i vårt operasjonsmønster. Mye av det som skal skje i nord, innebærer store verdier for Norge. Da må vi evne å ivareta disse. Historien har lært oss at uventede ting skjer. Både i nær og fjern historie finnes det en rekke geopolitiske og mer lokale hendelser som har satt både Norge og verden på prøve. Det vil være fullstendig ansvarsløst å legge rammer for et forsvar av Norge som kun tar inn over seg det som er kjent. Kriser og uventede hendelser kjennetegnes åpenbart ved at det ikke gis lang varslingstid – de kommer som lyn fra klar himmel. De kan komme når som helst, og da er det avgjørende at viktig beredskap fungerer – hele tiden. Det tas nå noen grep, ikke minst kjøp av nye kampfly, som vil kunne være med og løfte vår forsvarsevne. Men det forutsetter at elementene kommer på plass – og i tilstrekkelig grad – og at de evner å være operative. Det nytter lite å ha et høyteknologisk forsvar med dyre komponenter hvis vi ikke makter å ha dem i drift. Vi kan ikke basere Forsvarets suksess på hvilke enheter som eksisterer på papiret, uavhengig av styrkenes kapasitet og faktiske beredskap. Det å sammenligne forsvarsbudsjettene fra et år til et annet og forsvarsbudsjettet i Norge med en del andre alliertes er sikkert en grei øvelse, men det blir veldig ufullstendig. Det gir ikke nødvendigvis svaret på om vi har et forsvar som fungerer etter hensikten, eller som er dimensjonert for oppgaven. Det må være de sikkerhetspolitiske utfordringer som ligger til grunn for en slik vurdering. At vi budsjettmessig slår en del andre NATO-land, er for så vidt uvesentlig hvis vi ikke makter å ha et forsvar som tar våre utfordringer på alvor. Forsvarssjefen mener han trenger mer penger for å gjennomføre de endringer som nå er foreslått. Det får han åpenbart ikke av regjeringspartiene, og det vil få konsekvenser. Jo lengre tid det går med underfinansiering av ulike oppgaver i Forsvaret, jo mer problematisk blir det. Man vil sikkert kunne fremstille oversikter som viser en lang rekke kapasiteter, men muligheten til faktisk å være i aktivitet vil begrenses. Hvis man ikke evner å finansiere den struktur som nå skal vedtas, påtar man seg et enormt ansvar. Hvis det ikke finnes penger til alle gode ønsker og den vedtatte struktur i Forsvaret, må det gjøres valg – ikke undergrave Forsvaret i sakte fart. fra enkelte representanter fra regjeringspartiene som at det er kun opposisjonen som stiller spørsmål ved om den foreslåtte struktur er bærekraftig. Jeg vil si at vi er i godt selskap – forsvarssjefen har vært nevnt, BFO har vært nevnt. Jeg vil også sitere fra høringen fra Institutt for Forsvarsopplysning, som sier at det foreslåtte «vil medføre at det ikke er mulig å opprettholde forsvarsstrukturen uten betydelige tilleggsbevilgninger».

forhold til Arbeiderpartiet for å tro på den retorikken som her fremføres. Jeg deler fullt og helt representanten Høglunds beskrivelse av de økonomiske forhold når det gjelder langtidsplanen. dessverre ikke noen tvil om at heller ikke Norge, den nasjonen i NATO-alliansen som er best rustet økonomisk til å kunne ha en økonomisk utvikling av Forsvaret i tråd med NATO-normen, makter å oppfylle denne normen. Vi ser eksempelvis – til sammenligning – at økonomisk har kulturbudsjettet fått en mye større oppmerksomhet med tanke på tiden som kommer, enn forsvarsbudsjettet. Det er en situasjon hvor også langtidsplanen preges av mangel på oppmerksomhet rundt de sikkerhetspolitiske utfordringer vi står foran, med et NATO som står til knes økonomisk og har betydelige problemer med i det hele tatt å kunne bidra på planlagt nivå så langt som til 2012. Vi vet at situasjonen vil forverres ytterligere i tiden som kommer. I en sammenlignbar situasjon ser vi er synlig lenger nord, og at Russland øker sitt forsvarsbudsjett med rundt 20 pst. per år. Regjeringens og Barth Eides svar er å uttrykke glede i sin pressemelding over at vi løser dette med et fikenblad i form av to kampfly plassert på Evenes, hvor personell skal pendle fra Ørland og oppover til Evenes. Dette oppover til Evenes. Dette betyr at vi svekker vårt nærvær i to tredjedeler av det området i landet hvor vi har myndighetsansvar – der skal vi være mindre til stede fremover. Jeg minner om at det antagelig bare er én eneste grunn til at vi vedtar nasjonens største fastlandsinvestering i dag ved kjøp av F-35, og det er at vi har en nabo i nordøst som vi må forholde oss til i fremtiden på en troverdig måte. Jeg forstår det slik at Forsvarsdepartementet har sin største vekst innenfor kommunikasjonsavdelingen. Man påstår at representanter fra opposisjonen lover gull og grønne skoger, og at vi driver valgkampstrategi. Vel, det kan man tro hva man vil om – det er i hvert fall eksperter på området som uttaler seg. Når man fra ledelsen i Forsvarsdepartementet går til det grep ledelsen i Forsvarsdepartementet går til det grep å si at vi lyver, synes jeg man bringer debatten på et nivå jeg hadde håpet vi kunne klare å unngå. Jeg har ikke sett noen som har deltatt hittil i debatten, som har basert sin politikk på langtidsplanen ved hjelp av løgn. Uansett er det heller ikke slik, som statsråden sier i sin pressemelding, at regjeringen ikke er innstilt på å bruke milliarder på asfalt, på ny rullebane i Bodø, istedenfor

og hvor regjeringspartienes representanter i Stortinget omtrent ikke har bidratt til å få flyttet et eneste komma. Man har galant lagt til side forsvarssjefens militærfaglige råd, og når vi på et helt vesentlig punkt foreslår en annen løsning – nemlig å gå inn for å bevare den beste delen av den spisse enden i det norske forsvaret, hovedflystasjonen i

renommerende resultater. Den delen vil altså regjeringspartiene gruse i dag, ved å sørge for å legge ned og bli kvitt Bodø. Man skal ta med seg en sjekk på 1,3 mrd. fra Bodø og finansiere driften av Ørland med. Dette er regnestykker som ligner på et korthus som ikke henger sammen. Jeg synes det er interessant at Senterpartiets representant sier at regjeringspartiene vil rydde opp etter seg i Bodø. Vi finner dessverre ikke et eneste øre, ikke en krone, i den økonomiske pakken fra regjeringen til å løse den utfordringen. Så spørsmålet om omkamp er det ingen i dag som er i stand til å svare på før vi får sett de reelle regnestykkene med kostnaden ved å etablere en fortsatt drift i Bodø og kostnaden ved å utvikle de øvrige delene som foreslås i proposisjonen.

men ut i den andre enden har vi fått et moderne forsvar som løser oppgaver både hjemme og ute. Mange av debattene vi har her på Stortinget for tiden, viser den store kontrasten mellom det som skjer der ute i den store verden, og de mulighetene vi i Norge har. Forsvarsdebatten er ikke noe unntak. Mens finanskrise og eurokrise har satt mange forsvarsbudsjett under press, har vi i Norge en befolkning som er i arbeid, og vi har orden i økonomien. økonomien. Det gjør det mulig for oss å investere ytterligere i et forsvar for framtiden, et av verdens mest moderne forsvar, basert på høy kompetanse og teknologi. Samtidig må vi fortsatt gjøre jobben med å sørge for at vi har en struktur og en organisasjon som er satt opp på en måte som gjør at vi får mest mulig forsvar igjen for pengene. For Norge er det selvfølgelig viktig å ivareta egne interesser i nærområdene, spesielt i nord. Nordområdene er Norges fremste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken, og her skal vi også ivareta økonomiske interesser og miljøer. For de generasjonene som kommer etter oss, åpner denne delen av Norge for nye, store og spennende utviklingsmuligheter. Delelinjeavtalen er på plass, grenseboerbevis er innført, og det omfattende ulovlige fisket er avskaffet, ikke minst takket være Kystvaktens effektive og kompetente innsats. Forsvarets tilstedeværelse i nord skal bygge opp under denne utviklingen også i framtiden. Forsvaret er tungt til stede i nord, og skal være det, være det, til tross for at den nye kampflybasen legges til Ørland. Jeg forstår veldig, veldig godt at folk i Bodø er skuffet over den konklusjonen. De omstillingene Forsvaret gjennomgår, berører byer og lokalsamfunn – det er ikke til å komme forbi – og slik var det også sist vi behandlet langtidsplanen, og det fellesoperative hovedkvarteret ble lagt til Bodø – til jubel der – og til stor skuffelse i Stavanger. Representanten Kristiansen gir etter min mening et veldig fortegnet bilde av Forsvarets innsats og tilstedeværelse i nord. Bodø kommer fortsatt til å være vår forsvarshovedstad, og vil med denne planen bli tilført nye, tunge oppgaver. I tillegg blir det en ny framskutt base på Evenes og kontroll og varsling i Sørreisa, og med det som ellers ligger av hærstruktur, grensevakt og øvrig forsvarsstruktur, vil Forsvaret ha det beste utgangspunktet for å kunne fylle sin rolle i nord også i årene som kommer. Det er interessant å høre hvor Høyre legger seg i denne debatten. Når Høyre i andre debatter blir utfordret på sin på hvor kuttene skal tas, er svaret alltid at vi skal bare gjøre ting litt mer moderne og litt mer effektivt. Men når det kommer til stykket, Da er det åpenbart viktigst å sitte rolig i båten og prøve å ikke bli uvenner med noen. Det synes jeg er veldig tydelig i denne saken. Realiteten er at Høyre støtter regjeringen i kampflyspørsmålet. Den eneste forskjellen er at man vil ha utredet en framskutt base i Bodø, noe som er grundig utredet gjennom regjeringens arbeid. Så lurer nok folk i Bodø på, som meg og som mange av de andre representantene i salen har tatt opp, hvorfor opposisjonen ikke stemmer sammen med regjeringspartiene for å flytte Luftforsvarets ledelse til Reitan. Svaret på det er nok at Høyres engasjement for Bodø ikke stikker så dypt når det kommer til stykket ei heller mantraet om å gjøre ting litt mer moderne og litt mer effektivt. Det har vore mykje snakk om materiell og lokalisering her i dag. Det er

Eit innsatsforsvar inneber at vi som nasjon må sende kvinner og menn ut i verda på internasjonale oppdrag. Sidan den andre verdskrigen tok slutt, har over 100 000 norske soldatar tenestegjort i ulike land og kjempa mot det vonde og for dei verdiane som vår nasjon er bygd på, slik som fred, Dei aller fleste som tenestegjer i utlandet, kjem styrkte ut av det. Men for enkelte har utanlandsinnsatsen kosta svært mykje. I tillegg til dei som blir sende heim i kiste, kjem mange tilbake til Noreg med fysiske og ikkje minst psykiske skadar og minne som er tunge å leve med, noko dei høge sjølvmordstala blant veteranar dessverre bekreftar. I innstillinga på side 8 står følgjande: «Forsvaret skal vektlegge ivaretakelse av personell som deltar i internasjonale operasjoner og deres nærmeste både før, under og i tiden etter en operasjon.» Når det gjeld tida før og under ein operasjon, trur eg oppfølginga ein får i dag, er god og tilfredsstillande. Når det derimot gjeld oppfølginga i tida etter ein utanlandsoperasjon, meiner eg at Forsvaret og samfunnet har svikta. Forsvaret har riktignok blitt betre på oppfølging dei siste åra, svikten er mindre enn før, men framleis kan mykje gjerast langt betre. Eg trur ikkje nokon har betre føresetnader til å forstå veteranar som slit, enn veteranane sjølve. Fleire stader i landet er det tilstellingar og arrangement som er organiserte av veteranar for veteranar. Kronstad Hovedgård i Bergen er ein stad der det går føre seg mykje bra aktivitet for veteranar. Der har ein tilstellingar der ein har tilbod om alt frå kaffi og vaflar til pils og pizza. Blant anna har ein den siste fredagen i kvar månad ei samling i kjellaren på Kronstad Hovedgård i det dei kallar Shelteret. Der møtest Gaza-veteranar, Kongo-veteranar, Jugoslavia-veteranar, Libanon-veteranar og Afghanistan-veteranar og også veteranar frå andre operasjonar i ein uformell setting. Der kan veteranar Afghanistan-veteranar og også veteranar frå andre operasjonar i ein uformell setting. Der kan veteranar snakke med veteranar om det dei ønskjer å snakke om, i trygge omgivnader. Eit slikt opplegg er det det dessverre ikkje mange andre stader i landet. I Trondheim er det no veteranar,

Dei har ein lokalitet dei jobbar med, men der set Trondheim kommune seg på bakbeina fordi dei ønskjer å bruke desse lokalitetane til andre ting i staden, utan at det har blitt noko ut av det. Eg håpar uansett at det på ein eller annan måte ordnar seg i Trøndelag med Camp Nidaros, og at veteranar i Trøndelag kan få eit liknande tilbod som det ein har i Hordaland. Eg håpar også at Forsvaret og andre gode krefter kan hjelpe desse eldsjelene i denne prosessen. Eg trur dette er eit godt tiltak, ein riktig veg å gå. Derfor håpar eg også at Forsvaret kan hjelpe veteranar i andre delar av landet med å få liknande tilbod, spesielt i dei store byane. Dette er etter mi oppfatning eit godt tilbod, det er eit effektivt tilbod, og det er også eit tilbod som kostar lite i forhold til det ein får tilbake, og det ein får ut av det. Det er åpenbart at regjeringspartienes utgangspunkt er at det

og sier at det er klokt, fornuftig og helt nødvendig og at de gjør det kun ut fra Forsvarets operative evne. Når opposisjonen gjør endringer, er det bare et ledd i en lang valgkamp. Det er andre gang denne regjeringen legger frem en langtidsproposisjon, og det er andre gang man ikke får til et bredt forlik i Stortinget om proposisjonen. Det må være et faresignal som statsråden og de rød-grønne må ta inn over seg. Vi vet ikke hva neste valg måtte bringe, men for Forsvaret vil det alltid være positivt at forsvarspolitikken er bredest mulig fundert. Det gir langsiktighet, og det er ikke regjeringen med på å gi Forsvaret når de kun har et par representanters overvekt i avstemningen som kommer senere i dag. Men årsakene til at regjeringen og opposisjonen ser forskjellig på det, er den store avstanden i virkelighetsoppfatning av hva som er den reelle statusen for balansen i Forsvaret, det er bærekraften i de økonomiske forutsetningene for kommende planperiode og det er Forsvarets reelle operative evne. Det får meg forsvarsøkonomien. Regjeringen legger til grunn at ved starten av inneværende langtidsperiode er det fullfinansiert og reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Alle mål i langtidsplanen fra 2009–2012 skal være nådd. Det er ikke en virkelighetsoppfatning jeg og Høyre deler. Høyre mener at den økonomiske virkelighetsbeskrivelsen ikke er i samsvar med dagens situasjon. Det er fortsatt betydelig ubalanse mellom forsvarspålagte oppgaver, struktur og økonomiske ressurser. Det er store økte driftsutgifter knyttet til regjeringens forslag utover forsvarssjefens råd for kommende periode og viktige spørsmål knyttet til reell lønns- og priskompensasjon som heller ikke tas opp denne gangen. Det er en rekke uavhengige observatører og

for å få et beslutningsgrunnlag i denne saken. Statsråden sier at alle relevante spørsmål er stilt og besvart. Hvis opposisjonen stiller spørsmål om hva pendlerkostnadene i Forsvaret som også hadde vært interessant – og om hvordan man kan være med på å redusere pendlerkostnadene i Forsvaret, er svaret man får, at det alltid vil være pendling i Forsvaret. Det er ikke den type svar vi ønsker. Spørsmålet er stilt på en helt annen måte enn det svaret som kommer, og slik var det mange tilfeller av i den spørsmåls- og svarrunden som fant sted. Det er en

først. Det gjør at vi har vært med på – og ønsker – å gjøre Heimevernet enda bedre enn i dag ved å fokusere på den spisse enden og ikke antallet. Vi ønsker å opprettholde Mågerø, nettopp fordi vi ønsker nødvendig seighet og redundans. Vi ønsker på sikt tre mekaniserte manøverbataljoner i Hæren. Det å foreta omstillinger er riktig, men tempoet må også være riktig, og det må være solide og etterprøvbare analyser. Man må skape forankring og forutsigbarhet i hele organisasjonen og redusere kompetansetapet. Dette er en del av de tingene som det er store mangler ved i det vi nå diskuterer, og som ligger til grunn for regjeringspartienes vedtak senere i dag.

helheten. Det er i dag en god balanse med evne til å ivareta dagens oppgaver og samtidig investere i moderne og framtidsrettede kapasiteter, som vi også skal fatte beslutning om – til de grader – her i dag. Det er også viktig å se på hvordan vi forvalter fellesskapets midler på en god og riktig måte. Da må vi også ta Videreutviklingen av Forsvaret skal foregå på en helhetlig måte, og en bærekraftig balanse skal ivaretas. Forsvarssektoren skal være et relevant sikkerhetspolitisk virkemiddel for Norge i framtiden. Den sikkerhetspolitiske utviklingen tilsier at det fortsatt er behov for å videreutvikle et innsatsforsvar som kan møte komplekse sikkerhetspolitiske utfordringer når det gjelder den norske stat og samfunnsutviklingen. Det ser vi ikke minst innenfor det digitale rom. Det er et nytt krigføringsområde som vi må være fullt på høyde med og også ta inn over oss. Det gjør regjeringen, og det gjør en også i innstillingen fra komiteen. Forsvaret må være fleksibelt, robust og i stand til å forholde seg til mange ulike scenarioer. scenarioer. Norge må ha et forsvar som er i stand til å levere tilpassende bidrag innenfor et bredt spekter av oppdrag, både planlagte og uforutsette. Flertallet i innstillingen i dag ser på det på de fleste punktene, og regjeringspartiene står samlet om disse viktige tingene. Vi ser det også som svært viktig å legge vekt på at Forsvaret skal utvikles som et forebyggende instrument framover. Det skal representere en krigsforebyggende terskel. Nordområdene våre stiller oss overfor nye utfordringer. Heldigvis er det et område med sikkerhet og stabile forhold. Det preges av politisk stabilitet, men vi må være obs på hva som kan skje i framtiden i dette området, vi må ta høyde for hvordan det kan utvikle seg, og også se på de andre landenes interesse for området. Det er en annen situasjon i nordområdene enn i Skagerrak. Delelinjeavtalen i Barentshavet mellom Norge og Russland fra 2011 gir ny kraft til samarbeid og til å legge til rette for en bedre ressursutnyttelse på begge sider av denne nye grensen. grensen. Det militære samarbeidet mellom Russland og Norge, bl.a. gjennom jevnlige besøk og øvelser, er viktig for tillitsbyggingen i nordområdene, og vi må ta sikte på å videreføre denne virksomheten. Samtidig har nordområdene stor militærstrategisk betydning for Russland, og Russland vil fortsatt være en viktig faktor for norsk sikkerhetspolitikk framover. Det jeg også vil si noe om, er de store utfordringene man har innenfor Forsvaret når det

vært helt enstemmig – her må det tas krafttak. Det har regjeringen signalisert på en god og betryggende måte, og her må vi også ta Forsvarets organisasjoner på alvor og med i de videre vurderingene og utviklingen på dette Til slutt vil jeg si at forsvars- og sikkerhetspolitikk er altfor viktig til at det skal drives valgkamp på dette området. Hvis vi ser på innstillingen, er det heldigvis enighet om de store strukturene. Men vi kan ikke opprettholde en struktur som ikke trengs når vi ser på helheten. Vi må vise vilje til å styre. Det forundrer meg når representanten Skovholt Gitmark sier at men flertallet i forsamlingen tåkelegger regjeringens politikk. Hvorfor er da Høyre og Fremskrittspartiet så ivrige etter å spørre – de har jo stilt 291 spørsmål? Det er ingen tåkelegging av politikken. Vi sikrer et forsvar for framtiden fortsatt.

om ti–tyve år fra et aggressivt Russland, ressurshungrig Kina og til og med EU-land som gjerne ser at kontrollen vår med naturressurser svekkes.» Det var statssekretær Roger Ingebrigtsen som uttalte dette i Tromsø. Jeg må bare si at jeg og mitt parti er helt enig i de uttalelsene, og det er det som danner utgangspunktet for vår politikk.

Det ser vi mange eksempler på, og det synes jeg er svært betenkelig. Så vil jeg, når vi behandler denne saken, også få lov til å takke alle som har engasjert seg i saken. Jeg sitter ikke i utenriks- og forsvarskomiteen, men jeg har fått veldig mange telefoner og e-poster fra folk som engasjerer seg i forsvarssaken, fra ansatte i Forsvaret og folk rundt. Det er med stor bekymring de ser på omstruktureringene man gjør i Forsvaret og også den nedleggelsen. Det er nyttige og verdifulle innspill, og noen av dem har jeg spurt om de ikke kan gå ut i det offentlige rom og si det. – Nei, i og med at vi har tenkt å ha en karriere i Forsvaret, så kan vi ikke gjøre det, svarer de. Det er betenkelig å få det, svarer de. Det er betenkelig å få en sånn type beskjeder. Én av de tingene som skal legges i en kurv, er luftovervåkingen og nedleggelsen av Mågerø. Det er jeg sterkt imot. Jeg kommer fra Troms og skulle selvfølgelig, hvis jeg bare hadde vært opptatt av Troms, sagt at det var en god idé, men jeg er opptatt av hele Forsvaret. Hele Forsvaret

tydelig svar, for det er jo åpenbart, hvis man følger litt med i media, et stort spill om disse arbeidsplassene. Hvis ikke statsråden svarer nå, kommer han til å bli bombardert – hvis det går an å bruke et sånt uttrykk – med spørsmål også i framtiden. Jeg ser statsråden smile og nikke, så jeg forventer at han avklarer det i sitt innlegg. Så kan man også lese i media at forsvarsministeren truer med å bryte kontraktene på de nye NH90-helikoptrene. Det er et vedtak som er forankret her i Stortinget, og jeg må si jeg blir ganske opprørt og finner det litt oppsiktsvekkende at statsråden går ut og forteller at man skal bryte en kontrakt som er forankret her i Stortinget. Da vil jeg gjerne utfordre statsråden på om han har politisk dekning for å gå ut med slike uttalelser, eller om det er et sterkt ønske om å få komme til kontroll- og konstitusjonskomiteen og skrifte der. Nå har den komiteen hatt ganske mye å gjøre i det siste, men så vidt jeg vet, hadde de nok klart å rydde plass hvis det er slik at man går ut og setter i gang andre tiltak enn det som er vedtatt i denne salen. Jeg forventer at statsråden i sitt neste innlegg kommer til å fortelle hvor slike uttalelser er forankret. Når det er sagt, vil jeg bare si at det miljøet man har på Bardufoss når det gjelder helikopter, er utrolig solid. Og det er klart at det vekker stor oppsikt når man nå kan lese at man er i ferd med å bryte avtalene med innkjøp av

Denne langtidsplanen danner slutten på en omfattende, riktig og nødvendig omstilling av Forsvaret – riktig fordi dagens og morgendagens trusler mot vår sikkerhet ikke kunne håndteres med gårsdagens forsvarsstruktur, nødvendig fordi gapet mellom struktur og ressurser innebar en stadig mer svekket forsvarsevne. Omstillingene har vært krevende politisk. Kampen for å unngå at tradisjonsrike forsvarsleire tømmes, vil alltid være intens. Omstillingen har vært krevende for Forsvaret, slik omfattende omstillinger i alle store og komplekse organisasjoner er. Derfor skal Forsvaret og dets personell i dag ha ros for at det nå er god orden også på økonomistyringen, og at de har levert sin del av forutsetningen, nemlig en nødvendig effektivisering. Derfor har vi nå et forsvar hvor det er balanse mellom struktur, oppgaver og ressurser, når vi nå forlater én langtidsplan og går inn i den nye perioden.

Ja, på noen områder gir vi Forsvaret mer enn det forsvarssjefen mener er nødvendig, når vi opprettholder en HV-styrke på 45 000 kvinner og menn. Jeg tror enhver annen etatsleder misunner forsvarssjefen dette: å få mer av regjering og storting enn man ber om! Jeg vil understreke at denne regjeringen også har fått på plass en god veteranpolitikk. Det fortjener de som risikerer så mye for å ivareta landets interesser over 120 000 har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner, fra Tysklandsbrigaden i 1947 til Afghanistan i dag. Denne omstilling, som forsvarsminister Bjørn Tore Godal la grunnlaget for, og som ble påbegynt under Bondevik-regjeringen og nå fullføres, gir oss et av verdens mest moderne forsvar. Mens andre land må kutte i budsjettene, kan vi øke dem – 10 mrd. kr til pansrede kjøretøy, 60 mrd. kr til Men det viktigste er at fordi vi har evnet å gjøre noe med en utdatert struktur, går nå bevilgningene til forsvarsevne, til det vi har Forsvaret for – ikke til bygninger, asfalt og betong Forsvaret ikke har behov for. Det har vært bred enighet om denne vridningen av Forsvarets ressurser, fra ting de ikke trenger, til våpen, utstyr, mannskap og trening som gir forsvarsevne. Derfor er det så skuffende å se at Høyre og Kristelig Folkeparti ved denne korsveien forlater denne linjen. De skyver upopulære valg foran seg. Unnskyldningen er at beslutningsgrunnlaget ikke skal være godt nok. Teknikken er å stille 291 spørsmål, men ikke godta svarene, fordi de ikke liker de svarene de får. Det er ikke beslutningsgrunnlaget som er for dårlig, det er beslutningsevnen i Høyre og Kristelig Folkeparti som ikke er god nok. Likevel skal ikke beslutningen i dag gjøres om, hvis det skulle gå så galt at de to partiene kan innta regjeringskontorene etter neste valg. Klarere kan det derfor ikke uttrykkes: Høyre og Fremskrittspartiet – ja, også Kristelig Folkeparti – presenterer her i dag noe som likner atskillig mer på partienes valgkampplan enn en langtidsplan for Forsvaret som de kunne regjert på. Fremskrittspartiets Morten Høglund sa at vi måtte foreta valg. Det er en interessant uttalelse fra et vegrer seg for å foreta valg og skal beholde alt som det er. Så vil jeg understreke noe som ikke har vært så fremme i debatten, nemlig viktigheten av industriprogrammet knyttet til kampflykjøpet og vårt behov for at Joint Strike Missile skal inn på disse flyene. Lockheed Martin og amerikanske myndigheter bør merke seg at en samlet komité understreker at amerikanerne må bidra til at JSM integreres i F-35 før forsvarsministeren signerer kontrakten. Jeg er også glad for at en samlet komité peker på at radar også er et område det skal samarbeides om mellom Forsvaret og norsk forsvarsindustri. Det kan bety mye for utviklingen av arbeidsplasser i Norge. Til slutt litt om verneplikten: Selv om et mindretall av ungdomskullet avtjener førstegangstjenesten i dag, er den allmenne verneplikten viktig. Den gir alle et ansvar for landet sitt, og den gir Forsvaret mulighet til å velge ut de mest motiverte og de best egnede til å avtjene verneplikten. Derfor skal vi beholde den og tilpasse den de behov et forsvar for sin tid krever. Men jeg mener også, som andre har pekt på, at tiden er inne for at verneplikten også gjelder kvinner. Vi trenger mer kvinnelig kompetanse i et forsvar for vår tid. Det kan nok hende at noen vil hevde at dette er

I distriktspolitikkens navn øker nå faren for at størstedelen av landet vårt legges i radarblinde. Som representanten Korsberg sa fra talerstolen for litt siden, norsk forsvarspolitikk bør styres som nasjonal politikk, ikke som distriktspolitikk. Når Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i dag vedtar å legge ned CRC-en på Mågerø og forsterke tilsvarende enhet i Sørreisa, vet de at faren for at de tre forbindelseslinjene fra denne delen av landet vi nå befinner oss i, og over fjellet til Sørreisa, er i dårlig forfatning. Under øvelsen Cold Response var jeg en tur innom Mågerø og var selv vitne til at to av de tre forbindelseslinjene som er til Sørreisa, gikk ned på grunn av dårlig vær. En terrorist

Mågerø kunne konsentreres om aktivitet i og rundt Oslo, mens Sørreisa tok over resten av landet. Det er langt fra utenkelig at et andreanslag kunne kommet luftbåret. Hvis det er for dårlig vær, eller det er teknisk svikt på Sørreisa ved et eventuelt senere terrorangrep mot Norge, vil alle våre statsinstitusjoner ligge åpne for angrep fra luften, fordi de vil være Dette er en kalkulert risiko, sa statssekretær Roger Ingebrigtsen til Tønsbergs blad 30. mars. Det er et risikonivå Fremskrittspartiet mener er uholdbart – selv om jeg ser at forsvarsministeren smiler av det her i salen nå. Jeg er skremt over at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ser ut til å forstå lite av hvilken risiko de i dag vil påføre størstedelen av landets befolkning. Som nestleder i den såkalte 22. juli-komiteen var jeg ganske fornøyd med at regjeringspartiene viste stor vilje til å samarbeide om løsninger på viktige områder. Jeg tenkte vel at de tok beredskap og sikkerhet på alvor, og var veldig glad for den enigheten vi fant i komiteen. Ved første korsvei hvor beredskap og sikkerhet settes på prøve på nytt, svikter de samme partiene fundamentalt – ikke fordi de mener det er faglig viktig eller riktig, men fordi det inngås avtale på bakrommet om at noen deler av landet må få litt igjen når de ofrer noe annet. Det finnes ikke mange saklige argumenter for at Norge skal bli det første landet i NATO med én CRC. Ikke engang lille Danmark tør å gå fra to til en, selv uten høye fjell og lange fjorder. Det er i praksis ikke et øre å spare på nedleggelsen, men kostnadene nedleggelsen vil medføre, er heller ikke omtalt i proposisjonen. så med en viss interesse at GIL forsøkte seg på en sped forklaring i VG ved å si at utholdenheten til det nye systemet skal ivaretas ved å utvikle dublerende teknologiske løsninger, inkludert en mobil kontrollenhet. Det er jo direkte feil. For det første er det ikke lagt inn penger til dublering, for det andre er jo ikke en mobil enhet relevant i dette bildet overhodet. Kanskje skrev GIL dette så dårlig argumentativt nettopp for å demonstrere at det faktisk ikke finnes gode argumenter for å legge alle egg i en kurv og håpe på at fremtiden bringer fred, fordragelighet og fravær av terror. Det er lov å håpe. Men hele poenget med beredskap er å være forberedt på det utenkelige. Nå ødelegger man landets fremste forsknings- og teknologiutviklingsmiljø på Mågerø når det gjelder CRC. Borgerne i halve landet utsettes for det Ingebrigtsen kalte kalkulert risiko. Gad vite hvem i denne sal som kan reise seg, legge hånden på hjertet og si at denne endringen gjør vi for å forbedre Forsvaret, forbedre beredskapen og sikre mer trygghet for folk flest. At det går prestisje i slike saker, er rett og slett for dumt, og at Arbeiderpartiet forplikter seg til en oppskrift for potensiell fremtidig katastrofe allerede før saken legges frem for Stortinget, det er alvorlig. Men la det aldri være noen tvil om hvem som er ansvarlig dersom det utenkelige likevel skulle ramme, den dagen det eventuelt skjer.

kan også yte verdifulle bidrag i krisesituasjoner. Dette er store og viktige oppgaver som setter krav til omstillingsevne, og som betinger at økonomien som er til rådighet, står i forhold til ambisjonene. I Norge er vi i den gunstige situasjonen at vi kan styrke Forsvaret i en tid hvor de fleste andre land i Europa må foreta store kutt, slik også statsråden nevnte. Regjeringen har klart og tydelig slått fast at nordområdene er strategiske satsingsområde. Dette innebærer også at Forsvarets tilstedeværelse og virksomhet må være sterk i nord. Jeg er derfor glad for at vi i 2008 fikk styrket Forsvaret i nord ved at bl.a. operativt hovedkvarter ble flyttet nordover til Reitan og Bodø. Dette var en meget viktig flytting, og den har bevist at noe kan ledes fra nord. Det undrer meg derfor at Høyre kritiserer regjeringen for manglende forsvarssatsing i nord, når vi samtidig vet at de og resten av opposisjonen stemte mot denne viktige flyttingen. Det er svært viktig med gode prosesser når store omstillinger skal gjennomføres. Jeg vil berømme statsråden og regjeringen for gode prosesser også denne gangen. Jeg kommer selv fra et forsvarsfylke, og jeg vet hvor sterkt omstillinger i Forsvaret kan berøre kommuner, lokalsamfunn og ikke minst ansatte. Forsvarskommunene og deres innbyggere har samtidig et meget stort fokus på best mulig tilrettelegging og smidighet overfor Forsvaret. Jeg er tilfreds med den utviklingen som nå skjer i Indre Troms. Vi kan trygt si at Indre Troms er et sterkt tyngdepunkt for det norske forsvar. Jeg vil også uttrykke tilfredshet med viljen til å finne gode løsninger som gjør at dagens oppgaver for Troms militære sykehus blir videreført på en måte som tjener både sivilsamfunnet Jeg er også glad for at det meget moderne anlegget for luftovervåking i Sørreisa beholdes og styrkes. Med de store investeringer som er gjort, og som skal gjøres her, er det nå på tide å se denne stasjonen i et meget langsiktig perspektiv. Her er det god plass, og her er det stor kompetanse og stabil arbeidskraft. De fleste arbeidstakerne er fast bosatt i området. Når det gjelder valg av kampflybase, må vi legge vekt på de faglige vurderinger, men ett ufravikelig krav er at det må være kampfly stasjonert også i nord. Dette mener jeg blir innfridd ved at den moderne basen på Evenes i Nordland blir tatt i bruk igjen. Evenes er den siste flystasjonen som er bygd i Evenes er den siste flystasjonen som er bygd i Norge, og jeg er av dem som har hatt tro på at disse store investeringene måtte kunne komme til nytte igjen. Den 14. mai i år sa da også generalinspektøren for Luftforsvaret til avisen Harstad Tidende at Evenes totalt sett er det beste alternativet som Denne faglige vurderingen er det viktig å ha med seg i debatten her i dag. Vi må også ha med oss at flystasjonen på Evenes er lokalisert i et område hvor støyproblemene er minimale. Samtidig er denne stasjonen lokalisert mellom to aktive bysamfunn med gode tilbud med hensyn til både utdanning, arbeid, kultur, barn, ungdom osv. Flere mindre og vitale bygdesamfunn og bygdesenter ligger også på begge sider av Evenes flystasjon. Dette gjør flystasjonen enda mer attraktiv for dem som skal jobbe der i årene som

La meg få lov til å understreke at Bodø ville ha vært et godt alternativ til Ørland som enebase for kampflyene også i framtiden, ikke minst fordi en kunne ha samlet all virksomhet på én base og fortsatt hatt et tilstrekkelig og tydelig nærvær av kampfly i nordområdene. Det kommer ikke som noen overraskelse på noen hva beslutningen kommer til å bli i Stortinget i dag. Det har vært klart ganske lenge. Vi har også kommunisert det tydelig gjennom media. For oss ville det å late som noe annet være å kaste blår i øynene på folk. Vanskelige beslutninger må tas; de kan ikke bare skyves ut i tid med stor usikkerhet for de berørte. Jeg forstår – og deler – skuffelsen til mange av mine velgere og andre innbyggere i Bodø og i Nordland. Etter å ha jobbet systematisk for lokalisering av de nye kampflyene til Bodø siden 2006 sammen med mange gode partifeller erkjenner jeg likevel at vi har tapt den kampen. Nå er tiden kommet for å rette blikket framover. Når Forsvaret forlater de områdene i Bodø de har disponert til sin flyvirksomhet gjennom 60 år, kan ikke Forsvaret bare lukke øynene og late som ingenting. Ved nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon er det nødvendig at Forsvaret på en akseptabel måte bidrar til å tilbakeføre de arealene de har disponert, til sivilsamfunnet. Jeg forutsetter at regjeringen i samråd med lokale myndigheter sørger for en hensiktsmessig tilbakeføring, slik at arealene kan utnyttes Da vil jeg understreke at i den prosessen må Bodø kommune kunne disponere tilgjengelig areal raskt, slik at avviklingen av flystasjonen ikke legger unødvendige begrensninger på utviklingen av den viktige motoren Bodø er i regionen. Det er grunn til å anta at Forsvarets virksomhet kan ha medført miljømessige konsekvenser. Omfanget av utslipp, forurensning må kartlegges, og man må vurdere om Forsvaret skal rydde opp i eventuelle skadelige miljømessige forhold før de forlater områdene, i hvert fall må de som overtar områdene, erkjenne sitt ansvar for oppryddingen. Vi kan ikke tillate at ansvaret for de miljømessige belastningene som er blitt påført sivilsamfunnet, pulveriseres. Bodø lufthavn er en av landets mest trafikkerte flyplasser målt i både antall passasjerer og flybevegelser. I dag eier og driver Forsvaret flyplassen, og Avinor betaler for sin bruk. Ved nedleggelse av hovedflystasjonen må det sikres en smidig overføring av eieransvaret til Avinor. Rullebanens tilstand tilsier også en rask avklaring, og vi må ikke komme i en situasjon der kjekling mellom sektormyndigheter begrenser utviklingsmuligheten for en av de viktigste flyplassene i regionen.

og det er viktig at noen av disse militære anleggene blir tatt vare på for ettertiden. Dessverre ligger mange av anleggene naturlig nok langt utenfor allfarvei og er derfor vanskelig tilgjengelig for et bredt publikum. Bodø hovedflystasjon inneholder en atomsikker hangar som kan være et bevaringsverdig festningsverk fra perioden, og som lett kan gjøres tilgjengelig for publikum. Det vil også kunne være en styrke for det nasjonale luftfartsmuseet, et av de få nasjonale museer som er lokalisert utenfor hovedstaden, og for Forsvarets flymuseum, som er lokalisert bare noen hundre meter unna denne hangaren. Jeg er glad for at komiteen i sine merknader er opptatt av bevaring av relevante festningsanlegg. Jeg vil derfor gjerne utfordre statsråden på om han vil få gjort en vurdering av om Anlegg 96 ved Bodø hovedflystasjon kan være bevaringsverdig, og eventuelt se på muligheten for hvordan dette kan tas i bruk i samarbeid med de nevnte museene. Bodø er, som mange har sagt, Norges forsvarshovedstad og skal også være det i Det vil styrkes ved at regjeringspartiene i Stortinget nå vil støtte opp under flytting av GIL og Luftforsvarets øverste ledelse mv. til Bodø. Også styrkingen av et nasjonalt luftoperasjonssenter vil nasjonalt luftoperasjonssenter vil understreke den betydning som Bodø har som forsvarshovedstad. Det er ikke en kompensasjon for at man legger ned hovedflystasjonen; det er en flytting og en etablering som vil styrke Norges operative evne. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt. Heimevernet er en viktig innsatsstyrke i vårt langstrakte land, først og fremst som en del av vårt militære forsvar, men det er

Hadde det ikke vært for Heimevernets raske mobilisering og innsats, ville innbyggerne garantert vært både strømløse og veiløse mye lenger enn det de ble. De dramatiske hendelsene 22. juli viste oss at terrorhandlinger kan ramme landet voldsomt, hvor som helst og når som helst. Her gjorde også Heimevernet en stor og viktig Da forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd foreslo å legge ned flere heimevernsdistrikter, var det mange som mobiliserte sterkt for å påvirke regjeringen før den skulle legge fram sin langtidsplan for Forsvaret. Spesielt gjaldt dette selvsagt i de regionene hvor heimevernsdistrikt ble foreslått nedlagt – så også i mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, hvor HV-11 og Setnesmoen var Politikere og fagorganisasjoner med flere brakte til torgs mange sterke og gode begrunnelser for at distriktet måtte bestå. Jeg vil berømme statsråden og regjeringen for hvor tilgjengelige de gjorde seg for alle som hadde meninger i sakens anledning, og argumentasjonen vet vi nådde fram. Derfor er det mange som puster lettet ut og er kjempefornøyde med regjeringens holdning til Heimevernet når langtidsplanen for Forsvaret vedtas i Stortinget i dag. Jeg er glad for at regjeringen ikke vil sentralisere Heimevernet. Ikke bare vil muligheten for å kunne mobilisere raskt lokalt bli dårligere, men den lokale kunnskapen som det lokale Heimevernet innehar i dag, ville også forsvunnet. Arbeiderpartiet er opptatt av en god og trygg beredskap i hele landet. Det viser vi bl.a. gjennom forslaget til distriktsstruktur i Heimevernet, og ved å øke omfanget av Arbeiderpartiet er også opptatt av å videreutvikle og modernisere det vi allerede har. Derfor er vi veldig glad for regjeringens varslede arbeid, med å se på hvordan vi best mulig kan anvende Heimevernet, Sivilforsvaret og politireserven sammen for å ivareta samfunnssikkerheten i landet vårt.

En samlet opposisjon vil stemme mot nedleggelse av Rygge flystasjon, og det gjør vi fordi vi mener at regjeringens forslag er dårlig utredet og svakt begrunnet. Forsvarsdepartementet har ikke vært i stand til å gi svar på helt grunnleggende spørsmål knyttet til operative forhold, kostnader og regjeringens forutsetning om avhending av store arealer, samtidig som det skal opprettholdes militær aktivitet. Det henger altså ikke sammen. Viktig infrastruktur for luftmilitær beredskap, ammunisjonslager og drivstoffanlegg vil måtte videreføres. Det samme gjelder funksjoner som må opprettholdes for Heimevernet. Regjeringen har ikke evnet å gi nødvendige svar på hvordan dette skal skje, og hvor mye penger det skal koste. Dette er forhold som krever nærmere utredning. Opposisjonen er også samlet om at vi vil videreføre militær flyplassdrift ved Rygge, og det handler ikke om noen utsettelse. Vi mener at dagens drift i militær regi, i samdrift med Rygge Sivile Lufthavn, er en god modell, både for Forsvaret og for lufthavnen. Kostnadsdelingen er fordelaktiv for Forsvaret, samtidig som man gjennom militær drift sikrer full råderett og fleksibilitet. Ut fra hva vi har kunnet bringe på det rene, har nedleggelse, avvikling og flytting fra Rygge vært en forutsetning for alle de tre utredningene som er gjort. Det holder ikke. ikke. Jeg minner nok en gang om at flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret med stab og luftinspektorat ikke er anbefalt av forsvarssjefen. Den foreslåtte flyttingen har høye økonomiske kostnader og vil utgjøre en stor merbelastning i en allerede krevende tid for Luftforsvaret. Å gi organisasjonene og miljøet som faktisk skal planlegge og lede omstillingen, nemlig Generalinspektøren med stab og direktorat, ro og forutsigbarhet, ville derfor være ønskelig. Det er også gode forutsetninger for en kraftsamling av Luftforsvarets aktiviteter i Sør-Norge, på Rygge. Samlokalisering mellom militær aktivitet – som taktisk helikoptertransport, sivile beredskapsetater – og politiets skarpeste enheter burde også vært vurdert. Det er ikke gjort. Det er også slik at når det gjelder å legge hele Østlandet og Sørlandet bart for luftforsvar, er min eneste kommentar: At de tør! tør! Jeg tror det er viktig å si at når vi har spurt om man kunne ha sett på justissektoren og forsvarssektoren sammen, så er forsvarsstatsrådens svar at det har vi bare gjort med tanke på Forsvaret. La meg først si at det har vært en krevende tid for oss arbeiderpartirepresentanter fra Nordland – det er

Nordland. Det er viktig å få sagt det fra denne talerstolen, for det er faktisk noen som har beskyldt oss for at vi ikke har gjort noen ting. Vi har kjempet for Bodø helt til målstreken og over målstreken. Først og fremst vil jeg gi ros for den prosessen som statsråden i forkant hadde lagt opp til. Jeg synes at vi fra Nordland Arbeiderparti og nordlandsbenken har tatt mange initiativ til møter for å få diskutert dette, både før vedtaket og stortingsgruppen. Det har også statsråden vært med på å bidra til, og det har ikke vært mangel på det. Regjeringen har landet på Ørland, og med framskutt base på Evenes, og sånn kommer vedtaket som blir gjort her i dag, til å bli. Det som er viktig nå, er å snu blikket framover og se på de mulighetene som finnes for framtiden, i nær dialog med Bodø kommune, fylkeskommunen, ansatte osv. Allerede den 19. juni er det tatt initiativ til et møte i Bodø med ulike aktører om temaet «Bodø etter F-16». Det er veldig bra, og det arbeidet starter nå. Vi har også hatt nær dialog med de ansatte på hovedflystasjonen, og vi har vært ærlige og antydet hvilken vei dette kom til å gå. Det har vært en selvfølge at de ansatte har kjempet helt inn. Men etter i dag er det viktig at man ser på mulighetene som ligger foran en i de årene som man går i møte. Det viktigste arbeidet nå gjelder personell og kompetanse og evnen til å tiltrekke seg, rekruttere, utvikle, anvende og beholde rett personell med rett kompetanse. Det utgjør en av forsvarssektorens viktigste utfordringer. Jeg er veldig fornøyd med at dette skal prioriteres høyt i kommende langtidsperiode.

Men dette har liksom kommet bort i diskusjonen. Vi må se på dette som et veldig positivt bidrag til det som skal skje videre i Bodø, og ikke bare snakke negativt om det. Til slutt vil jeg si to ord om Heimevernet. Jeg er veldig tilfreds med at Heimevernet videreføres med samme distriktsstruktur som i dag, og med om lag de samme personalrammer. Jeg er veldig tilfreds med at Drevjamoen på Helgeland vil bestå. Vi vil i dag

Jeg hadde gleden av å være til stede da forsvarssjefen presenterte sin anbefaling, og den gledet meg. I mer enn 40 år var jeg med i Luftforsvaret på en rekke, nesten kontinuerlige strukturendringer, og det skal jeg love deg tar på for personellet. Nå håper jeg at vi skal slippe det i mange, mange år framover. Det er da også stor enighet i denne sal om det aller meste i innstillingen, det aller meste av det som er viktig. Det kanskje viktigste er flykjøpet, som vil skaffe en kapasitet som er helt formidabel, og som vi nok skal få stor glede av. Ellingsen sa at hvis disse flyene er like bra som F-16, skal vi være fornøyd. Jeg hadde gleden av å fly F-35-simulatoren på Kjeller for to uker siden, og jeg skal love at det er noe helt annet. En annen ting som jeg vil nevne, er En annen ting som jeg vil nevne, er verneplikten, som Sverre Myrli nevnte. Jeg har erfaring fra NATO stab, hvor mange har jobbet for meg uten å være en del av et vernepliktforsvar. Konklusjonen min var: Takke meg til en norsk korporal som kommer inn for ett år! La meg så si litt om strukturen. Ørland som kampflybase er et glimrende valg mine erfaringer fra Ramstein, hvor jeg ledet luftoperasjoner. Ikke noen annen base i Europa er i nærheten av å ha de mulighetene verken på basen eller øvingsområdet, for ikke å snakke om at man har AWACS-basen der. Flere ganger prøvde vi, men vi lyktes ikke i særlig grad sammenlignet med på Når det gjelder QRA, har forsvarssjefen sagt at det trengs ikke, for det kan vi gjøre uansett med å flytte på oss. Det har vi vist gjennom operasjonene i Libya. Når det nå skal være en, hadde jeg nok gjerne sett at det ble Andøya, for da hadde vi fått en engangsinvestering for støyen. Nå må vi derimot drive to baser, og det er ikke bra. Jeg skal også nevne at når det gjelder Bodø, har Høyre sagt at vi ønsker en utredning av kostnadene for å komme seg ut av Ørland, og Eirik Sivertsen ga uttrykk for det som Høyre mener her. Til slutt CRC-strukturen, Mågerø. Det er kanskje det som tar meg aller mest. Jeg anbefalte i sin tid å legge ned fem av de andre stasjonene, og vi satt igjen med absolutt minimum, langt under det som de fleste andre land har. Dette legger i mange tilfelle Sør-Norge i et mørke når det gjelder ledelse av luftoperasjoner. Jeg håper i hvert fall at det utsettes til vi har sikre linjer.

Forsvaret utfører sin kjernevirksomhet i nord, og de må derfor være tungt til stede i nordområdet for alle forsvarsgrenene. Derfor har også valget av kampflybase vært svært krevende. Jeg vil også understreke at det er viktig å vise respekt for og stolthet over den store innsatsen som Forsvarets personell gjør hver dag for nasjonen, når vi nå fører debatt om Forsvarets framtid.

i tillegg at driften av Bardufoss flyplass skal sikres, og at Bardufoss videreføres som hovedbase for militære helikoptre. For Senterpartiet er dette svært viktige saker i arbeidet med ny langtidsplan. Senterpartiet er opptatt av å videreføre Troms militære sykehus innenfor en ramme hvor det skal kunne videreutvikles til et lokalmedisinsk senter. Det er nå viktig at det blir en avklaring på hvordan dette helsetilbudet skal ivaretas i tråd med Samhandlingsreformen, og at Forsvaret bidrar økonomisk i dette arbeidet. Det er også viktig at det blir ivaretatt et medisinsk tilbud i Bardu fram til det nye senteret er på plass. Jeg er glad for at alt av Luftforsvarets kontroll- og varslingsvirksomhet skal skje på CRC Sørreisa, sammen med Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole, og at komiteen i sine merknader presiserer dette. Det er derfor svært viktig at det nå flyttes et nødvendig antall personell til Sørreisa for å ivareta de samlede oppgavene. Dette er den mest fornuftige løsning for Forsvaret, på et av NATOs mest moderne anlegg. Senterpartiet er helt enig med komiteen når det understrekes at skolesenteret må flyttes til Sørreisa så snart som mulig. Jeg vil gi honnør til de tillitsvalgte og ansatte ved CRC Sørreisa og til mine rød-grønne kollegaer for innsatsen de siste månedene. Nå ser jeg fram til å delta på 50-årsjubileet til CRC Sørreisa til helga. Det er i Det er i Stortinget de politiske vedtakene fattes. Nå må også generalene følge Stortingets klare ordre. Jeg føler behov for å knytte noen kommentarer spesielt til det som har vært sagt fra Anundsen og andre om Det er selvfølgelig ikke slik at vi på noe tidspunkt skal være blinde når det gjelder luftovervåkning i Norge, og det er selvfølgelig heller ikke slik at dette er et produkt av et såkalt politisk spill, hvor noen har sittet i politisk ledelse og funnet på at vi klarer oss med kun én kontroll- og varslingsstasjon. Det har forsvarssjefen gjort, det gjorde forrige forsvarssjef, og det støtter Generalinspektøren for Luftforsvaret. Så foreslo forsvarssjefen at vi skal etablere et et luftoperasjonssenter på Reitan. Det er ikke en kontroll- og varslingsstasjon, men det vil ha anledning til å overta mange av kontroll- og varslingsstasjonens muligheter i en krisesituasjon, så der får man altså like mye redundans som man nå har hatt. Dessuten er vi allierte i NATO, vi deler luftbildet med andre land allerede, og en av de helt klare trendene – jeg snakket senest i går med min belgiske kollega – er at europeiske land

linjer. Da kan jeg minne om at vi i høringen også informerte om at det nå gjøres omfattende investeringer i militære digitale fibernett som ytterligere øker redundansen i linjene i Norge. Derfor er denne forestillingen om at det er et bestemt punkt, et sted tilfeldigvis i Midt-Norge, som man kan klippe over med tang, helt grunnleggende gal. Godt er det. Vi har jo et svært stort fokus nå på informasjonssikkerhet, Jeg skjønner bekymringen for dem som jobber der, det er et flott miljø, det er en flott arbeidsplass, jeg kjenner den, men det er altså slik at man av og til må ta noen slike valg. Så vil jeg understreke til Eirik Sivertsens innlegg at det selvfølgelig er slik at vi skal sørge for en god dialog med Bodø kommune og menneskene som bor der, om avviklingen av flystasjonen, slik Forsvaret har gjort mange andre steder. Det er alltid trist å miste et forsvarsanlegg. Min erfaring er at det stort sett går bra, og både arealer, bygninger og infrastruktur kan brukes til andre samfunnsnyttige formål, herunder kanskje også museumsdrift. Uten at jeg vil stå her og love noe, har jeg i hvert fall lyst til å si at jeg har hatt det første møtet med styreleder i Isfronten for å se på i hvilken grad man kan utnytte noe av dette til den historiske interesse det definitivt vil kunne ha. Jeg synes det er

Det hadde tjent regjeringspartiene til ære å støtte dette forslaget og gjennom det heve anerkjennelsen og viktigheten av den innsatsen som norske soldater gjør i skarpe oppdrag, og når de blir skadet for livet. Det har vært stor enighet i denne sal om å styrke anerkjennelsen og oppfølgingen av Forsvarets veteraner. Derfor er det overraskende at vi her skiller lag. Vi er etter Høyres mening ikke ved målet, fordi dagens ordninger for erstatninger til skadde veteraner oppleves som uoversiktlige og uryddige. Fortsatt legges heller ikke prinsippet om lik erstatning for lik skade til grunn. Høyre mener derfor det er et stort behov for å samle og forenkle erstatningsordningene, og altså gjerne i form av en tjenestebasert, modernisert Mange av veteranene og de skadde har utført sin tjeneste med bakgrunn i våre spesialstyrker, FSK, HJK og MJK. De utgjør en svært viktig kapasitet i Forsvarets definitive spisse ende. Dette er det stor tverrpolitisk enighet om, og det er bra. Det er derfor med stor forventning at vi i Høyre imøteser Forsvarets mulighetsstudie for videreutvikling av spesialstyrkenes beredskap for kontraterroroperasjoner. En samlet komité sender i sine merknader et tydelig signal om at forsvarssjefen bør vurdere å gi også MJK nasjonale oppgaver knyttet til sjøbasert kontraterror og en formalisert beredskapsrolle. De viktigste av våre installasjoner knyttet til olje- og gassvirksomhet er lokalisert i MJKs nærområde på Vestlandet og i Nord-Norge. Responstid, maritim kompetanse og ikke minst tilhørighet og nærhet til næringsclusterne bør være vesentlige hensyn å ivareta når disse viktige kapasitetene skal gis en ny operativ innretning, noe som også er helt

Heimevernet er en betydelig ressurs i forbindelse med territorielt forsvar. Fremskrittspartiet er opptatt av at hele Heimevernet må utrustes, slik at det har best mulig utstyr og riktige kapasiteter for å løse sine oppdrag. For å oppnå en best mulig utnyttelse av Heimevernet og den ressursen som HV er, også når det gjelder å støtte det sivile samfunnet, må det legges opp til mer øving og trening. Fremskrittspartiet mener det må være årlig trening på de enkelte objektene for å sikre at mannskap og planverk er oppdaterte og forberedt på oppdraget. Det har gjennom flere år kommet mange bekymringsmeldinger som er knyttet til Heimevernets utvikling og operative evne. Manglende øving og trening, med et absolutt bunnivå i 2009, har redusert den reelle operative evnen i store deler av Heimevernets struktur, i altfor stor grad. stor grad. Derfor er det helt nødvendig å snu denne utviklingen, noe som ikke minst flere hendelser det siste året har vist oss. Fremskrittspartiet er opptatt av at alle samfunnsressurser skal utnyttes best mulig. Et nært samarbeid med andre relevante etater er nødvendig for å sikre at samfunnet har en best mulig beredskap og står godt rustet dersom uforutsette hendelser eller katastrofer inntreffer. Samarbeidet med Sivilforsvaret og politiet må styrkes, og det må legges opp til felles øvelser og beredskapsplaner, der det er naturlig. Sjøheimevernet er en betydelig ressurs med viktige militære oppgaver knyttet til kysten og kystnære farvann. Vi er opptatt av at soldatene i Sjøheimevernet skal utdannes og trenes i tett samarbeid med både Landheimevernet og Sjøforsvarets enheter. Fremskrittspartiet ønsker ikke det vi ser på som en sterk nedbygging av Sjøheimevernet, slik det legges opp til av regjeringen. Vi ønsker å videreføre nåværende oppgaver knyttet til maritim overvåking, kontroll med skipsfart og med styrket innretning mot sikring av objekter. Denne saken angår svært mange i og rundt Forsvaret, og det store engasjementet i saken er

Den kalde krigens utfordringer har blitt avløst av nye sikkerhetspolitiske utfordringer, som krever at nasjonen Norge har tilstrekkelig forsvarsevne, både til lands, til vanns og i luften. Derfor er Høyre opptatt av å styrke Forsvarets operative evne, og derfor har Høyre foreslått andre prioriteringer og andre løsninger enn regjeringen, på en del punkter. Derfor er også Høyre genuint opptatt av en personell- og kompetansereform i Forsvaret. Et høyteknologisk forsvar stiller andre og minst like store krav til kompetanse og stabilitet blant de ansatte i Forsvaret. Norges nordområdeutfordringer har også en forsvarsmessig side. Modernisering og oppbygging av russisk forsvarskapasitet i nord er en realitet. Svaret fra norsk side må være en robust og tydelig tilstedeværelse av norsk forsvar i nord, også i

og nå konstaterer jeg at hele opposisjonen, med unntak av Fremskrittspartiet, mener at Ørland bør være hovedbase. Det må vi bøye oss for – slik er demokratiet. Da er det viktig at det blir en framskutt base i nord, og valget av Evenes er helt riktig, ut ifra en totalvurdering. Begrunnelsen ligger i fagutredningen, hvor Evenes og Andøya ble pekt på som de prioriterte alternativene til en QRA. Det viktige nå er at etableringen på Evenes blir gjennomført på en god måte og i et nært samarbeid med kommunen og regionen. Når det gjelder Bodø, blir oppgavene for Forsvaret og staten stor. I årene som kommer, er det særdeles viktig at Forsvaret rydder opp etter seg og legger til rette slik at kommunen og regionen kan omstille seg etter tap av svært mange verdifulle arbeidsplasser – 2 000 stk., dersom man tar med de ansatte i Forsvaret og de som leverer til Forsvaret. De ansatte i Luftforsvaret må ivaretas på en god måte. For Bodø kommune vil tilgangen på ledige arealer være hovedsaken. Bodø har behov for nye arealer for å skape vekst og utvikling, og potensialet her er stort. Men arealene mellom rullebanen og sjøen, de som Forsvaret forlater, er av begrenset verdi. Rullebanen må flyttes, og arealene der rullebanen i dag er, må bli tilgjengelig for utvikling av Bodø-samfunnet. Det er ikke mye å forlange som en omstillingspakke for en kommune som har vært vertskommune for Luftforsvaret og kampflyene de siste 60 årene. Dette må løses i et spleiselag. Inntekter fra salg av eiendommer og utgifter dekkes i et spleiselag der samferdsel, forsvar og kommune inngår. Det blir hovedoppgaven i det oppryddings- og omstillingsarbeidet storsamfunnet må bidra til i Bodø de kommende

Jeg er derfor veldig glad for at Stortinget i dag vedtar den framtidige basestrukturen, og at flertallet, regjeringspartiene, er så tydelige i sine valg. Aller mest glad er jeg selvfølgelig for at man velger Ørland som ny hovedbase for Forsvarets nye kampfly. Ørlands kvaliteter er det ingen som nå bestrider. Ørland har unike øvingsmuligheter, ikke bare i

Jeg er litt forundret over at forsvarspartiet Høyre vegrer seg for å gjøre klare og tydelige valg om basestruktur. Heldigvis er de klare på at de ønsker Ørland som hovedbase, men så lenge de er uklare på hvor den framskutte basen skal ligge, blir det også usikkerhet når det gjelder hele basestrukturen. Vi har hørt Høyres Ivar Kristiansen tidligere her i dag være veldig tydelig på at basen skal ligge i Bodø, og vi har også hørt Høyres nærmeste samarbeidspartner, Fremskrittspartiet, med sin forsvarspolitiske talsperson, Jan Arild Ellingsen, tidligere uttrykke ønske om omkamp om hele basevalget dersom de kommer i regjering. Jeg er litt forundret over at Høyre er så kritisk til det utredningsarbeidet som er gjort når det gjelder basevalg, for dette er en grundig fagmilitær utredning, det har vært på høring, og det har vært en omfattende og grundig saksbehandling i det har vært på høring, og det har vært en omfattende og grundig saksbehandling i Forsvarsdepartementet, hvor alle alternativer har vært utredet. I tillegg har forsvars- og utenrikskomiteen hatt en grundig behandling. Hva er det Høyre nå mener at de må utrede mer? Jeg tror ikke det er mulig å utrede mer. Det det egentlig handler om, er at Høyre ønsker å være utydelig på dette området. Dessuten synes de det er ubehagelig å ta tøffe og nødvendige valg. Jeg håper likevel at både Høyre og Fremskrittspartiet nå slår seg til ro med den beslutningen som blir fattet i Stortinget nå i kveld. Ikke minst håper jeg det med tanke på de ansatte i Forsvaret og lokalbefolkningen i de berørte kommunene. De fortjener klare svar og ikke noe mer usikkerhet framover. Jeg registrerte i representanten Myrlis innlegg at forsvarspolitikk ikke skulle være distriktspolitikk. Likevel er det altså representanter for regjeringspartiene som går på talerstolen her i dag og er

Opposisjonen derimot har argumentert med militærfaglige hensyn for hvorfor vi ønsker en annen løsning enn regjeringa på et par viktige områder. Jeg har også notert meg som interessant at det nå kommer helt ulike signaler fra regjeringspartiene når det gjelder spørsmål om hva som skal skje i Bodø etter nedleggelsen av Høyre støtter regjeringspartiene i at Ørland blir hovedbase for kampfly; det har det aldri vært noen som helst tvil om. Så ønsker vi altså en utredning av en løsning i Bodø for den framskutte basen, fordi vi mener at spørsmålet ikke er godt nok utredet. Senterpartiets representant Olov Grøtting sa at det vil bli ordnet opp og ryddet opp i Bodø. Men det er ikke lagt inn i ett eneste regnestykke fra regjeringa. Representanten Geir-Ketil Hansen sier at det også må ryddes opp etter jagerflyvirksomheten i Bodø. Representanten Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet sier det samme. Men da vi spurte om dette eksplisitt i forbindelse med behandlingen, svarte Forsvarsdepartementet følgende, og jeg siterer: «Forsvarsdepartementet har i henhold til normal praksis lagt til grunn at Forsvarets eiendommer selges uten at det er gjennomført rivning og eventuell opprydding før et eventuelt salg. Det er den forventede markedspris Forsvaret kan oppnå ved et salg for eksempel til en privat eiendomsutvikler, uten rivning og opprydding, som er lagt til grunn . Rivning, opprydding og tilrettelegging for salg før eiendommene i Bodø legges ut på markedet vil normalt sett øke markedsverdien betydelig. Forsvarsbygg skal imidlertid ikke opptre som en eiendomsutvikler og eiendommen selges derfor «as is».»

opplegg. Derfor er det med glede jeg konstaterer at representanter for alle tre regjeringspartier ser at vår løsning om å utrede spørsmålet om Bodø én gang til faktisk er den beste løsninga. Høyres nye vri er

parti. Det er alvorlig, fordi det gir falske forhåpninger til Bodø og Bodøs befolkning om at det kan være en mulighet for at det fortsatt blir kampfly i Bodø. Folk i Bodø trenger ikke mer usikkerhet nå. Nå må de se framover og mot å videreutvikle Bodø som Forsvarets operative hovedstad i Norge – uten kampfly. La oss manne oss opp og si at det ikke blir kampfly i Bodø i framtida, for det er det som er realiteten. Så sa Ivar Kristiansen tidligere i dag at Høyre ikke vil legge ned Bodø hovedflystasjon. Jo, det vil Høyre. En kan kanskje komme seg ut av det ved å si at en stemmer imot forslaget og ordlyden i dag. Men vi trenger jo ingen hovedflystasjon i Bodø for å huse en framskutt operasjonsbase med QRA. I dag er det i Bodø to jagerskvadroner med stor virksomhet. Det er en hovedflystasjon, men det trengs ingen hovedflystasjon for en framskutt base. Dette er dobbeltkommunikasjon. For øvrig skal begrepet «hovedflystasjon» utfases, så det vil uansett ikke bli noen hovedflystasjon i Bodø i framtida – ikke i gagnet og ikke i navnet. er ikke mangel på svar, mangel på utredninger og mangel på beregninger. Problemet med Høyre er at de ikke liker det svaret de får når det foretas utredninger og beregninger. Bodø er uansett veldig mye dyrere enn Evenes. En kan like det, eller ikke. Ivar Kristiansen skulle logge seg inn på nettbanken for å sjekke saldoen sin, og han kanskje ikke liker det som framkommer. Men det hjelper i grunnen ikke å logge seg inn flere ganger. Tallet som framkommer, blir det samme, uansett hvor mange ganger han forsøker seg – kanskje bortsett fra hvis noen gode venner overførte penger. Det er kanskje det han håper på. Det er sjølsagt hardt å erkjenne det, men det er ingen vits i å utrede det spørsmålet mer. Vi har også fått svar: Dette kommer ikke til å være en prioritert sak, verken for Høyre eller for Fremskrittspartiet dersom det skulle bli regjeringsskifte – måtte Gud forby – etter neste års valg. Vi har fått gode avklaringer. Dette er ingen prioritert

For oss i Senterpartiet har det likevel vært viktig å være med på å ta grep som sørger for økonomisk bærekraft i Forsvaret framover. Det har derfor vært helt nødvendige grep. Basestrukturen i Luftforsvaret må bestemmes ut fra hva som er best for forsvaret av Norge, ikke ut fra hva som er best for de enkelte lokalsamfunn. Som stortingsrepresentant for Senterpartiet er jeg selvsagt svært glad for at Ørland blir hovedbase for kampfly, nettopp fordi det er det beste for Forsvaret og for Norge. Jeg mener det er det beste alternativet, med hensyn til både utviklingsmuligheter og at det ikke er andre aktører som kan legge begrensninger på aktiviteten i luftrommet. Dette er et alternativ jeg naturlig nok har jobbet aktivt Ørland er utvilsomt den beste løsningen med hensyn til langsiktig utvikling av kampflyvåpenet. Det er det heldigvis stor enighet om i denne sal. Satsingen som i årene framover skjer rundt Ørland flystasjon, vil gi store ringvirkninger for næringslivet i hele Trøndelag, og på Ørland spesielt. Det vil tilføre regionen arbeidsplasser og innbyggere. Derfor er det en gledens dag for Fosen-regionen og for hele Trøndelag. Når det er sagt, har jeg stor medfølelse med Bodø-miljøet, som har hatt kampflybase i 60 år. For dem er det selvsagt en tung dag. Det som er positivt for både Bodø og Ørland, er at det nå kommer en avklaring. Usikkerheten de siste årene har satt samfunnsutviklingen på disse plassene på vent. For Senterpartiet har det hele tiden vært viktig å sikre et forsvar med tilstedeværelse i hele landet og med midler til å øve. Jeg mener regjeringen har lagt fram et forslag som sikrer et sterkt distriktsforsvar og tilstedeværelse gjennom Heimevernet. Det bidrar til å styrke forsvarsevnen på lang sikt. For oss har det vært viktig å reversere det store kuttet i Heimevernet som ble foreslått av forsvarssjefen. Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å opprettholde både antall distrikter og antall soldater i Heimevernet. Langtidsplanen sikrer at Heimevernet fortsatt skal være til stede i hele landet, noe vi i Senterpartiet er svært fornøyd med. Vi behandler i dag både innstillingen om langtidsplanen – der en hovedsak er anskaffelsen av nye kampfly for Luftforsvaret – og

Dette vil være svært viktige bidrag til den moderniseringen av Forsvaret som i lang tid framover skal gjøre dem i stand til å løse sine hovedoppgaver. Kristelig Folkeparti støtter begge disse investeringsprosjektene. Når det kommer til stykket, er enhver organisasjon avhengig av dyktige og gode medarbeidere for å lykkes. Slik er det også i Forsvaret. Derfor er arbeidet med rekruttering, opplæring og ledelsesstruktur grunnleggende viktig. Etter Kristelig Folkepartis syn trenger vi nå en omfattende personell- og kompetansereform i Forsvaret. Det må legges bedre til rette for samhandling mellom militær og sivil del av samfunnet. Økt mulighet for karriereveksling, med sivilt meritterende utdanning og kurs, vil Dessuten trenger vi en helhetlig gjennomgang av befalsordningen. Kristelig Folkeparti ber om en snarlig prinsippbeslutning knyttet til spørsmålet om innføring av en befalsstruktur for henholdsvis generalister og spesialister i tråd med NATO-standarder. Gjennom flere tiår har vi hatt et problem med en ubalanse mellom Forsvarets struktur og dets økonomi. Både Bondeviks og Stoltenbergs regjeringer har jobbet systematisk med å skape en bedre balanse. Situasjonen er nok gradvis blitt noe bedre. Men regjeringspartiene harmoniserer nok virkeligheten noe når de hevder at Forsvaret nå er «fullfinansiert og i balanse». Både fra Forsvarets forskningsinstitutt og fra Riksrevisjonen får vi signaler som tyder på at det ikke er tilfellet. Vi bør være realistiske. Arbeidet med å få til en fullgod balanse mellom struktur og økonomi vil vi nok måtte ta med oss inn i neste langtidsperiode. Dette er viktig for Forsvaret, for uten nok penger til opplæring og drift vil vi heller ikke kunne gjøre full nytte av de store materiellanskaffelsene som vi har gjort i Sjøforsvaret, og i tiden framover skal gjøre i Luftforsvaret og Hæren. Jeg er opptatt av nordisk samarbeid, og jeg har i mange år fått anledning til å være med i Nordisk råd. Jeg er glad for at det skjer en god utvikling også når det gjelder nordisk forsvarssamarbeid. Det er interessant at dette initiativet ble tatt av den norske og den svenske forsvarssjefen så tidlig som i 2007, og senere ble fulgt opp av den finske forsvarssjefen. Dette var både Dette ble fulgt opp av den såkalte Stoltenberg-rapporten, som tidligere statsråd Thorvald Stoltenberg utarbeidet på oppdrag av de fem nordiske forsvarsministrene i 2009 – et godt og viktig dokument. Etter dette har nordisk forsvarssamarbeid blitt stadig viktigere, og interessen er stor. Ved å samarbeide kan små land lettere få råd til å opprettholde et tidsmessig og moderne forsvar. Det er allerede kommet i gang et praktisk samarbeid om øvelser og anskaffelser. Forsvarssamarbeidet i Norden er ikke bare av praktisk og konkret art. Dette har også fått en politisk side. I fjor ble de nordiske land enige om en nordisk solidaritetserklæring der de forpliktet seg til å stå sammen i kriser.

La meg presisere at et slikt nordisk samarbeid ikke vil kunne erstatte NATO-samarbeidet for oss. Men nordisk samarbeid kan supplere NATO-samarbeidet, og vi kan gjennom nordisk forsvarssamarbeid bygge bru mellom nordiske NATO-land og nordiske land som står utenfor NATO.

i fylket og sentralt vært viktig å si at Rygge militære flyplass bør videreføres, og vi har sagt at vi bør beholde generalinspektøren for Luftforsvaret med stab. Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat bør opprettholdes inntil en endelig avgjørelse om kampflybasestruktur og luftromkontroll er fattet. For meg er det også avgjørende viktig å understreke betydningen av å beholde den kompetansen som Luftforsvaret har i det militære miljøet på Rygge. Jeg er overrasket over hvilket debattnivå representanten Svein Roald Hansen legger seg på i replikkordskiftet med representanten Hans Olav Syversen – og også i sitt eget innlegg så langt her i denne saken. Når det gjelder å beskylde opposisjonen for at våre valgkampplaner er viktigere enn Forsvarets langtidsplaner, må jeg si meg enig med representanten Syversen: Det blir et «for billig» poeng.

regjeringen. Jeg skjønner også at ordføreren, Inger-Lise Skartlien, fra Arbeiderpartiet i Rygge synes dette er litt vanskelig. Hun sier til NRK Østfold i dag at hun håper på et regimeskifte i Arbeiderpartiet. Skartlien trenger ikke å håpe på et regimeskifte i Arbeiderpartiet, hun må håpe på et nytt valgresultat. Det er

men da må det også være snakk om de riktige omstillingene – omstillinger som gir reell og målbar operativ gevinst eller økonomiske innsparinger. De må dessuten være bygget på solide analyser og etterprøvbare økonomiske premisser. Høyre er derfor sterkt bekymret for den økonomiske bærekraften i dagens og fremtidens norske forsvar, det gjelder både den løpende finansieringen og i enda større grad anskaffelsen og driften av kampfly. Jeg registrerer at forsvarsministeren i dag presiserer at normalsituasjonen for fremskutt base i nord innebærer en QRA på tre fly – uavhengig av hvor den ligger. Det var en interessant presisering fra forsvarsministeren. Det er Forsvarets behov som skal ligge til grunn. Det er de militærfaglige rådene som skal være avgjørende. Jeg vil understreke at det er det som nå ligger til grunn for at Stortinget i dag vedtar Ørland som fremtidens kampflybase. Det er en god løsning. Det er den beste løsningen for Forsvaret og for Norge. Dette er en merkedag, og det er ikke minst en merkedag for Forsvaret. Det er et nødvendig vedtak Stortinget gjør i dag, nemlig å samle seg om én base. Det er viktig. Det er viktig. Det er viktig fordi man får en forutsigbar struktur for Luftforsvaret. Det er også viktig å understreke at det vedtaket som gjøres i dag, baserer seg på de beste faglige rådene. Vedtaket om Ørland som kampflybase skal stå seg langt frem i tid. I Trøndelag er vi i dag. Som vertsregion for den nye basen skal vi strekke oss langt og gjøre vårt ytterste for å vise at Stortinget i dag har fattet det riktige vedtaket. Først føler jeg at jeg skylder representanten Korsberg svar som jeg ikke rakk i forrige omgang. Det var en direkte utfordring som jeg vil ta. Det var spørsmål om jeg gjennom uttalelser i Aftenposten hadde sagt at jeg skulle bryte kontrakten om NH90, og ikke hadde snakket med Stortinget om det på forhånd. Jeg opplever at mine uttalelser var veldig klare – at jeg ikke hadde til intensjon å bryte kontrakten, og at jeg ønsket å kjøpe NH90, som er et fantastisk bra helikopter. Problemet er at leverandøren ikke har holdt kontrakten, fordi de ikke har levert i henhold til kontrakt. Det er etter mitt syn å snu saken litt på hodet. En annen representant fra samme parti, nemlig representanten Ellingsen, var derimot umiddelbart ute og sa at vi skulle bryte kontrakten, omtrent nå. Jeg står da midt imellom disse to posisjonene i Fremskrittspartiet – om at man ikke bør røre noe som en gang er inngått, eller at man må øyeblikkelig gå til handling. Jeg har

om Bodø til representanten Eriksen Søreide. Jeg blir mer og mer overbevist om at representanten Myrli har et poeng når han sier at det stadig vises til at det er stilt 291 spørsmål, og at det skal være bevis på at saken er for dårlig opplyst. Så finnes det i hvert fall metodisk sett én mulig forklaring til, nemlig at den som mottar svaret, ikke liker svaret og derfor spør om igjen i håp om å få et annet svar. Det er altså ikke slik – jeg gjentar: ikke slik – at vi har sagt at kritisk masse, bygningene, i Bodø skal selges «as is». Vi har derimot opplyst ganske grundig i mange omganger at den normale beregningsmåten til institusjonen Skifte Eiendom er slik at for å sammenligne kostnader setter man opp et regnestykke som om man skulle selge «as is». Så ser man i prosessen om det er det man gjør. Hvis det f.eks. er slik at Forsvaret skal selge en bygning, vil man ikke begynne med å rive den, pløye opp jorda og dyrke skog dersom noen har lyst til å kjøpe den bygningen. Man vil først finne ut om noen vil ha bygningen. Hvis ingen vil ha den, gjør man noe annet. Da får man et standardisert uttrykk for kostnaden. Det er «as is». For å si det forsiktig: Det vet jeg vi har opplyst om. Da er spørsmålet om man ønsket å høre svaret. Så har jeg til slutt lyst til å si at kommer tilbake til litt om økonomien, som flere vil snakke om. Men det er påfallende at de partiene som hver gang de tar ordet, uttrykker bekymring for økonomien, tilfører kostnader. Da blir jeg bekymret for

og ikke bare én gang, men han har blitt slått i bakken mer enn én gang og reist seg opp igjen og gjort en formidabel jobb! Selv om Fremskrittspartiet i dag kommer til å gå inn for en løsning som Evenes ikke er en del av, ønsker jeg å gi ham honnør for den jobben han har gjort. På samme måte har også den politiske ledelsen i Bodø gjort en utmerket jobb med å utfordre og påpeke muligheter, og de har også påpekt konsekvenser, på en måte som jeg mener er konstruktiv og ikke negativ. Det samme har man gjort fra Indre Troms, hvor man er i ferd med å finne en løsning for sykehuset og utfordringene der. Og ikke minst har de ansatte på Rygge gjort en formidabel jobb, på tross av at de må slåss mot de partiene som har flertall i denne salen, og som kommer til å legge ned Rygge flystasjon i dag. Det samme gjelder Mågerø. Et av godene når man driver med politikk, er engasjementet i Norge, at vi har ansatte og lokalpolitikere som står oppreist og tar tak og utfordrer oss på de såkalte politiske sannheter. Det er bra, og det er en viktig ting å ta med seg – og ikke minst å gi dem Så vil jeg også si at Fremskrittspartiet ønsker å ha et sterkt fokus på Heimevernet videre. Jeg fikk ikke tid til å si det i sted, så jeg tar det nå. De er en tung premissleverandør. Jeg regner med at når 22. juli-kommisjonens rapport kommer, kommer den til å påpeke en del ting. Her er det viktig at man ser sammenhengen mellom det Forsvaret gjør, og det som justissektoren skal gjøre. To ord om Bodø: Fremskrittspartiets hovedbekymring er tap av kompetanse. Jeg registrerer at man har forutsatt at man får med seg de ansatte, men jeg ser ikke at det er åpenbart at det vil skje, for signalene fra mange ansatte er at dette vil de ikke. Jeg sa – den dagen regjeringen la fram proposisjonen – at dette er en god dag for Bjørn Kjos, fordi tilgjengeligheten på folk med stor kompetanse blir større, og pendlerutgiftene går rett i lommen hans. Siden statsråden har vært så opptatt av operativ evne, så opptatt av operativ evne, var dette en av mine bekymringer og tankekors – i hvert fall den dagen. Jeg deler representanten fra Senterpartiets bekymring over at Forsvaret skal ta en stor grad av kostnadene til det overflødige innenfor egen ramme. Det hadde vært interessant å høre: Hva er det som er «overflødig» innenfor luftfart i dag som skal kuttes? I all selskapelighet, på slutten av debatten, hadde det vært moro å få et innspill om det. La meg også mot slutten bare si at

og det vil fremdeles være nødvendig. Men en rekke historiske eksempler viser at Forsvaret har brukt altfor mye ressurser på flytting, avvikling og nedleggelser som har vært dårlig utredet og dårlig forankret, og som har måttet reverseres i løpet av kort tid. Det å nå stoppe opp, det å få belyst, det å ha et godt beslutningsgrunnlag handler ikke om beslutningsvegring, og jeg tror konsekvensene av feil valg bare vil bli større. La meg ta noen eksempler på dårlig beslutningsgrunnlag og flytteprosesser tidligere: Vedtaket om å legge ned Madla i 2008, noe opposisjonen advarte sterkt imot, er nå heldigvis omgjort. FOH: Bodø–Kolsås og så flyttet til Jåttå for snart ti år siden, før regjeringen i 2008 fikk flytting til Reitan. Det kostet over en halv milliard Generalinspektørene inn som en del av integrert strategisk ledelse i 2006 – ble vedtatt flyttet ut igjen to år senere. 335-skvadronen om taktiske transportfly ble vedtatt flyttet fra Gardermoen til Rygge i 2004 – ble omgjort i 2008. 717-skvadronen ble flyttet til Rygge fra Gardermoen i 1995 fordi driften var uforenlig med sivil hovedflyplass – er nå tilbake. Denne listen kunne ha

at den skal ligge i Bodø. Det vil bidra til å opprettholde et høykompetent flyfaglig miljø, og det vil være den beste løsningen i et helhetlig perspektiv. Regjeringens forutsetninger for å kunne forlate Bodø kostnadsfritt – eller kanskje med fortjeneste – holder dessuten ikke. Dagens debatt viser også at det synes å være en regjering på vandring, ved at man nå skal ta større deler av kostnadene ved en «opprydding». Jeg vil si til statsråden at det å selge «as is» kan være gunstig, men du kan legge til grunn, statsråd, at du ikke vil ha noen kjøper som er interessert i miljøgifter i grunnen – ei heller muligheter for sprenglegemer i grunnen. Det betyr at det må skje en opprydding i forhold til dagens tilstand. Så er det for meg uforståelig at man fremdeles tviholder på at en Bodø-løsning skal ha alt av kostnader ved flytting av rullebanen over på Forsvaret. Jeg er overbevist om at her er det muligheter til å se dette i et samfunnsmessig perspektiv, noe som vil føre til helt andre kostnader for Forsvaret enn det regjeringen presenterer for Stortinget. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at all tale fremdeles skal rettes til presidenten og ikke nødvendigvis til statsråden. Jeg har med interesse hørt på hva representanten

lang tid, men da må det være de riktige omstillingene – bygget på solide analyser og etterprøvbare økonomiske og faglige premisser. Regjeringens forslag for Rygge stryker på begge disse forutsetningene. Som jeg sa i mitt forrige innlegg: Til det å legge hele Øst- og Sørlandet bart for luftforsvar har jeg bare én kommentar, som fortsatt gjelder, og det er: At de tør! tør! Først hadde jeg tenkt jeg skulle komme tilbake til hva som skal skje med areal og verdier på den militære delen av Rygge. Det er det viktig å få svar på etter behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret. Selv ikke en alternativ bruk kommer regjeringen opp med. Det minner meg om strutsen som har hodet i sanden, og som opptrer både urasjonelt og uproft. Regjeringen har altså ikke evnet å besvare hvordan beredskapen skal organiseres og samles i Norge på et generelt grunnlag. Det åpenbare ville være å se om samlokalisering av dem som skal utgjøre Norges beredskap, er til gunst for dem som skal hjelpes. På spørsmål om det er tatt kontakt med justiskollegaen om å utvikle og samlokalisere beredskapskapasiteter og fasiliteter med politiet samt deres beredskapstropper og base for politihelikopter, svarer forsvarsministeren at de har snakket sammen om saken, men bare om sak som omfatter Forsvarets beredskapskapasiteter til støtte for det sivile samfunn. Ellers å vurdere samlokalisering av hele eller deler av beredskapen til Forsvaret og politiet – nei, det er ikke vurdert. Jeg hadde nær sagt: Slå den! For alminnelige folk med alminnelige tanker er det det vi vil ha svar på hvis man skulle se på – når man ser på – en etterbruk. Et slikt oppdrag fra regjeringen burde ha vært en selvfølge og ikke noe man må kjempe fram. Dette kan bare i beste fall

Det har jeg altså ikke gjort. Bakgrunnen for min uttalelse var at jeg mente at det som måtte ligge over tallet som hentes fra proposisjonen, over 150 stillinger. må være å anse som pappfigurer. Jeg tror Sverre Myrli kan ta en telefon til sine partivenner i Indre Troms

i forhold til å få fremlagt alle beslutninger, alle vedtak 14 dager før Stortinget får saken på plass. Når det gjelder det som rir regjeringspartiene mest som en mare – at Høyre vil beholde det som er mulig å beholde i Bodø, og ikke sage ned det mest livskraftige av Forsvarets egne 60 år gamle trær og fjerne den kunnskapen som er plassert i Bodø – det prøver man å føyse bort med å si at vi ikke liker svarene vi får på spørsmålene. Statsråden har nektet å gi svar på spørsmål. Han er systematisk uklar i disse spørsmålene, herunder i dag, hvor saken skal sluttbehandles. Statsråden velger å se bort fra Avinors bidrag til finansiering av flytting av flystripe. Statsråden velger å se bort fra Bodø kommunes kommunale garanti, fra fylkeskommunens RDA-bidrag, og fra inntektene ved salg av 2 000 dekar grunn. Så er det andre talskvinner og -menn fra regjeringspartiene som etterlater inntrykk av at man skal snakke med kommunen i Bodø, man skal snakke med en museumssjef, osv. Kan statsråden i dag bidra til å oppklare hva regjeringen ønsker å etterlate seg ved sin utgang fra sin utgang fra Bodø? Vil statsråd Barth Eide ta initiativ til å sørge for at man får en kostnadsvurdering på plass, ta inn over seg de reelle tall, sørge for at man forlater stedet – hvis det blir utgangen – på en ryddig måte, at man tar høyde for Dette er tall som kommer til å beløpe seg opp mot milliardklassen. Det er bokført av Barth Eide til kr 0. Man tar heller med seg 1,3 mrd. på inntektssiden for å finansiere

er borte. I løpet av relativt kort tid har antallet heimevernsdistrikter blitt redusert fra 18 til 11, og styrken er redusert fra 83 000 til 45 000. I Senterpartiet har vi stilt oss følgende spørsmål i denne prosessen: Hvor bor folket? Hvor er den viktige infrastrukturen? Hvor skjer verdiskapinga? Hvilke andre beredskapsressurser er tilgjengelige? Vi har vurdert viktige samferdselsknutepunkt, Norges topografi, naturens lunefullhet og sårbarhet i samfunnet. Vi har fått følgende svar: tilstedeværelse over hele landet, territorielt og operativt ansvar, sivilt-militært samarbeid, reaksjonsevne og utholdenhet, forankring av Forsvaret, forvalter av verneplikten. Det er de militære oppdragene som skal være dimensjonerende for Heimevernet. Likevel har Heimevernet også en rolle i å støtte det sivile samfunn og den Heimevernet må i den forbindelse ha evne til samvirke med sivile instanser og øvrige samfunnsressurser for å kunne støtte og beskytte. Det er behov for et styrket samarbeid og bedre koordinering mellom politi, sivile beredskapsetater og Forsvaret. Dette er særlig viktig for Heimevernet. Innsats fra Heimevernet vil være avgjørende i kriser som truer samfunnssikkerheten. Dette er spesielt viktig for de deler av landet som har mindre tilgjengelige beredskapsressurser enn det som finnes i mer sentrale strøk. Året 2011 med terrorangrep, flom, ras og storm viser med tydelighet et bredt spekter av kriser som raskt kan oppstå. Behovet for et gripbart og desentralisert heimevern har vært svært tydelig.

Heimevernet anbefales nå organisert innenfor en ramme på totalt 45 000 mannskaper i land-, sjø- og luftheimevernet, hvorav 3 000 mannskaper i innsatsstyrkene og 42 000 i områdestrukturen. Dette er en tilpasset struktur som ivaretar de pålagte operative behov, og vi står nå med et heimevern med 15 000 flere soldater og fire distrikter mer enn det forsvarssjefen foreslo. Heimevernet har et landsdekkende ansvar med hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter og skal være tilgjengelig på kort varsel. Heimevernet har over flere år hatt et for lavt øvings- og treningsnivå, som har bidratt til å redusere Heimevernets operative evne. En betydelig økning i Heimevernets øvelses- og treningsaktivitet er derfor helt nødvendig.

at man ikke skal rydde opp miljømessig etter forurensning og etter ammunisjon. Selvfølgelig skal man gjøre det, slik man alltid gjør når man forlater et sted. Da vet man ikke på forhånd hvor mye det koster. Det er dette Skifte Eiendom og Forsvaret driver med i stor skala når vi avvikler. Vi avvikler mange hundre steder, og man har gjort det før. Så har det vært slik at dette er et regnskap som går ut på at hvis man f.eks. forlater et skytefelt ute i skogen, og det skal tilbakeføres til skogen, er det ikke nødvendigvis noen som kjøper den. Da er det et tapsprosjekt – man gjør det likevel. Selger man et kontor inne i sentrum av en by, tjener man penger. Disse tingene kan over tid gå opp i opp. Så «as is» er en teknisk beregning, ikke et utsagn om hvordan vi ønsker at dette skal gjøres. Vi vet jo heller ikke hva som skal avhendes. Jeg tror ikke noen i denne salen mener at det ikke skal være flyplass i Bodø. Da er det et spørsmål om overdragelsen til Avinor, og hva som faktisk skal beholdes, og hva som skal ryddes opp. En god del skal ryddes opp, og en god del kan brukes til andre ting. Noe annet som er viktig: Flere har referert til det som om vi har inntektsført 1,3 mrd. kr noe sted i budsjettet. Det har vi ikke. Ivar Kristiansen har sagt her og andre steder at vi bruker dem på Ørland. Nei, vi bruker dem ikke noe sted, for vi vet ikke om vi får dem. Det er en antakelse om en mulig, framtidig inntekt. Den kan være 0 kr eller 1,3 mrd. kr eller mer. Når vi får den, vil den bli tilført budsjettet gjennom f.eks. et revidert nasjonalbudsjett, slik det pleier å være når vi får en inntekt vi ikke kjenner på forhånd. Her sies det en god del ting – og jeg vil igjen henvise både til langtidsplanen, underlagsmaterialet og mange gode spørsmål, som også har fått gode svar, som beskriver det jeg nå nettopp Så vil jeg også få lov til å si til Ingjerd Schou – jeg oppfattet at representanten Schou oppfattet at jeg ikke svarte på hennes spørsmål: redningshelikopteret på Rygge videreføres, basen for Bell 412-helikopteret videreføres på Rygge, HV-01 videreføres på Rygge, og redningshelikoptrene gis en økt operativ beredskap fordi de nå også skal få evne til håndhevelsesbistand til politiet. Det er en helt ny beslutning. Det er veldig bra. Så de tjenestene på Rygge som faktisk yter operativ evne, består, med unntak

som fraviker det fagmilitære rådet, er fornuftige og godt begrunnet, mens forslag som opposisjonen foreslår, som avviker fra forsvarssjefens forslag, bare er distriktspolitikk eller er dårlig begrunnet. Det er en retorikk og en argumentasjon som ikke holder. Det er ingen prinsipiell forskjell når opposisjonspartiene har gjort vurderinger og utvist et skjønn som går i en annen retning enn det regjeringspartiene ønsker.

Det kalles ansvarlighet. Det ville vært helt uansvarlig dersom man la til grunn at alle vedtak i Stortinget, uansett om det gjaldt Forsvaret eller andre ting, skulle rives opp så fort det ble en ny regjering, uansett hvilken farge den regjeringa hadde. Poenget er at man legger til grunn de endringene som blir gjort. Jeg syns det er et tegn på en ansvarlig holdning og ikke noe annet enn det. Jeg hører enkelte i denne debatten og

hele prosessen har vi påvirket saken. Vi stemte også imot forslaget om nedleggelse i Arbeiderpartiets gruppe her på Stortinget, men vi har etter behandling i gruppen måttet gi tapt for flertallet, slik også representanter fra Bodø i Nordland, Mågerø i Vestfold og andre har måttet – slik også representanten Ingjerd Schou innimellom må i saker som er til behandling i Høyres gruppe. Vi tar ansvar for dette og er åpne på at slik er det. Det vi reagerer på, er at Høyre og Kristelig Folkeparti nå framstiller det som om de redder Rygge flystasjon, når de i realiteten kun utsetter avgjørelsen og sier at de skal ta opp igjen saken om de vinner valget i 2013. Høyre og Kristelig Folkeparti skyver altså beslutningene foran seg når det gjelder Luftforsvarets base på Rygge og i Bodø. Konkret ber Høyre og Kristelig Folkeparti i innstillingen om at «det gjennomføres en langt grundigere mulighets-, konsekvens- og kostnadsanalyse av helheten i forslagene knyttet til Rygge». Å påpeke dette kaller altså Ingjerd Schou å rakke ned på Begrunnelsen de bruker, er at forslagene ikke er godt nok utredet. Teknikken er å stille 300 spørsmål til Forsvarsdepartementet – og ikke være fornøyd med svarene man får. Det er ikke beslutningsgrunnlaget som er for dårlig. Det har vært gjennom en grundig ekstern kvalitetssikring – nei, dette er nok et eksempel på Høyres beslutningsvegring ett år før valget. Det samme ser vi når det gjelder Bodø. Her ber Høyre konkret regjeringen om å utrede en løsning med framskutt base i Hovedkostnadene ved dette er de samme som om hovedbasen skulle etableres der, nemlig flytting av rullebanen til en kostnad på 3 mrd. kr. Høyre forsøker å være venn med alle flere steder samtidig, men de avslører seg når partiets hovedtalsperson, Ine M. Eriksen Søreide, sier at det ikke er aktuelt å gjøre om vedtakene etter valget, selv om Høyre skulle komme i regjering.

Det er riktig som vi sier: Høyre tar ikke standpunkt når det gjelder Rygge. De utsetter avgjørelsen, men vil altså ikke ta planen opp igjen i neste periode, ifølge deres talspersoner på riksplan. Arbeiderpartiet bidrar med åpenhet, ikke spill og taktikk i denne saken, som det påstås – det gjør Høyre. Mange, også vi, mente at Luftforsvaret burde beholde Rygge som en av sine baser til bruk i gitte situasjoner og kriser. Det mente altså ikke forsvarssjefen. Det rådet har regjeringen Men det er viktig å merke seg at det fortsatt vil være militær aktivitet på Rygge i framtiden, bl.a. med HV-01 og helikopterbasen. Jeg overvar forsvarsministerens litt spede forsvar for å legge ned Mågerø, når han viste til at forsvarssjefen hadde jo foreslått dette. Vi har jo sett i proposisjonen, og også hørt fra

at vi skulle ligge i radarblinde her på Østlandet. Det er en viktig informasjon til Stortinget. For virkeligheten i dag er jo ikke slik. Hvis man legger ned Mågerø i dag, er risikoen for at vi blir liggende radarblinde, ekstremt stor. For det er ikke slik, selv om vi deler radarbilder med andre i NATO, at bare man har en radar, så er det i orden. Signalene fra radaren må jo til en CRC, hvis ikke er de ubrukelige. Hele poenget med mitt innlegg når det gjaldt Mågerø, var jo at linjene fra disse radarene til CRC-en på Mågerø er for dårlige. Dette er ikke noe jeg finner på. Det sto f.eks. å lese i Tønsbergs Blad 16. mai at man mistet luftbildet over I de to første ukene i mai var det tre alvorlige hendelser som følge av at man mistet kontrollen over luftbildet over Sør-Norge, på grunn av bl.a. for svake linjer. I de tre hendelsene mistet man forbindelsen med den militære radaren, men man hadde Mågerø der til å ta over. Det var en teknisk svikt med det militære overvåkningsflyet i regi av NATO. Mågerø måtte overta hele operasjonen. Det var brannevakuering ved Forsvarets operative hovedkvarter. Mågerø måtte ta over for å sikre situasjonen. Det betyr at vi er i en situasjon som er svært alvorlig med tanke på å ha kontroll over luftbildet over Sør-Norge. I denne situasjonen sier forsvarsministeren at vi ikke skal ligge i radarblinde. Jeg er veldig glad for at forsvarsministeren – når han gir informasjon til Stortinget – må være sannferdig. Det betyr at vi må følge nøye med på – etter at Mågerø er nedlagt – om det på noe tidspunkt er slik at Sør-Norge blir liggende i radarblinde. For hvis vi gjør det, har forsvarsministeren et alvorlig problem. Jeg regner med at han i sitt neste innlegg – for jeg har registrert at han har tegnet seg på nytt – gjør grundig rede for hvilke tiltak han mener må gjennomføres for å sikre at man i østlandsområdet, på Vestlandet og i deler av Midt-Norge ikke havner i radarblinde når Mågerø legges ned – etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Tolkning av ord og skrift kan jo lede til så mangt, men Line Hjemdals tolkning av mitt innlegg krever en kommentar. Det er riktig at vi fra Østfold – også innad i regjeringskoalisjonen – har arbeidet for at Luftforsvaret fortsatt skulle beholde Rygge flystasjon i sitt eie, og altså fortsatt drive flyplassen, som Irene Johansen redegjorde for. Det ble altså ikke slik. Men nå må vi heller ikke uttrykke oss som om Rygge legges ned. Det for Luftforsvaret, hvor beredskapshelikopterne skal være, sammen med redningshelikoptre, og hvor HV fortsatt skal være. HV var foreslått flyttet fra forsvarssjefens side. Slik ble det ikke. Det er faktisk også viktig, ikke bare for Rygge, men for beredskapen i Østfold, også opp mot sivile hendelser. Så har forsvarssjefen – gjennom forsvarsministeren – svart at han ikke er bekymret for muligheten til å kunne bruke flystripa på Rygge i situasjoner hvor det måtte være nødvendig, f.eks. som da Obama var her og tok imot fredsprisen, og F-16 sto på Rygge. Det vil fortsatt kunne skje. Det kan sikres gjennom avtale med Rygge sivile lufthavn, som jeg antar blir den som overtar. overtar. Jeg kan ikke tenke meg at en sivil driver av Rygge sier nei til å ta imot inntekter fordi om det er jagerfly som lander istedenfor passasjerfly. I tillegg finnes det altså en flyplass på den andre siden av fjorden, og det finnes en flyplass nord for Østfold. Så det er flyplasser som kan benyttes også av Forsvaret i situasjoner hvor det må være nødvendig. Representanten Ingjerd Schou peker på Rygges strategiske plassering. Ja, Rygge har en strategisk plassering, det har også Torp og peker på Rygges strategiske plassering. Ja, Rygge har en strategisk plassering, det har også Torp og Gardermoen. Når forsvarssjefen ikke er bekymret for å overlate flyplassdriften på Rygge til sivile, er det krevende for politikere å være det. Det som er uklart, er om det blir omkamp om noe, eller hva det blir omkamp om. Line Henriette Hjemdal sa at Generalinspektøren for Luftforsvaret og inspektoratene skal forbli på Rygge hvis de ønsker det, inntil endelig vedtak om kampflybase er fattet. Det vedtaket fatter vi altså senere i kveld – det gjør vi. Så sa Ingjerd Schou at det å beholde hånd om driften av flyplassen på Rygge ikke er en utsettelse fra Høyres side. Men Ine M. Eriksen Søreide sa altså på talerstolen her at det ikke er naturlig å ta dette opp igjen og foreslå endringer. Det synes jeg også de andre representantene fra Høyre og regjeringspartiene burde forholde seg til, for det er den usikkerheten man forsøker å spille på videre. Komitélederen introduserte problemstillingen at om det er

Så var Korsberg kort inne på Mågerø igjen. Jeg vil ikke på noen måte bagatellisere at det alltid er vondt og vanskelig å miste et fagmiljø. De som jobber der, gjør en veldig god jobb, og de gjør en god jobb hver dag. Men så er det altså ikke slik at man bare lar ting være som de er; at man stenger en stasjon, og så gjør man ikke noe annet. I mitt tidligere innlegg om dette nevnte jeg altså investering i langt mer moderne nett – redundante nett – som går gjennom både luft, fibernett og

Det er altså slik at Norge er det landet i Europa som bruker mest penger per innbygger på forsvar. Vi er nr. 2 i Nato og nr. 7 i verden. Vi skal øke det budsjettet. Ine M. Eriksen Søreide påpekte at Høyre i forrige periode foreslo å øke budsjettet med 2,65 mrd. kr. Høyre er et solid forsvarsparti, og det er bra. De har riktignok alltid kommet med en kostnadsside som ofte har vært enda høyere, men de har i hvert fall foreslått en økning. Da regner jeg med at representanten Ine M. Eriksen Søreide bestemt er glad for at vi nå øker med 4,335 mrd. kr i denne perioden, som jo er tidenes økning – i hvert fall i moderne tid – nettopp for både å anskaffe kampfly og for å øke driftsrammen, slik at hvert eneste av de forslagene vi har lagt oppå forsvarssjefens plan, faktisk blir finansiert ut fra samme regnemodell som enhver regjering alltid har brukt for teknisk justering av kostnader fra et år til et annet, og som det er bred faglig enighet om. Jeg takker for en god debatt om et veldig viktig tema og vil avslutte med å understreke at det er godt å være forsvarsminister i et land hvor det er så stor enighet. Det er også rimelig i et demokrati at vi diskuterer mest de tingene vi er uenige om.

Når forsvarsministeren vektlegger hvor mye penger man bruker på forsvar per innbygger, er det bare delvis en interessant størrelse. Den interessante størrelsen er jo hvilken operativ evne vi får for de pengene vi bruker, og om vi er i stand til å finansiere og drifte de kapasitetene vi faktisk har. Det er akkurat i det perspektivet opposisjonen mener at det både har vært, og for framtida også vil være, mangler knyttet til det opplegget regjeringa har lagt opp til. Når det så kommer til spørsmålet om Rygge, så kommer til spørsmålet om Rygge, vil jeg henlede oppmerksomheten på at det er mange ting regjeringa ikke har kunnet gi svar på til Stortinget. For det første er det ikke tatt stilling til hva som skal skje med drivstoff- og ammunisjonslageret. For det andre er det sånn at luftfartsloven § 13-9, som åpner for muligheten til å rekvirere en flyplass, ble altså tilføyd i 2004 og har aldri vært brukt. Det er ingen som aner hva en eventuell erstatningskostnad vil bli dersom man blir nødt til å gjøre nettopp det. Dette er altså spørsmål som foreløpig ikke er besvart. Til spørsmålet om Heimevernet er det mange som har pekt på det. Representanten Sverre Myrli var jo frisk i sin hovedinnledning og sa at vi øker den operative evnen i forhold til forsvarssjefens råd. Spørsmålet er jo hvordan i all verden man gjør det når man legger opp til en mindre skarp ende enn det forsvarssjefen har lagt opp til. Og representanten Svein Roald Hansen fulgte jo friskt opp med å si at forsvarssjefer over hele verden må da misunne denne forsvarssjefen som faktisk får mer enn han har bedt om. Vel, forsvarssjefen foreslår jo nettopp en nødvendig omstilling av Heimevernet med en tydeligere skarp ende. Han har jo ikke fått mer enn hva han har bedt om, han har fått noe helt annet enn det han har bedt om, og det er en vesentlig forskjell på de to oppleggene. Helt til spørsmålet om det med Generalinspektøren. Vi foreslår å vente med flytting av Generalinspektøren til man har fått på plass en helhetlig struktur. Dette er et tiltak som – når man skal gjøre denne endringen – koster 350 mill. kr i år. Vi ønsker å bruke disse pengene på økt operativ evne. Det er jo symptomatisk når representanten Myrli sier at ikke gir mer operativ evne om GIL sitter på Rygge eller i Bodø. Da må jo spørsmålet være hvorfor man velger å gjennomføre den endringen nettopp nå. Vi er et ansvarlig parti, som flere har påpekt. Vi må vurdere situasjonen for det enkelte tiltak hvis det blir regjeringsskifte i 2013. Vi er opptatt av forutsigbarhet. Vi er opptatt av ro. Vi er opptatt av ansvarlighet for de vedtak

det. For å presisere det jeg sa i mitt forrige innlegg: Til det trengs det ingen stor hovedflystasjon. Den framskutte basen blir jo en minibase, ut fra dagens aktivitet, og der er langt færre arbeidsplasser enn hos Generalinspektøren for Luftforsvaret og Luftforsvarets øverste ledelse, som Høyre altså ikke vil ha

Ja, men vi vet jo ikke hvor vondt og vanskelig det er, for regjeringen har avvist å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av hva det faktisk vil medføre. Selv når representanter fra Arbeiderpartiet har bedt om det, avviser Forsvarsdepartementet å gå inn i den diskusjonen. Så vi vet egentlig ikke hvor ille det vil være. Det kan altså påføre Forsvaret ytterligere store kostnader – jeg ser forsvarsministeren så vidt nikker her. Det kunne kanskje vært en idé å få vite det i forkant. Så er det en ny ting som jeg vil få forsvarsministerens helt klare garanti for. Han var her oppe og sa at vi skal ikke bare legge ned Mågerø, vi skal også forsikre oss om at vi har en linjekapasitet som er moderne og god nok til å sikre at vi ikke blir liggende i radarblinde. Det må bare tolkes på én måte, at Mågerø ikke kan legges ned før linjene er på plass, for å sikre at den ikke blir liggende i radarblinde i overskuelig fremtid. Jeg vil gjerne at forsvarsministeren kommer opp og forteller om det er dette han mener, eller om han mener noe helt annet. For det er slik man må tolke den uttalelsen – en kan ikke legge ned Mågerø før linjene er på plass. Anundsen tar igjen opp forholdet rundt Mågerø. Jeg må bare si at begge spørsmålene egentlig er Anundsen tar igjen opp forholdet rundt Mågerø. Jeg må bare si at begge spørsmålene egentlig er spørsmål som kan besvares med hvordan dette alltid gjøres. Å gjøre en endring der en base, en stasjon, et fort eller en kontroll- og varslingsstasjon nedlegges, får alltid en del som man selvfølgelig tar høyde for og er klar over. Det vil ha noen kostnader i nær tid, og så gir det en driftsinnsparing på lengre sikt. Mitt utgangspunkt er at to forsvarssjefer etter hverandre og Generalinspektøren for Luftforsvaret anbefaler å konsentrere CRC-virksomheten på ett sted. Så anbefaler de å opprette noe annet – som vi ikke har i dag, og som vi ikke har hatt på mange år – som vi kaller NAOC, Nasjonalt luftoperasjonssenter, og at det legges til Reitan, på grunn av nærheten til Forsvarets operative hovedkvarter, som ligger trygt og godt på Reitan. De opplyser også om at det gir en redundans, fordi det vil føre til at man har en teknisk funksjonalitet der som i en krisesituasjon kan overta for man til daglig vil gjøre på taktisk nivå på Sørreisa. Dette er opplysninger som vi har sjekket mange, mange ganger. På toppen av dette kommer at dette er et av områdene for «Smart Defence», for et tettere samarbeid på tvers av NATO. Det sies at det er mange land som fortsatt har flere. Vel, vent og se, det er ikke så lenge til det kommer flere konsentrasjoner når det gjelder luftkontroll og varsling. Jeg tror at for enkelte land på kontinentet kan det være at man ikke blir sittende med noen selv, men at man deler dem med andre. Poenget er å følge med på himmelen, ikke hvor man sitter og gjør det fra. Jeg har altså understreket at det allerede, uavhengig av dette, foregår en omfattende investering i informasjonsinfrastrukturen i Forsvaret, i fibernett. Vi skal selvfølgelig sørge for at denne svært viktige funksjonen, som må utøves hver dag og hver natt, alltid er oppe i det systemet vi til slutt leverer. Dette er viktige spørsmål, men det er også veldig viktig at de har vært grundig gjennomtenkt. Dette er ikke et politisk påfunn, det er noe vi tar videre fra en anbefaling vi har fått fra de øverste militære lederne, som mener at dette er riktig og rasjonelt å gjøre. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1 og
er å kunne

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret skal etter formålet bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for Forsvarets personell og behandle saker av prinsipiell karakter eller som har allmenn interesse. Nemnda, inkludert Ombudsmannen, velges av Stortinget. Ved utgangen av hvert år sender nemnda rapport til Stortinget om sin virksomhet. Kopi av dette sendes Forsvarsdepartementet. La meg i den forbindelse få komme med noen prinsipielle betraktninger – eller i hvert fall en prinsipiell vurdering. I hver årsmelding påpekes en rekke forhold, dog uten at det synes å være noe system for at dette følges opp. For eksempel har Ombudsmannsnemnda flere år på rad påpekt at det er problematisk at det tar så lang tid å sikkerhetsklarere den som tas inn til førstegangstjeneste. Manglende grønn tjeneste er også en gjenganger. Komiteen har kommentert flere av disse forholdene, og vi har også bedt departementet følge opp. Spørsmålet er hvorfor det ikke er noe system for melding fra nemnda til departementet, eller for den saks skyld til Stortinget. Man kunne selvfølgelig spørre om det er slik at departementet ikke leser komiteens merknader og påpekninger. Det har liten hensikt at Ombudsmannsnemnda påpeker feil eller mangler år etter år uten at nemnda i rapporten året etter etter forteller hva som har skjedd med de sakene når de kommer med en ny melding, at noen andre griper fatt i det, eller at departementet gis anledning til å kommentere eller forklare situasjonen i selve årsmeldingen, slik vi er vant til at Riksrevisjonen gjør. Det er sannsynligvis det siste som bør gjøres, at rapporten sendes til departementet når Ombudsmannsnemnda har satt den opp,

hatt – altså debatten som har pågått de siste timene – har både kommuner og representanter kjempet intenst for å beholde eller få forsvarsarbeidsplasser. Men ifølge nemnda bor stadig færre av Forsvarets offiserer og øvrige ansatte på tjenestestedet. De bor og har familie et annet sted i landet. Nemnda peker på at det kan stilles spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å tilrettelegge så bredt at et flertall familier blir med på flytting til stadig nye arbeidssteder. Ektefeller og samboere har egen jobb og/eller karriere, barna vil bli på skolen i Det moderne samfunnet med dagens familiestrukturer gjør at dette er i ferd med å bli annerledes enn det var bare for få tiår tilbake. Komiteen registrerer det nemnda sier, at «pendlerforsvaret» er kommet for å bli. Men dette er også en økende utfordring for vertskommuner for Forsvarets enheter.

Jeg vil også vise til min interpellasjon om dette temaet 16. april i år og statsrådens innlegg i den debatten. Nemnda tar i den forbindelse opp det som også kom fram i interpellasjonsdebatten 16. april, nemlig kulturen i Forsvaret – den interne kodeksen – som kanskje er en av årsakene til stor gjennomtrekk blant kvinner i Forsvaret. Forsvaret. Det er nemlig slik at det kommer stadig nye kvinner inn, men det er også kvinner som går ut, og dermed står man på stedet hvil. Jeg synes det er viktig at de unge jentene som går over terskelen og sier ja til å gjennomføre førstegangstjeneste, ikke må slite med kultur, holdninger og uheldig adferd hos deler av befalet. Jeg synes også det er viktig at de som kommer inn i Forsvaret på annen måte enn å ha vært gjennom førstegangstjeneste – altså befalsutdanning – og velger å ta tjeneste i Forsvaret og bli offiserer, også føler at dette er et sted det går an å være, og at kulturen, holdningene og adferden i Forsvaret gjør at det faktisk er en trivelig arbeidsplass. Temperaturen i
vær så

skjedde den tragedie at fire norske soldater ble drept av en kraftig veibombe da Iveco-kjøretøyet de satt i, ble rammet under en militær aksjon i nordre deler av Afghanistan. Som følge av den hendelsen ble det besluttet at en skulle hurtiganskaffe 24 Dingo 2-kjøretøy, hvorav ni skulle klargjøres som ruteklareringskjøretøy. Anskaffelsen av Dingo 2 som patruljekjøretøy er gjennomført, og Dingo 2 brukes som det i Afghanistan. Derimot er det, så vidt jeg forstår, ikke endelig bestemt at Forsvaret skal bruke Dingo 2 som ruteklareringskjøretøy, selv om det er et prekært behov for slike kjøretøy i Afghanistan, og at det er gått nærmere to år siden denne tragiske hendelsen synliggjorde behovet for disse ruteklareringskjøretøyene. Så vidt jeg skjønner, gjennomføres ruteklarering i dag gjennom at man søker nær sagt manuelt langs veien med metalldetektorer og utegående personell. personell. Selv om de bærer beskyttelsesutstyr, er det utstyret ikke i stand til å møte skadevirkningene av en kraftig veibombe. Minerydderne som gjennomfører dette arbeidet, er også utsatt for fiendtlig beskytning, både fordi de går ute, og fordi de blir sett på som såkalt høyverdige mål. Denne formen for ruteklarering er for det første veldig tidkrevende, og den sliter også veldig sterkt både fysisk og

Jeg har lyst til å utfordre statsråden til å gi en kommentar til status og fremdriftsplan for anskaffelse og bruk av ruteklareringskjøretøy i Afghanistan. La meg først knytte en kommentar til

i Norge, er selvsagt noe vi er svært misfornøyd med. Men det må også ses i lys av at vi er et land som har verneplikt, og at vi har vernplikt bare for menn. Det er, som jeg tidligere har sagt i denne salen, en radikal kjønnskvotering til fordel for menn. Det gjør at vi får en særlig seleksjon av ett kjønn, som man ikke har på samme måte hvis man har verneplikt for begge kjønn, eller ikke har verneplikt i det hele tatt. Nå tror jeg at omtrent alle her er enige om at vi skal ha verneplikt.

bekymring for det. Her har vi lagt stor vekt på at det skal etableres både god kompetanse og kapasitet gjennom bl.a. Dingo. De er levert. I hvilken grad de brukes i Afghanistan, må jeg komme tilbake til, men til dette: Nå skal vi også snart ut av det området hvor disse har en særlig viktig funksjon, altså i Faryab. Men i forbindelse med hjemreisen vil det også være behov for å ha en slik kapasitet. Det kan jeg bare si vi har høyt trykk på, også på mineklareringskapasiteter, som ligger inne i den beslutningen som skal tas senere i dag om større anskaffelser til Hæren. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Saken gjelder representantforslag fra to fremskrittspartirepresentanter angående at Riksrevisjonen foretar særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og

Saken gjelder representantforslag fra to fremskrittspartirepresentanter angående at Riksrevisjonen foretar særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valg av Joint Strike Fighter, JSF, F-35. For å gå rett på konklusjonen: Alle partiene i komiteen, unntatt Fremskrittspartiet, finner det ikke riktig at Riksrevisjonen nå pålegges å sette i gang særskilte undersøkelser rundt anskaffelsesprosessen. Begrunnelsen er at Riksrevisjonen ikke har praksis for å gjøre slike forhåndsrevisjoner, sjøl om Stortinget i plenum kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser. Jeg regner med at Fremskrittspartiet sjøl vil begrunne sitt standpunkt. Det er imidlertid enighet i komiteen om at det har vært kostnadsoverskridelser ved en del forsvarsanskaffelser og forsvarsprosjekter, som og ikke minst ved anskaffelsen av fregatter, som var grundig vurdert. Det er også en enstemmig komité som understreker viktigheten av og forutsetter at regjeringa har kontroll på kostnadsutviklinga i forbindelse med anskaffelse av nye kampfly. Det er også en enstemmig komité som forutsetter at Stortinget holdes orientert om eventuelle endringer i kampflyprosjektet, og viser også til at regjeringa legger opp til det. I en egen merknad Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre vises det til NOU 2007:15, Et styrket forsvar, det såkalte Siri Bjerke-utvalget, hvor det påpekes at det har vært et tilbakevendende problem i utviklinga av Forsvaret, nemlig manglende samsvar mellom økonomiske forutsetninger og den faktiske økonomiske utviklinga i Derfor sier representantene fra SV, Senterpartiet og Venstre at de deler forslagsstillernes bakenforliggende bekymringer, nemlig faren for at slike overskridelser gjentar seg nå som Norge skal foreta et militært innkjøp som i sum utgjør det største fastlandsinnkjøpet noensinne. Regjeringspartiene sier videre at en registrerer at regjeringa har tatt signalene og bekymringene for overskridelser på alvor. at en registrerer at regjeringa har tatt signalene og bekymringene for overskridelser på alvor. I den framlagte langtidsplanen, som nå er behandlet, framgår det at regjeringa vil strekke kampflyanskaffelsen over flere år enn tidligere planlagt, og at anskaffelsen skal deles opp i årlige anskaffelser som hver for seg skal godkjennes av Stortinget i det aktuelle budsjettår, framfor at det gjøres én stor bestilling. Regjeringspartiene har også videre valgt å ta med statsråd Barth Eides siste forsikringer om kostnader og framdrift i anskaffelsen av det nye kampflyet i Stortinget den 30. mai. Det er de siste forsikringer som ble gitt før innstillinga ble avgitt. Avslutningsvis vil jeg si at alle partier, unntatt Fremskrittspartiet, vil understreke at F-35-prosjektet er valgt som Norges nye kampfly, og ønsker derfor ikke å bidra til forsinkelser og usikkerhet om kampflyprosjektet. Dette flertallet understreker likevel at den videre prosess i kampflyanskaffelsen må være preget av mer åpenhet, slik at det sikres en brei og tverrpolitisk forankring av det neste tiårs største og viktigste forsvarsanskaffelse. Denne saken har tatt sin tid i komiteen, og det viser på mange måter at det er

Anskaffelsesprosessen er jo egentlig ferdig – vi fatter til og med vedtak i dag. Vi har valgt leverandør på et mye tidligere tidspunkt etter en såkalt anbudskonkurranse, og dagens vedtak bekrefter også det. Spørsmålet er imidlertid om konkurransen frem til denne beslutningen var reell, og om staten har fulgt det regelverket som skal følges i forbindelse med slike anskaffelser, eller ikke. Forslaget er ikke – og det vil jeg gjerne understreke – en omkamp om flyvalg, det er ikke et forsøk på nedskyting av den videre prosessen eller et bidrag for å forsinke den videre prosessen. Det er rett og slett et ærlig og redelig ønske om å be Riksrevisjonen undersøke om alt gikk riktig for seg under anskaffelsesprosessen frem til valg av flytype. Det er etter Fremskrittspartiets oppfatning en ganske vanlig og naturlig del av Riksrevisjonens virksomhet. Eurofighterkonsortiet trakk seg fra hele prosessen fordi de mente at konkurransen ikke var reell. Svenske myndigheter har vært særdeles krasse i sine betraktninger av den norske anskaffelsesprosessen. Det er skrevet et svært kritisk bokverk med en rekke påstander om det som kan ligne på manipulasjon. Det får meg egentlig til å etterlyse årsaken til at Stortinget ikke vil vite mer. Da beslutningen om valget av flytype ble tatt, fikk Stortinget en proposisjon på under 15 Dersom en skal nøye seg med så vidt lite informasjon før denne type anskaffelser, må det være en forutsetning at man kan ha tillit til den forutgående prosessen. Hovedspørsmålet er ikke om det blir kostnadsoverskridelser eller ikke. Hovedspørsmålet er om Hovedspørsmålet er om den utøvende makt har gjennomført en reell konkurranse i tråd med regelverket mellom aktuelle leverandører, eller om konkurranseopplegget, grunnlaget og prosessen har vært slik at det i realiteten var forutbestemt hvem som skulle bli Norges neste leverandør av jagerfly. Hvis det er det siste som er tilfellet, burde en vært ærlig om det fra start og heller endret regelverket slik at man eventuelt kunne velge flytype ut fra politiske eller strategiske vurderinger, og ikke gjennomføre en anbudsprosess. Men jeg har ikke mistanke utover de uttalelsene som er kommet fra andre hold, om at det kan være irregulariteter i denne anskaffelsesprosessen. Det ville jo vært veldig fint for alle partier, hele Stortinget og vårt demokrati å finne ut om det var tilfellet eller ikke – og da helst at det ikke Men det er urovekkende at et overveldende flertall på Stortinget bestående av alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, ikke engang vil åpne for en sånn objektiv gjennomgang av denne store og svært viktige prosessen. Dette er jo heller ikke et unikt forslag. Det er gjennomført undersøkelser rundt anskaffelsesprosessene og anskaffelse av nye kampfly i andre land – bl.a. i Danmark og Canada – og normalt er vi alle veldig opptatt av at skattebetalernes penger skal brukes forsvarlig. Derfor synes vi i Fremskrittspartiet at det er litt rart at vi ikke er like opptatt av det når det gjelder nasjonens største offentlige innkjøp gjennom tidene. Når det gjelder formalitetene rundt forslaget, er det uomtvistelig en mulighet for Stortinget å be Riksrevisjonen om å gjennomføre en slik undersøkelse. Når det likevel ikke skjer – for jeg antar at vi ikke får flertall for dette forslaget helt plutselig i dag, selv om vi burde fått det – betyr det ikke at det er et hinder for at Riksrevisjonen på eget initiativ mener at det kan være viktig å se på anskaffelsesprosessen knyttet til nasjonens største offentlige innkjøp. Normalt har Riksrevisjonen engasjert seg mye i statens håndtering av anskaffelsesregelverket, og det er ingen grunn til å dempe det engasjementet når vi snakker om et så stort innkjøp som er tilfellet her. Med det tar jeg opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen. Representanten Anders Anundsen har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er

hele anskaffelsesprosessen i tvil, og valget av flytype trekker han også i tvil. Det er oppsiktsvekkende også fordi det er et enstemmig storting som i kveld kommer til å vedta at Norge skal kjøpe 52 nye kampfly av typen F-35, eller Joint Strike Fighter. Det har vært enstemmighet om dette gjennom nesten hele prosessen, som startet tidlig i det forrige tiåret, altså rundt 2001–2002. Det er, som det også kom fram tidligere i dag, den største enkeltsaken i den langtidsplanen som har vært til drøfting, og nye kampfly – det har vi hørt begrunnelsen for før i dag – er et av de mest sentrale strukturelementene i det framtidige forsvaret. Gjennom den justerte anskaffelsesplanen for JSF balanseres hensynet til å sikre en kontinuerlig nasjonal kampflyevne med utjevning av den budsjettmessige belastningen i anskaffelsesårene. Det var ingen uenighet om dette tidligere i dag. Det var altså en lang prosess forut for valget av nye kampfly, og det er vel også hovedgrunnen til at vi ikke går inn for at Riksrevisjonen skal foreta en forhåndsrevisjon. Først sto dette valget mellom Joint Strike Fighter og Eurofighter, så fikk man JAS Gripen og franske Rafale på banen, og i sluttinnspurten sto det mellom Joint Strike Fighter, som vi vet, og JAS Gripen. Det var viktig å sikre reell konkurranse. Det ble gjort et godt stykke arbeid for å få det til. Våren 2007 etablerte Forsvarsdepartementet et eget utredningsprosjekt for å utarbeide beslutningsgrunnlaget for valg av nytt kampfly. I evalueringsprosessen ble det også trukket på ekstern ekspertise. JSF pekte seg ut som det beste flyet for Norge, først og fremst på grunn av de egenskapene flyet har når det gjelder kapasitet til overvåking og tilstedeværelse i nordområdene, og over vårt øvrige territorium. territorium. Vi har jurisdiksjon over et havområde som er sju ganger større enn vårt landterritorium. Da er det viktig å være til stede og følge med på hva som foregår. Norge har sannsynligvis gjennomført en av de beste totalanalyser av kampflykjøpet som er foretatt. Prosessen er i tillegg, som jeg sa, overvåket og evaluert av ekstern og uavhengig analyseekspertise. Grunnen til at jeg bruker så vidt lang tid på dette, er vår hovedbegrunnelse for at vi ikke skal legge denne saken til Riksrevisjonen til forhåndsrevisjon. I langtidsplanen og i Prop. 73 S for 2011–2012 vises det til at kampflyanskaffelsen vil legge beslag på betydelige deler av det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettet i kommende år. Jeg har merket meg at regjeringen er opptatt av at den videre prosessen blir lagt opp på en slik måte at den ikke i utilbørlig grad låser det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettet i årene som kommer. For kampflyanskaffelsen vil være krevende. Regjeringen sier i langtidsplanen at den tar sikte på en tett og jevnlig involvering av Stortinget, og la meg understreke særskilt: Kontroll- og konstitusjonskomiteen forutsetter også i innstillingen at Stortinget holdes orientert om eventuelle endringer i prosjektet. Flertallet i komiteen er også opptatt av at den videre prosessen må være preget av mer åpenhet for å sikre en bred og tverrpolitisk forankring av den store investeringen. La meg også legge til det som også saksordføreren sa – at Riksrevisjonen ikke har praksis for å gjøre forhåndsrevisjoner, at det også er et argument imot Fremskrittspartiets forslag. Jeg skal ikke fortsette debatten fra i formiddag, for dette er ikke en sak om kampflyanskaffelser.

selskap. Jeg må si – jeg har sittet i Stortinget i 31 år nå og fulgt Riksrevisjonen med interesse i alle år, og de har aldri gjort en tilsvarende jobb. Aldri! Så det er ikke riktig å si at det er en naturlig del av Riksrevisjonens arbeid. Man kunne jo f.eks. tenke seg at Riksrevisjonen skulle kontrollere om all konkurransen mellom anbyderne var reell ved store anskaffelser av datautstyr i det offentlige som har gått fullstendig skeis – det har vi mange eksempler på, under skiftende regjeringer, og ikke bare i det offentlige, men også i det private, men det er det offentlige vi snakker om nå – f.eks. ved Oslo universitetssykehus, som har gått til en slik anskaffelse som gikk skeis. Men det har Riksrevisjonen ikke gjort, og det er det gode grunner til, for Riksrevisjonen skal jo ofte inn i ettertid og vurdere om Stortingets beslutninger er fulgt opp, og eventuelt hvordan det har skjedd. Det gjør jo at Riksrevisjonen kan komme i en form for – jeg sier en form for – inhabilitet, for hvis Riksrevisjonen om 10 eller 15 år skal ha en forvaltningsrevisjon av Forsvaret, kan de komme i den situasjonen at de skal kontrollere en konklusjon de selv har trukket. Det er lite naturlig for en revisjon å gjøre det slik, og jeg er heller ikke kjent med at tilsvarende gjøres i andre land. Jeg er klar over at det i og for seg er opp til Stortinget å be Riksrevisjonen om hva som helst, men heldigvis har vi den praksis i Stortinget – gjennom skiftende flertall i mange perioder – at Stortinget sjelden ber Riksrevisjonen om å gjøre jobber. Riksrevisjonen er også veldig tydelige på at de står helt fritt til å avgjøre det. Normalt følger de en slik anmodning om den kommer, men Riksrevisjonen i Norge er uavhengig, og det men Riksrevisjonen i Norge er uavhengig, og det er en dyd det av kontrollhensyn er veldig viktig å ivareta. Jeg har store problemer med å skjønne at saken i det hele tatt er satt opp til behandling etter at Stortinget i formiddag enstemmig har gått inn for og senere vil votere over kampflykjøpet. Med den mistillit som er uttrykt overfor prosessen som har ført frem til avgjørelsen, er det litt overraskende at et antageligvis enstemmig storting stemmer for i kveld. Innkjøp av nye kampfly til

Innkjøp av nye kampfly til det norske forsvaret er en gigantisk investering. De siste anslagene fra Forsvarsdepartementet kan tyde på at prislappen til slutt vil lyde på i overkant av 60 mrd. kr. Sluttsummen vil påvirkes av valutakursene, økte utviklingskostnader, forsinkelser i kampflyprogrammet og eventuelt endringer i antall flybestillinger fra andre kjøpere. Vi må ta høyde for de usikkerhetsfaktorene som regnestykkene bygger på. Kristelig Folkeparti har konsekvent vært opptatt av å kvalitetssikre både regjeringens valg av kampflyleverandør, kostnadsoverslag for selve kampflykjøpet og kostnadene knyttet til drift av både kampflybaser og selve flyene. I tillegg kommer gjenkjøpsproblematikken. Jeg tror alle kjenner et stort ansvar for at dette gigantkjøpet skal svare til forventningene. Konsekvensene er store, og det er sunt med debatt. Likevel er det viktig at vanlige spilleregler følges. Utenriks- og forsvarskomiteen har ved ulike milepæler fått kampflysaken til behandling, og prisoverslagene har gjentatte ganger vært tema. Vi har notert oss at forsvarsministeren på regjeringens vegne har sagt at han kjenner seg trygg på prisoverslaget. Han har til og med presisert at tryggheten går så langt man her i verden kan være trygg på noe. Det er klart at med en slik formulering har statsråden gitt prisoverslaget en sannhetsgehalt av erkjennelsesteoretiske dimensjoner. Jeg tar neppe feil når jeg tipper at dette utsagnet fra statsråden vil bli tatt fram igjen når vi om noen få år får vite den endelige prislappen på kampflykjøpet. Det vi vet mindre sikkert, er hvem som på det tidspunktet vil finne det mest fristende å minne om hva statsråden sa. Det er en ærlig sak å ha kritiske anførsler mot beslutningsgrunnlaget i en sak som dette. Vi bør alle erkjenne den faktiske usikkerheten som rår om sider ved kampflyprosjektet – ikke minst den endelige prislappen. Men samtidig må vi følge vanlig prosedyre. Derfor er alle Stortingets partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, klar på at vi ikke finner det riktig at Riksrevisjonen pålegges å sette i gang særskilte undersøkelser rundt anskaffelsesprosessen. anskaffelsesprosessen. Grunnen er kort sagt den at Riksrevisjonen ikke har som praksis å gjøre slike forhåndsrevisjoner. Vi kjenner alle til at det har vært kostnadsoverskridelser og kraftige forsinkelser i store investeringsprosjekter tidligere, også i Forsvaret. Derfor er jeg glad for at et samlet storting nå understreker viktigheten av at regjeringen har kontroll på kostnadsutviklingen i den forestående kampflyanskaffelsen. Det er selvsagt forutsetningen at Stortinget holdes løpende orientert om eventuelle endringer i prosjektet. Uansett standpunkt i denne debatten tror jeg vi alle kan være enige om én ting, og det er at dette garantert ikke blir siste gang Stortinget behandler

og jeg tror han har helt rett i sin spådom om at dette ikke er siste gang vi behandler denne saken. Det er vel heller ikke lagt opp til at det skal være siste gang – det blir mange ganger til. Det som fikk meg til å ta ordet, var egentlig det at det ikke så ut til at flere skulle ta ordet, og da måtte jeg presisere et par ting som representanten Nybakk sa i sitt innlegg. Hun mente det var «oppsiktsvekkende» argumentasjon fra min side. Det kan godt være, men den oppsiktsvekkende informasjonen, eller disse oppsiktsvekkende påstandene, har altså versert i media i årevis. Det har vært et sterkt press mot den norske beslutningsprosessen på veien mot valg av ny flytype. Så understreket jeg, og jeg tror faktisk jeg gjorde det to ganger i mitt innlegg, at dette ikke var noen omkamp om valg av flytype. Det vil jo dokumenteres ved at vi kommer til – som dere vet – å stemme for innstillingen på det punktet i dag. Så det er ikke en omkamp om valg av flytype. Men det er viktig i en slik situasjon som vi befinner oss i, med det største offentlige innkjøpet noen sinne, at vi er trygge på at disse prosessene fungerer bra. Vi pleier alltid å være opptatt av det i denne sal. Selv om representanten Foss aldri har opplevd noe liknende i sine 31 år på Stortinget – hvilket vi stadig hører – betyr jo ikke nødvendigvis det det samme som at det er uklokt eller Vi har heller aldri gjennomført et så stort offentlig innkjøp, så kanskje det er nødvendig med litt ekstraordinære tiltak for å sikre oss at ting har vært riktig – at vi ikke gjør de samme feilene igjen, hvis noe har vært galt. Så er jeg grunnleggende uenig i påstanden fra representanten Foss om at det kunne resultere i at Riksrevisjonen på en eller annen måte skulle bli inhabil, hvis de nå gikk inn og reviderte dette. Hvis en trekker den parallellen for langt, vil det bety at på områder hvor Riksrevisjonen gjennomfører forvaltningskontroller eller forvaltningsrevisjoner og kommer med anbefalinger til forvaltningen om forbedringer, vil de være inhabil med hensyn til å gjennomføre en ny forvaltningsrevisjon på det samme området senere. Det kan det jo ikke være, det fremstår som en litt litt underlig konklusjon. Fremskrittspartiet har altså ikke mistillit knyttet til denne prosessen i det hele tatt, men vi ønsker en objektiv gjennomgang av denne prosessen. Så jeg må innrømme at jeg synes dette forslaget er særdeles lite dramatisk, langt mindre dramatisk enn det enkelte forsøker å fremstille det som. La meg

Sannheten er – og det kan jeg egentlig nå si for første gang på denne måten – at det var vanlig, det er ikke vanlig lenger. Etter at vi innførte ekstern kvalitetssikring i år 2000 når det gjelder alle store prosjekter, såkalte kategori 1-prosjekter, som har blitt vedtatt her i Stortinget – det betyr at de prosjektene skal hit, det er 40 stykker – har det ikke vært prissprekk på noen av dem – ikke på noen av dem! I fem av dem har det vært en utvidelse av rammen etter et selvstendig vedtak i Stortinget, der man tilfører en kapasitet, f.eks. når man setter et nytt missil på en fregatt som ikke opprinnelig var tiltenkt det. I tre av dem har man innskrenket rammen. Men det har ikke vært en eneste prisoverskridelse. Det mener jeg er et ganske godt tegn på at regimet med ekstern kvalitetssikring faktisk var en god idé. Vi ser også at prisoverslagene blir mer presise – de blir naturligvis høyere, for de tar høyde for en helt annen type usikkerhet. Men det betyr også at Stortinget forholder seg mer reelt til det som faktisk kommer til å skje. Jeg kan presentere fasit for de siste ti årene, og det er at det er galt at det er vanlig at det skjer store overskridelser – det har ikke skjedd på over ti år. Jeg viser til innleggene til representantene Nybakk og Foss som dekker mitt syn i denne saken. Jeg tar ordet på slutten av denne debatten fordi representanten

hvorfor vi mener den er oppsiktsvekkende. Det ene er knyttet til prinsippene rundt Riksrevisjonens arbeid og forholdet til Stortinget, og dets initiativrett i alle saker. Men det er jo en logisk brist i det Anundsen sier, fordi han bedyrer at dette ikke er omkamp om realiteter. Hvis vi tror ham på det, synes jeg ikke det er noen grunn til at Fremskrittspartiet skulle mene at vi nå skal revidere og gå gjennom den prosessen som har ført fram til dette. Jeg forstår ikke det, jeg forstår ikke logikken i den tenkningen. Jeg har fulgt debatten tidligere i dag, og det er ingen av Fremskrittspartiets representanter – ingen andre heller, men heller ingen fra Fremskrittspartiet som har tatt opp denne problemstillingen som Anundsen nå framfører i salen, nemlig behovet for at man skal sette selve prosessen under ny granskning. Hvis det var logikk i det, måtte man jo utsette vedtaket om kjøpet, hvis det skulle være noen vits i å gjennomføre en slik prosess. Det er en veldig betydelig brist som det er nødvendig å få presisert. presisert. Dermed er det selvfølgelig også grunn til å stille spørsmålet: Hva er tanken bak det hele? Er det igjen å gjøre et angrep på regjeringen med tanke på å mistenkeliggjøre at her er det skjedd noe som ikke burde skjedd? Men når det ikke er det, som Anundsen sier – og vi får tro han på det – så er logikken klar: Det er nemlig slik at dette forslaget burde

Jeg har i denne saken gleden av å redegjøre for og legge fram en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. I Riksrevisjonens årsmelding gjøres det rede for Riksrevisjonens rammevilkår, styringssystem og måloppnåelse for 2011. Komiteen har merket seg, og støtter, at Riksrevisjonens visjon er å bidra effektivt til Stortingets kontroll å fremme den gode forvaltning. Det er i god tråd med det jeg oppfatter som Riksrevisjonens rolle i norsk politikk og forvaltning. I et demokratisk samfunn er det helt nødvendig med kontroll med forvaltningen. Riksrevisjonen er Stortingets største eksterne kontrollorgan, og det er avgjørende og viktig for Stortinget at det er en kontinuerlig gjennomgang av forvaltningens evne og vilje til å følge opp Stortingets beslutninger, ikke minst fordi vi som folkevalgte skal ivareta enhver borgers rett til og krav om å få vite om ressursene brukes effektivt og i tråd med politiske vedtak. Jeg er derfor glad for at en enstemmig komité mener at årsmeldingen viser at Riksrevisjonen arbeider iherdig og målrettet for dette ambisiøse målet om effektiv kontroll og en bedre forvaltning. Det er meget verdt å merke seg, når Riksrevisjonen i disse dager har vært utsatt, vil jeg si, for offentlig kritikk, at de som faktisk er gjenstand for undersøkelsene, nemlig forvaltningen, er tilfreds med det arbeidet Riksrevisjonen Forvaltningen opplever at de har en god dialog med Riksrevisjonen, og i brukerundersøkelsen som Riksrevisjonen får utført hvert år, svarer 75 pst. av forvaltningen at de opplever at Riksrevisjonen har tilstrekkelig kompetanse i gjennomføringen av oppgavene. Det er dessuten godt å registrere at kritikken som kom fram fra forvaltningen i fjorårets rapport om at Riksrevisjonen ikke alltid legger fram sine funn på en balansert og dekkende måte, i dette årets brukerundersøkelse er helt borte. For vår del er vi av den oppfatning at alle de 13 forvaltningsrevisjonsrapportene som er oversendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2011, både er gjennomarbeidede og relevante. Det er også verdt å nevne at Det er også verdt å nevne at Riksrevisjonen nå har endret strukturen på sine Dokument 3-rapporter som en følge av en såkalt fagfellevurdering som anbefalte at også positive funn i større grad burde komme fram, og at Riksrevisjonen burde være tydeligere i sine anbefalinger og i sine forbedringsområder. Komiteen ser at Riksrevisjonen har et unikt ståsted overfor forvaltningen. I det årlige Dokument 1, som er Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll, var tilskuddsrevisjon prioritert satsingsområde for regnskapsrevisjonen i 2010. Komiteen uttalte at statsforvaltningen hadde utfordringer, og at det var funnet feil i tilskuddsforvaltningen. Komiteen mener at Riksrevisjonen har hatt og har en helt sentral rolle på dette området: å sikre at feil oppdages og utbedres, og ber om at Riksrevisjonen viderefører oppmerksomheten på tilskuddsforvaltningen, selv om vi registrerer at departementene selv har medvirket til at praktiseringen av tilskuddsforvaltningen blir i tråd med Stortingets vilje og departementenes egne retningslinjer. Det er avgjørende viktig at Riksrevisjonen følger med i de reformer, utviklingsprosesser og planer som til enhver tid skjer i norsk forvaltning. Årsmeldingen gir oss en god oversikt over en bred virksomhet som det er viktig for Stortinget å få informasjon om for å kunne fylle sitt ansvar ansvar som konstitusjonelt kontrollorgan. Komiteen mener det er viktig at Riksrevisjonen tar tak i problemstillinger som går på tvers av departementene. Et tverrsektorielt blikk er både fornuftig og nødvendig, ikke minst fordi politikkområder henger sammen, og fordi de påvirker hverandre. Dernest er det viktig at Riksrevisjonens blikk er rettet mot de store reformer og satsinger som er innenfor svært viktige områder som helse og omsorg, kommunal tjenesteproduksjon og samfunnssikkerhet og beredskap, for å nevne noen. Dette er områder som angår oss alle, og som har stor innvirkning på den enkeltes levekår og mulighet til livsutfoldelse. Til slutt: Komiteen er glad for at Riksrevisjonen retter sin oppmerksomhet mot disse områdene i årene Det er viktig at Stortingets målsettinger nås – og det er en forutsetning for et godt samfunn. Riksrevisjonens melding om virksomheten er en viktig oppsummering av Riksrevisjonens arbeid og Riksrevisjonens melding om virksomheten er en viktig oppsummering av Riksrevisjonens arbeid og planer og en slags milepæl i forholdet mellom storting og regjering. Vi får en form for løypemelding om hvordan utviklingen i Riksrevisjonen er, og kontroll- og konstitusjonskomiteen gis muligheten til å komme med viktige innspill til hvordan de opplever Riksrevisjonen, dens arbeid og relasjon til Stortinget. I stort slutter jeg meg til saksordførerens svært gode og grundige gjennomgang av saken, og det er en enstemmig innstilling. Når jeg allikevel finner grunn til å ta ordet, er det fordi det tidligere denne uken, som også saksordføreren så vidt var innom, ble publisert et notat fra Civita, med overskriften «Riksrevisjonen – vaktbikkje uten bånd?». Aftenposten har omtalt rapporten og fått en rekke personer til å uttale seg negativt om Riksrevisjonen og Riksrevisjonens arbeid. Jeg synes det er spennende at vi opplever at det er diskusjoner rundt Riksrevisjonens arbeid og arbeidsmetodikk. Jeg har heller ikke for vane å bruke rapporter fra Civita som grunnlag for egne politiske innlegg i denne salen, men denne rapporten omhandler altså det som er fundamentet, egentlig, for denne debatten, med et litt annet blikk – vil jeg vel kunne si. Civita-notatet konkluderer bl.a. med at Riksrevisjonen har faglig sviktende kompetanse, at Riksrevisjonen kritiserer forvaltningen med sviktende mandat, at kriteriene for forvaltningsrevisjonen er uklare, og at andre egentlig bør utføre forvaltningskontroll, mens Riksrevisjonen bare bør konsentrere seg om det de mener er dens kjerneoppgave, nemlig regnskapskontroll. I tillegg bør en visst vurdere å sende forvaltningsrapporter til fagkomiteene, fordi Riksrevisjonens rapporter sjelden handler om forhold som er av relevans for vesentlige konstitusjonelle spørsmål, som det står i rapporten. Jeg vil starte med det siste først. Dette er jo alvorlige anklager mot Riksrevisjonen. Men jeg synes også det viser en slags misforståelse om relasjonen mellom Riksrevisjonen og Stortinget. En modell med kontrollansvar hos fagkomiteene er for øvrig tidligere forsøkt i Stortinget, med det som resultat at en etter kort tid fant at det var mer eller mindre hensiktsløst, fordi kontrollarbeidet ble et slags venstrehåndsarbeid. Det skjer selvfølgelig fordi fagkomiteenes hovedfokus alltid vil være og bør være å finne løsninger for fremtiden. Det fremstilles også i notatet som om kontroll- og konstitusjonskomiteens hovedoppgave er å forholde seg til konstitusjonelle spørsmål. Det er en viktig oppgave, men det er helt galt. Mesteparten av vår tid går jo med til kontroll og ikke til spørsmål av størrelse – hadde jeg nær sagt. Vi kontrollerer både på basis av Riksrevisjonens rapporter og på bakgrunn av egeninitierte kontrolloppgaver. Vi har faktisk – og det synes jeg vi skal være stolt av – en av de mest moderne kontrollkomiteene i verden, og det er en stadig pågang fra andre land for å se hva de kan lære, og det er ikke så rent lite! å ha én komité som har spesialisert seg på kontrollvirksomhet, har klart styrket den parlamentariske kontrollen med forvaltningen, i tråd med det som er Grunnlovens intensjon og bestemmelser, og endringen i forvaltnings- og ansvarsstrukturen i samfunnet. Det er derfor etter min vurdering en feilslutning hvis man mener at det blir bedre kontroll av forvaltningen gjennom å overlate kontrollansvaret til fagkomiteene. Så har rapporten et par gode poeng når det gjelder viktigheten av å være tydelig på hva en legger til grunn som Stortingets forutsetninger ved gjennomføring av forvaltningsrapporter. Dette er også et tema som har kommet opp i mange samtaler mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen, og jeg må si at jeg allerede nå oppfatter at det er forbedringer og endringer i så henseende. Så ble det fremmet en påstand om at Riksrevisjonens faglige kompetanse er sviktende. Det er jo alvorlig! Jeg må si jeg er usikker på hvor grundige forundersøkelser som er gjort før den påstanden ble fremmet fra Civitas side. I 2011 gjennomførte Riksrevisjonen den undersøkelsen saksordføreren viste til, tilbakemeldingene fra de virksomhetene som ble revidert, viste at minst 75 pst. mente at Riksrevisjonen har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre sine oppgaver. I tillegg er det klart at Stortinget er fornøyd med det faglige innholdet i rapportene. Det ga også saksordføreren klart uttrykk for fra talerstolen nå nettopp, og det er faktisk enda viktigere enn at de som utsettes for kontrollen, er Civita-notatet påstår også at Riksrevisjonen gjennomfører sitt virke og kommer med sin kritikk på basis av sviktende mandat, altså at det er et misforhold mellom det Riksrevisjonen faktisk gjør, og det denne salen mener at den skal gjøre. Det ville naturligvis vært et helt avgjørende tema i innstillingen hvis Stortinget var av den oppfatningen, men Stortinget har ikke hatt den oppfatningen i noen av de innstillingene om Riksrevisjonen som jeg har sett. Og det er tross alt opp til Stortinget å gi Riksrevisjonen signaler om en mener en beveger seg i eller utenfor grenser som Stortinget har fastsatt. Det har ikke vært tilfellet så langt, med ett mulig unntak. Det er forvaltningsrevisjonen av Norges Bank. Utover det har ikke, så vidt jeg har sett, Stortinget pekt på at Riksrevisjonen beveger seg i en retning som Stortinget mener er feil. viktigheten at den parlamentariske kontrollen, som vi nå har snakket om, og som også Civita-rapporten handler om, ble jeg litt motløs da jeg leste i notatet at de tok til orde for å vurdere å flytte den parlamentariske forvaltningskontrollen helt ut av Riksrevisjonens arbeidsfelt og over til det de betraktet som en uavhengig etat, som f.eks. Direktoratet for økonomistyring. Civita foreslår altså å løfte den parlamentariske forvaltningskontrollen bort fra Stortingets kontrollorgan over til regjeringens direktorat.

unyansert – i det minste – når Civita hevder at Riksrevisjonen ikke utsettes for kontroll, for i tillegg til den dialogen Stortinget har gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen, med meninger og vurderinger knyttet til Riksrevisjonens rammer, gjennomføres det ekstern revisjonskontroll av Riksrevisjonen av et av de største revisjonsfirmaene i landet, i tillegg til at det gjennomføres fagfellevurderinger som gjøres med jevne mellomrom. Og i årsmeldingen i en fagfellevurdering og resultatet av en fagfellevurdering i 2011. Noen synes sikkert det er rart, men jeg syntes det var greit å bruke dette Civita-notatet som grunnlag for innlegget om Riksrevisjonens melding om virksomheten, fordi det berører egentlig samme forhold, og fordi jeg synes det er viktig at vi skal tåle kritikk av Stortingets kontrollorgan, men kritikken bør altså fremmes på et saklig og grundig fremgår det ganske tydelig av mitt innlegg at jeg mener presisjonsnivået i Civitas rapport er noe lavere enn det vi er vant til fra Riksrevisjonen. Derfor er det enklere å legge til grunn Riksrevisjonens rapport og melding om virksomheten i 2011 enn påstandene fra Civita. I all hovedsak fungerer, oppsummeringsmessig, vår riksrevisjon godt, som saksordføreren beskrev på en god måte. Som på alle andre områder er det selvfølgelig forbedringspotensial, bl.a. kan virksomheten være mer effektiv og levere flere forvaltningsrevisjonsrapporter til Stortinget basert på det omfanget Riksrevisjonen har. Det er viktig at Riksrevisjonen er enda mer aktuell. Akkurat i dag har de truffet ganske bra, for i dag la Riksrevisjonen frem en rapport om reindriften, og senere i dag skal vi behandle reindriftsavtalen i Stortinget. Det passer jo ganske utmerket. Slikt bør vi ha enda mer av, selv om jeg egentlig tror det er en tilfeldighet at det havnet slik. I tillegg er det noen innspill om kritikken fra Civitas side som rammer Riksrevisjonen, som er gjengitt av flere i Aftenposten, og som det går an å ta med seg videre i diskusjonen om forbedring av Riksrevisjonen. Men særlig er tilbakemeldingene fra fagfellevurderingen viktige og nødvendige å følge opp. Jeg vet at Riksrevisjonen gjør det og allerede har gjort det på en del punkter, og at de vil fortsette med det i 2012. Jeg valgte i mitt første innlegg å ikke bruke mye tid på Civita-rapporten, men sier nå at jeg slutter meg til det som representanten Anundsen har sagt, og den kommentaren han har gitt til denne rapporten her fra talerstolen. Når jeg tok ordet på nytt nå, var det fordi det er et aspekt ved det som jeg ikke tok opp i innlegget mitt, men som jeg har lyst til å framføre her. Det tror jeg at jeg kan si er på vegne av hele komiteen. av hele komiteen. Selvsagt er det slik at jeg aksepterer fullt ut at framtredende representanter for forvaltningen står fram i offentligheten og kritiserer Riksrevisjonen. Det må de bare gjøre. Jeg noterer meg at i Aftenpostens oppslag er det avgåtte, framtredende representanter for forvaltningen som står fram. De gjorde det altså ikke mens de var i posisjon. posisjon. Det jeg har lyst til å si, er at hvis det er slik at framtredende representanter for forvaltningen, departementsråder eller andre, som sitter i de helt ansvarlige stillingene i vårt embetsverk, mener at den revisjonen vi har av den virksomheten som drives – som vi her i Stortinget også i dag sier er bra – er så gal som det framkommer der, har de en plikt til å sørge for at det kommer oss for øre på en ordentlig måte. Det har ikke skjedd i hvert fall i løpet av den tiden jeg har vært her på Stortinget. Nå er ikke det lenge, men tross alt så lenge at jeg har grunnlag for å si det. Så vil jeg si en ting til som jeg tror er et ønske fra hele komiteen. Det som jeg merker i det alminnelige «snakket» – for å bruke det uttrykket, det er et litt uhøytidelig uttrykk, men jeg tror alle forstår hva jeg sier – om Riksrevisjonens arbeid,

ikke negative konklusjoner, men veldig positive konklusjoner, altså at vi flytter merkesteiner i vårt arbeid. Det har sikkert med kommunikasjon mellom Riksrevisjonen, forvaltningen og Stortinget å gjøre, og det er et område hvor jeg fortsatt mener at vi har ganske mye å gå på, som det heter. Vi har fortsatt ganske mye å lære, og vi har fortsatt muligheten til å bruke Riksrevisjonens arbeid til å gjøre forvaltningen bedre. Da må kommunikasjonen mellom forvaltningen og Riksrevisjonen være god. Det må ikke være en innebygd motsetning mellom Riksrevisjonen og forvaltningen, for da blir det en motsetning og ikke et samarbeid.

som også denne gongen får mange klager, ca. 600.